Å endre tolkningen ville dessuten føre til at en rekke tidligere byggetillatelser måtte gjennomgås og eventuelt tas opp til ny behandling. Mange familier, mange enkeltpersoner som har oppført tiltak i tiltro til gitte tillatelser, ville blitt berørt, og det ville blitt unødvendig saksbehandling. Den andre saken gjelder oppføring av en garasje i et område som i kommuneplanens arealdel er avsatt til byggeformål. Saken gjelder dispensasjon fra bestemmelser i kommuneplanen, som stiller krav om reguleringsplan før det kan bygges. Departementet kom frem til at det var grunnlag for å gi dispensasjon fra kravet om reguleringsplan for å bygge denne garasjen i dette konkrete tilfellet. Dette gjelder et lite tiltak som ikke berører viktige interesser, og heller ikke konsekvenshensyn gjorde seg gjeldende. Til slutt vil jeg presisere at jeg mener at avgjørelsen i disse to sakene ikke svekker Sivilombudsmannen. Tvert imot viser sakene, meldingen og høringen i etterkant at ombudsmannens rolle er svært viktig. Det er behov for en uavhengig kontrollinstans som kan peke på svakheter i forvaltningens avgjørelser, og som kan bidra til å avklare vanskelige rettsspørsmål.

påpeikt at det finst visse nyansar i det bildet. Ein ting som komiteen samrøystes påpeikte i den førre saka, var at kommunane synest å vere noko svakare i å følgje opp vedtak frå Sivilombodsmannen enn andre instansar. Denne saka kom ikkje til uttrykk fordi det er eit generelt problem i samfunnet at ingen bryr seg om kva Sivilombodsmannen seier – då ville det nok ha vore ei litt anna type sak vi hadde hatt her. Det er det spesifikke forholdet at eit departement i to saker som er veldig ulike – og dei einaste to sakene der dei har fått ein uttale mot seg – lét vere å følgje uttalen, og at Sivilombodsmannen valde å sende ei særskild melding fordi sakene var alvorlege, som gjer at eit stort fleirtal i komiteen, dvs. alle unntatt Høgre, valde å ha høyring, og at eit stort fleirtal, alle unntatt Høgre og Framstegspartiet, har uttrykt ulike former for kritikk gjennom merknader. Det andre kort til statsråden – om dei politiske sidene ved dette. Det er ingen tvil om, som det kom fram gjennom høyringa, som vi kjenner godt til, at fortolkinga var den same under førre regjering – og under førre statsråd, kan det leggjast til. Det eg sa i merknaden min, var ikkje meint å antyde eller spørje om det var eit politisk ønske, men eg siterte frå merknadene, som seier at dersom det var eit politisk ønske om endring, måtte ein valt ein annan veg enn i denne saka. men eg siterte frå merknadene, som seier at dersom det var eit politisk ønske om endring, måtte ein valt ein annan veg enn i denne saka. Det er igjen viktig å påpeike at denne saka ikkje kom opp ut frå at eit fleirtal her har eit anna politisk syn – for alt eg veit kan det vere ulike politiske syn på desse to sakene og korleis vi vil ha vedteke ting i dei – men ut frå det faktum at Sivilombodsmannen har bringa fram begge sakene på den måten dei skal, etter mandatet sitt. Det same gjeld den politiske sida

ved f.eks. å leggje til grunn at ein kritikk har større verdi dersom ein person ikkje får byggjeløyve, enn dersom han får byggjeløye. Heilt til slutt berre til eit spørsmål som kom opp, først frå komitéleiaren og så frå representanten Tetzschner, om Sivilombodsmannens autoritet byggjer på faglegheita hans. Eg er i grunnen einig i det representanten Tetzschner sa, at Sivilombodsmannens autoritet må byggje på faglegheita hans, ikkje at det er ein automatikk i at forvaltinga skal følgje opp, sjølv om ho i det store og heile skal det. Men der eg trur vi er ueinige, er at fleirtalet i komiteen vurderer Sivilombodsmannens faglegheit som svært solid i desse to sakene. Som det står i innstillinga, meiner vi han argumenterer svært godt i sakene, og at dei er så forskjellige at det er vanskeleg å finne eit fellestrekk for at dei ikkje skulle opp. Vi synest at motargumenta til at dei ikkje er følgde opp, er svake. Så er eg einig med statsråden i at Sivilombodsmannens autoritet per no ikkje er svekt gjennom desse sakene. Men dersom det skulle vere sånn at ei særskild melding frå ombodsmannen berre sklei forbi, utan at nokon brydde seg, utan at det vart følgt spesielt opp i Stortinget, kunne det kanskje verte antyda at han kunne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

Riksrevisjonen har no undersøkt såkornfonda igjen, og målet med undersøkinga var å vurdera ordningas resultat og Nærings- og fiskeridepartementet og Innovasjon Norges oppfølging opp mot Stortingets vedtak og føresetnadar. Såkornfonda er delte inn i tre bølgjer: bølgje 1, frå 1998–2013, med eitt landsdekkjande og fem regionale såkornfond bølgje 2, frå 2006–2021, med fire landsdekkjande såkornfond, og frå 2006–2023, med fem distriktsretta såkornfond I tillegg er det bølgje 2, frå 2006–2021, med fire landsdekkjande såkornfond, og frå 2006–2023, med fem distriktsretta såkornfond I tillegg er det bølgje 3, som starta i 2013, men ho er ikkje med i undersøkinga denne gongen, då fonda nyleg er oppretta. Hovudfunna til Riksrevisjonen er at frå 1998 til 2014

er det store tap for både staten og private, og staten tapar 456 mill. kr. I tillegg har det av 173 investeringar ikkje vakse fram meir enn ca. 18 vekstbedrifter med 10–49 tilsette. Likeins er det i bølgje 2 høg risiko for at staten ikkje får tilbake lån og renter verken av dei landsdekkjande eller distriktsretta såkornfonda. Og det er berre fire vekstbedrifter med 10–19 tilsette av 67 investeringar på landsdekkjande fond, og Og det er berre fire vekstbedrifter med 10–19 tilsette av 67 investeringar på landsdekkjande fond, og ca. 11 med vekst i verdiskaping på dei distriktsretta fonda. Me merkar oss at Riksrevisjonen òg seier at det er svakt grunnlag for læring og oppfølging av langsiktige resultat av såkornfonda,

for rapportering frå Innovasjon Noreg som betre kan få fram fondas løpande resultat, og som kan brukast til læring og forbetring. Departementet må forsikra seg om at Innovasjon Noreg legg til rette for ein mindre sårbar og meir systematisk oppfølging av ordningane, og Innovasjon Noreg bør etablera meir systematikk i oppfølginga av

å ta opp, for det å finne fram til framtidens bedrifter er ganske komplisert. Jeg vil særlig peke på følgende i rapporten: «Verdiskapingen til bølge 2-bedriftene er også lavere enn sammenlignbare bedrifter som fondene var nær ved å investere i, og lavere enn sammenlignbare bedrifter som er eid av private fond.»

av den bevilgede kapital. Det er en ganske høy forvaltningsandel. Da blir spørsmålet: Er såkornfond den mest effektive måten å nå fram til bedriftene på? I Næringsdepartementet sitter vi med en nylig evaluering av virkemidler, og der kommer det veldig tydelig fram at det er de generelle virkemidlene, som treffer bredt og landsomfattende, som er de absolutt viktigste virkemidlene. Da bemerker SkatteFUNN seg som kanskje det mest effektive virkemidlet. Så jeg tok ordet mest for å si litt rundt hva slags virkemidler det er som faktisk når fram, og som har best mulighet til å lykkes. Jeg skjønner godt at Riksrevisjonen ønsker en sterkere oppfølging, og skjønner godt at Riksrevisjonen ønsker en sterkere oppfølging, og at de setter fokus på det – det er vel i og for seg deres oppgave. Men jeg mener de grunnleggende spørsmålene her blir om såkornfond er løsningen, eller om det er andre virkemidler som kan komme til å gi atskillig større effekt med tanke på framtidig verdiskaping. Jeg mener man må begynne å se på: Klarer man å tiltrekke seg de rette prosjektene når man starter opp såkornfond? Det er ganske dramatisk når det er en lavere avkastning på de prosjektene man går inn i, enn det er i de prosjektene man holdt på å gå inn i, og også at det er en lavere avkastning av prosjektene innenfor såkorn enn tilsvarende prosjekter som forvaltes ute i det generelle markedet. Da er det mye som tyder på at man kanskje ikke når Så er det spørsmål om man har den kompetansen som trengs for å forvalte det bedre enn markedet, og til syvende og sist er det et spørsmål om man kan forsvare en forvaltningskostnad på 25 pst. av de midlene som er bevilget. Jeg sitter i næringskomiteen, og jeg synes denne riksrevisjonsrapporten gir veldig gode betraktninger rundt hva slags virkemidler vi faktisk må prøve å fokusere på framover. Jeg tror vi skal ta den med oss i de framtidige vurderingene. Såkornfondene er

Vi har i dag tjenester og produkter vi knapt kunne drømme om for bare 30 år siden. Dette kan vi takke smarte gründere og oppmerksomme og ikke minst risikovillige investorer for. Samtidig må vi politikere gjøre det vi kan for å bidra til gode rammevilkår og vekstmuligheter for næringslivet – og særlig for gründerbedrifter. Verdiskaping er grunnlaget for velferden. Innovasjon, nytenkning og verdiskaping er det som driver Norge Kristelig Folkeparti mener derfor det er viktig at staten legger til rette for å gi nye innovative og nytenkende selskaper en god start. Her er såkornfondene et av flere relevante virkemidler. Modellen med landsdekkende såkornfond innebærer at forvaltere velges av Innovasjon Norge på bakgrunn av en konkurranse. Private investorer støttes gjennom at de får en høyere eierandel enn deres kapitalbidrag skulle tilsi. Dette er en god modell, som også sikrer at privat kapital og kompetanse utløses, og fondene blir forvaltet på en profesjonell måte. I budsjettforliket for inneværende års budsjett gikk flertallet, bestående av Kristelig Folkeparti, Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre, inn for å opprette et nytt såkornfond for Agder/Telemark i tråd med den etablerte modellen. Det norske næringslivet er inne i en vanskelig tid knyttet til lavere oljepris og stigende ledighet. Omstillingsprosessen innebærer at nye arbeidsplasser må skapes. Kristelig Folkeparti mener derfor det er viktig med et nytt såkornfond som bidrar til å kunne skape disse nye arbeidsplassene, og vi er glad for at det ble flertall for dette. Lokalisering i Agder/Telemark gjør at fondet har en naturlig plass i en region som opplever ringvirkningen av nedturen sterkt. Vi tror at dette kan bidra til å skape nye arbeidsplasser.

og hvordan har oppfølgingen fra departementet og Innovasjon Norge vært? Dette er noen av de spørsmålene som Riksrevisjonen har forsøkt å gi svar på, og i Riksrevisjonens gjennomgang pekes det på en hel del svakheter som vi skal merke oss, bl.a. når det gjelder oppfølgingen både fra departementet og fra Innovasjon Norge, som også saksordføreren var inne på i sitt innlegg. Kristelig Folkeparti stiller seg bak de anbefalingene som Riksrevisjonen gir. gir. Vi merker oss at også statsråden i sitt brev erkjenner behovet for forbedringer i forvaltningen av ordningen. Nettopp fordi såkornfondene er høyst relevante virkemidler nå, i en tid hvor omstilling er helt nødvendig, er det viktig at fondene fungerer godt. Derfor tror vi at Riksrevisjonens rapport er et viktig grunnlagsdokument når statsråden og Stortinget skal gjøre sine vurderinger videre. videre. Jeg har tillit til at statsråden følger opp dette på en fornuftig måte. Det er

Begrepet såkornfase er nytt for meg. Når man sår et frø, får man en vekst, så det er vel tidlig vekstfase man snakker om her. Enten er det såkorn, eller så er det vekst. Dette har spiret dårlig. Det har spiret dårlig, og den som sår, står da overfor spørsmålet om man skal så en gang til, eller om man skal satse på noe annet. Jeg tror det er det som er saken her. Riksrevisjonen peker på at i perioden 1998–2014 har ingen store vekstbedrifter vokst fram, det er høy risiko, Innovasjon Norge har fulgt opp lite systematisk, og departementet har ikke lagt godt nok til rette for læring og oppfølging av langsiktige resultat av såkornordningen. På godt norsk er vel det

Statsråden oppgir at konkrete tiltak vil bli vurdert nærmere, og det er betryggende. Komiteen avventer dette. Jeg vil bare si det – for å ha analogien til begrepet såkorn – at såkorn trenger å bli sådd på fruktbar jord. Det som vokser opp da, må det stelles godt med under våkne, faglige og dyktige øyne. Det er mange farer, det er mange krevende ting som en spirende plante blir utsatt for. Det vi har fått avklart her fra Riksrevisjonen, er at det har ikke skjedd. Det kan ikke være sånn at teknologibaserte bedrifter i en tidlig fase på denne måten skal være avhengig av statlig kapital. Dette var dårlige resultater. Jeg er veldig enig med representanten Gundersen som sa det på en annen måte, men jeg følte det var samme konklusjon. jeg følte det var samme konklusjon. Jeg håper at statsråden kommer tilbake med en grundig vurdering av om dette er den rette måten å drive på, eller om man må så noe annet på den jorda man har. Omstilling av økonomien har høy prioritet for regjeringen. En

Dessverre har ikke de to første generasjoner såkornfond gitt de resultatene vi ønsker, verken når det gjelder bedriftenes utvikling, eller når det gjelder avkastning. Riksrevisjonen påpeker at det fra disse fondene ikke er skapt bedrifter med flere enn 50 ansatte der investeringene er gjort i såkornfasen, og at det er stor fare for at staten ikke får tilbakebetalt renter og avdrag. Jeg er selvsagt ikke fornøyd med disse resultatene.

av at de tidlige fasene er såpass krevende, ser vi at private investorer er tilbakeholdne med investeringer i tidlig fase. Derfor er statlige tiltak påkrevet. Til tross for sine svakheter har såkornfondene også fordeler sammenlignet med rene tilskudd, som ofte er alternativet til investeringer med denne type risiko. Vi får med vi gir bedriftene incentiver til å ta riktig risiko og nå milepæler for å utløse mer finansiering. I tillegg viser historien at det til tross for svake resultater er noe retur av kapital til staten.

I tillegg bygger vi på opparbeidet kompetanse gjennom at forvaltere av tidligere generasjoner såkornfond har fått fornyet tillit. Gjennom opprettelsen av nye fond i Trondheim og Oslo har vi sett at tredje generasjon såkornfond er attraktive for både investorer og forvaltere. Det er imidlertid slik at staten har liten innflytelse på fondenes utvikling utover å lage rammebetingelsene for Vi er bundet av avtaler på inntil 15 års varighet. Dette gir forvaltere og investorer forutsigbarhet til å gjennomføre sine strategier og utvikle selskapene basert på sin kompetanse. Jeg mener at Riksrevisjonen har laget en god og grundig rapport om såkornfondene, og vi har selvsagt merket oss den kritikken Riksrevisjonen

Så vil jeg også begynne med å vise til Stortingets forrige behandling av denne saken, som fant sted 1. juni 2015, altså for et litt langt år siden. Jeg viser i den forbindelse formelt til komiteens innstilling 260 S for 2014–2015. Det er også nødvendig å vise til at det var en enstemmig som åpnet sak og gjennomførte en omfattende høring før Stortingets behandling i plenum den gangen, altså i 2015. Også foran den behandlingen som finner sted i dag, var det en samlet komité som besluttet å åpne saken på nytt. Det var også en enstemmig komité som besluttet at det skulle være ny høring. Under komiteens behandling av

selv selvsagt vil redegjøre for sitt syn. Jeg er etter to års arbeid med denne saken i komiteen glad for at alle de andre partiene – altså utenom Høyre – stiller seg bak den flertallsinnstillingen som legges fram her i dag. Det viser at det er en svært som er av den oppfatning at det var riktig og helt nødvendig å behandle saken slik som det er gjort, og som stiller seg bak de konklusjoner som dette flertallet står bak. Så til det viktige: Korrupsjon er i strid med menneskerettighetene. Korrupsjon opprettholder fattigdom og hindrer velstandsutvikling. Korrupsjon undergraver demokratiet. Korrupsjon hindrer konkurranse og undergraver markedet. Derfor er korrupsjon ulovlig, i henhold til både norsk og internasjonal lovgivning. Korrupsjon er moralsk forkastelig og politisk fullstendig uakseptabelt. Korrupsjon finnes også i vårt eget samfunn, så derfor må vi være på vakt og aldri la oss vikle inn i en forestilling om at dette angår alle andre, men ikke oss. Korrupsjon antar mange former. Det er ikke lenger penger i brune konvolutter, men smarte opprettelser av fiktive selskaper, med eiere i land som lever av å skjule dem og dets verdier. For å unngå korrupsjonsskandaler kunne alle norske selskaper kanskje holde seg unna land hvor korrupsjon er utbredt. Vi ønsker ikke det. Det er bred politisk enighet om at det generelt er positivt at norske selskaper engasjerer seg internasjonalt, også i land der selskapene vil bli møtt av etiske utfordringer. Det er her eierskapspolitikkens klare budskap om nulltoleranse for korrupsjon kommer inn. Regjeringen og Stortinget sender et budskap om en form for balanse. Det er fritt fram for å etablere seg i land hvor korrupsjon er utbredt, men det er nulltoleranse for den samme korrupsjonen. Budskapet er at de som opptrer i et land som er preget av korrupsjon, må være seg bevisst hva deres opptreden faktisk bidrar til. De må forholde seg til at det er risiko for korrupsjon, de må kartlegge risikomomenter og ha rutiner for oppfølging og regelmessig gjennomgang av disse, og det må være en klar forankring i ledelsen. Disse forholdsreglene kan med andre ord ikke forbigås eller slurves med. Det er ingenting – jeg understreker, ingenting – som heter litt toleranse for korrupsjon. Viser det seg umulig,

De samme reglene gjelder der staten er minoritetseier i et selskap som igjen eier deler av et annet selskap, som i vårt tilfelle med VimpelCom. Det er ikke mer eller mindre toleranse for korrupsjon i de tilfeller, selv om det må gjøres annerledes og er mer krevende. Telenor har i denne saken framført at de har gjort en stor jobb med å implementere sitt antikorrupsjonsprogram i VimpelCom. Det tror jeg på. Det er helt sikkert at de har gjort det. Men vi kan i hvert fall nå slå fast at det ikke har vært noen suksess. Poenget mitt er imidlertid at når man ikke kommer noen vei med å implementere eller korrigere de virkemidlene som ligger til grunn for å bekjempe korrupsjon, hvis påvirkning ikke nytter, og hvis avvikene er uakseptable, må de trekke seg ut, slik som den nye konsernsjefen i Telenor har besluttet. Jeg konstaterer dessuten, med tilfredshet, at statsråd Mæland har gitt uttrykk for det samme synet i et møte hun hadde for et par dager siden med 30 sentrale styreledere i selskaper som er hel- eller deleid av staten. Komiteen har registrert dette og vil uttrykke sin tilfredshet med statsrådens politiske standpunkt og ståsted på dette området. Så til det neste: Det er politi og påtalemyndighet som etterforsker eventuelle brudd på lovforbudet mot korrupsjon. Selvsagt er det det. Men det er i kjernen av kontrollkomiteens virke og ansvar, slik komiteens oppgave er definert i Stortingets forretningsorden, å følge opp at Stortingets vedtak om statlig eierskap holdes i hevd. Her er det ingen motsetning mellom politikk og politi. Snarere tvert om: Stortinget gir ytterligere autoritet til politiets arbeid med den måten som komiteens flertall har forstått sin rolle på. Og som sakens ordfører er jeg glad for å kunne fastslå at et bredt flertall her i Stortinget er enig i en slik forståelse. forståelse. Kontrollkomiteens oppgave har, som sist gang vi behandlet saken, vært å avdekke i hvilken grad statsråden har innsikt i, oversikt over og kontroll med selskapet hun er satt til å forvalte, og om hun følger opp sin egen og stortingsflertallets politikk i praksis, og hvor aktivt departementet har vært i sin eierdialog med Telenor og Telenors deleierskap i VimpelCom. Komiteen har i likhet med i forrige høring lagt vekt på hvorvidt eierstyringen som er formidlet i eierskapsmeldingen, slik den framkommer i Meld. St. 27 for 2013–2014 og vedtatt av Stortinget, er fulgt opp. I meldingen er forventningen til for å forhindre korrupsjon forsterket av statsråd Mæland, og Stortinget har uttrykt det som må kalles nulltoleranse for korrupsjon. Denne saken var faktisk avsluttet fra Stortingets side. Det var ikke Stortingets eget initiativ som førte til at saken ble reist på nytt – inntil 30. oktober 2015. Det var først da næringsministeren i brev av 30. oktober 2015 informerte komiteen om at det forelå informasjon som var ny for departementet, og det kom fram at disse opplysningene hadde en alvorlig karakter, at komiteen den 3. november 2015 besluttet å gjenåpne saken. Det var også en enstemmig komité som planla å holde en ny høring 16. desember 2015 på dette grunnlaget – en enstemmig komité. Slik ble det ikke, for den 4. desember 2015 mottok komiteen et brev fra Riksadvokaten hvor det ble vist til at det etter påtalemyndighetens oppfatning var reell fare for at en høring på det daværende tidspunkt kunne skade etterforskningen, og med en anmodning om at komiteen vurderte om det var mulig å utsette høringen i seks måneder. Riksadvokatens anmodning ble etterkommet all den tid komiteens ansvar og oppgave er av en annen art enn politiets, og komiteen ville selvfølgelig ikke stå i veien for etterforskningen. I mellomtiden skjedde også følgende: Den første høringens hypotese om korrupsjon i forbindelse med VimpelComs ervervelse av telelisenser i Usbekistan ble sannhet da VimpelCom den 17. februar 2016 varslet om at selskapet hadde inngått et forlik med amerikanske og nederlandske påtalemyndigheter. Som en del av forliket betalte VimpelCom 795 mill. amerikanske dollar i bøter og inndragelser til amerikanske og nederlandske myndigheter og godtok å være underlagt uavhengig ekstern oppfølging i minst tre år. VimpelCom erkjente i forliket at korrupsjon hadde funnet sted. En av verdens største korrupsjonssaker var et faktum, og et norsk selskap, Telenor, som i en årrekke har drevet virksomhet over hele kloden og nytt stor respekt og tillit, var involvert – men ikke direkte. Og la meg understreke dette med «ikke direkte», for det har blitt gjort mange forsøk på å framstille vår oppfatning av dette på en fordreid måte, særlig på to områder. Det første er: Kontrollkomiteen har aldri forvekslet VimpelCom og Telenor, men vi påpekte i forrige runde at Telenor tross alt er største minoritetseier, med 43 prosents stemmevekt ved generalforsamling i VimpelCom, og har nominert tre styremedlemmer til VimpelComs styre, og hadde vetorett

eller på noe sett og vis ment at de har bidratt aktivt til korrupsjon. Komiteen har hele tiden sagt tvert imot dette. Vi har hele tiden ment og sagt at en slik potensiell korrupsjonsskandale i et selskap som Telenor er deleier i, er belastende for de ansatte. En annen viktig grunn til at kontrollhøringen som var bebudet i desember, ble utsatt, var ønsket om å vente på Deloittes uavhengige gjennomgang av Telenors oppfølging og håndtering av eierskapet i VimpelCom. Det var en rapport som var varslet å komme våren 2016, etter at styret i Telenor å engasjere Deloitte for å gjøre en gjennomgang av Telenors oppfølging og håndtering av eierskapet i VimpelCom. Den 29. april 2016 overleverte Deloitte sluttrapporten for gjennomgangen av Telenors håndtering av eierskapet i VimpelCom. Konklusjonen var at Deloitte ikke hadde funnet at Telenors ansatte hadde vært delaktige i korrupsjon eller andre lovbrudd, men avdekket svakheter internt i Telenor, En helt sentral del av rapporten omhandlet dessuten Telenors håndtering av en alvorlig bekymringsmelding i 2011 fra en av Telenors ansatte, som var utlånt av VimpelCom. Vedkommende formidlet sin bekymring om mulig korrupsjon til lederne i Telenor og Telenors nominerte styremedlemmer i VimpelComs styre. Og her vil jeg – tydelig og høyt fra Stortingets talerstol – takke varsleren spesielt for den innsatsen som vedkommende har gjort. Bekymringen gikk imidlertid ikke videre til Telenors daværende konsernsjef før i mars 2014 og til Telenors styre i desember i 2014. Denne informasjonen ble fiskeridepartementet i oktober 2015. Jeg gjentar dette en gang til, helt bevisst: Det gikk til styret i desember 2014, men kom ikke til Nærings- og fiskeridepartementets kjennskap før i oktober 2015 – altså ti måneder etter at styret i Telenor var orientert om saken, ti måneder! Og det var foranledningen til næringsministerens henvendelse til stortinget og kontrollkomiteens beslutning om å gjenoppta saken og avholde kontrollhøring. Når disse to årsakene til utsettelsen er redegjort for, vil jeg igjen understreke at beslutningen om å avholde kontrollhøringen hele tiden har ligget fast, selv om høringen først ble avholdt 27. mai i vår. De nye opplysningene som næringsministeren bragte videre, betydde at Stortingets behandling hadde skjedd på feil premisser. Næringsministeren la fram ufullstendige opplysninger for Stortinget simpelthen fordi det var disse opplysningene hun satt med. Komiteen mente på denne bakgrunn at en ny omfattende kontrollhøring var nødvendig. Det er i og for seg riktig at Stortinget ikke lenger måtte avdekke hva statsråden visste. Det hadde hun opplyst oss om i sitt brev av 30. oktober. Men komiteen mente det var nødvendig å avholde en høring om hva statsråden burde fått informasjon om, og hvilke opplysninger som burde tilflytt henne, og dermed til Stortinget. Feil opplysninger til Stortinget er som kjent en alvorlig parlamentarisk sak. Ikke minst var det viktig for flertallet å få klarlagt om gjeldende rett, vedtatt av Stortinget, var til hinder for å oppfylle Stortingets vedtak om nulltoleranse for korrupsjon, om de strukturer – kinesiske murer, som de visstnok kalles visstnok kalles – som i Deloittes rapport er framhevet effektivt å ha hindret informasjon i å flyte mellom VimpelCom og Telenor, og om det var lovene som konstruerte vanntette informasjonsskott mellom Telenor og deleide VimpelCom. Selv om det i høringen kom fram at det er noe ulikt syn på hvordan gjeldende lovverk er å forstå, eller kanskje det snarere handlet om hvordan det ble formidlet til komiteen, så gikk uansett professor Bråthens budskap i retning av det han selv sa: «Man skal være klar over at som styringsredskap er eierskap i børsnoterte selskaper et veldig sløvt og dårlig styringsredskap. Så svaret er vel at dette i hvert fall er vanskelig.» Og vanskeligheten lå i oppfølging av nulltoleransen for korrupsjon. Det ville jo vært svært dårlig nytt for oss alle hvis det hadde blitt konklusjonen. I så fall hadde statsråden måttet svare på hvordan regjeringen kunne gå til Stortinget og få vedtatt lover som ville satt en effektiv stopper for å hindre korrupsjon. Eller sagt på en annen måte: Hvordan vedtatte lover hindrer stortingsflertallets ønske eller vedtak om nulltoleranse for korrupsjon. Komiteen fikk imidlertid bekreftet at det var en annen måte å se dette på. Advokat Knudsen, som også var bedt om å komme som ekspert på selskapsrett, hadde slik komiteen oppfattet det, et litt annet syn. I hans innledning ble det formulert slik, og jeg siterer deler av det et ganske sikkert utgangspunkt at utenom generalforsamlingen har departementet som aksjonær ikke noe rettskrav på å få ut opplysninger fra Telenor. Skal man ha et egentlig rettskrav som kan gjennomtvinges ved hjelp av rettsordenen, må det skje gjennom generalforsamlingen. På den andre siden er det et like sikkert utgangspunkt at det ikke er noe generelt forbud i aksjeloven mot at Telenor frivillig gir departementet relevant informasjon. Aksjeloven har ingen generell regel om taushetsplikt, og dermed heller ikke noe generelt forbud mot deling av informasjon mellom selskapet og departementet. Og som vi skal komme tilbake til, mener jeg at man i en viss utstrekning også må kunne forvente at selskapet gir informasjon som er av betydning for staten som eier, særlig når dette har bakgrunn i en høring i Stortinget, og som Stortinget har interesse for.» Videre i spørsmålsrunden sa han: «Det er naturlig at partene i denne sammenheng tar opp spørsmål som aksjonærene er særlig opptatt av, så som spørsmål om korrupsjon når det gjelder staten som eier. Dette er spørsmål som staten gjennom eierskapsmeldingen har flagget at man er særlig opptatt av. Etter mitt syn bør departementet da etter omstendigheten også kunne forvente at informasjon om mulig korrupsjon gis av eget tiltak.» Komiteens flertall mener at advokatens syn og svar i høringen var oppklarende. Komiteen synes det er betryggende å vite at det ikke er vedtatt lover som er til hinder for å forfølge Stortingets vedtak om nulltoleranse for korrupsjon. Vi slår fast at statsråden kunne og burde ha fått opplysninger om varsling om korrupsjonsmistanker i VimpelCom, som først direktøren i Telenor satt inne med, som deretter konsernsjef og styreleder visste om. Informasjonen nådde som kjent ikke statsråden før Stortingets høring i januar 2015 og heller ikke før Stortingets behandling i plenum i juni 2015 og villedet dermed statsråden til fullt ut å slutte fullt ut opp om ledelsen i Telenors virkelighetsbeskrivelse. Først i oktober 2015, etter at Telenor hadde fått ny fikk statsråden opplysninger om at Telenor hadde kunnskap som statsråden kunne fått på et langt tidligere tidspunkt. Vi mener – og jeg mener – at statsråden på en forbilledlig måte videreformidlet de nye opplysningene uten opphold til komiteen. En konsekvens av at de nye opplysningene ble avdekket, ble avdekket, var at styrelederen i Telenor gikk av som en følge av manglende tillit fra statsråden. Deloitte understreket i høringen at det som står i deres rapport, er at bekymringsmeldingen, som kom fram i 2011, «skulle ha kommet til ledelsen i Telenor og til styrets kunnskap på et tidligere tidspunkt. alvorlighetsgraden av den bekymringsmeldingen burde man ha tatt med seg i vurderingen av den informasjonen som skulle bli gitt til eieren.» Komiteen legger vekt på at kritikken i Deloittes rapport mot ledelsen i Telenor er langt sterkere enn det den har blitt forsøkt framstilt som av dem det først og fremst gjelder: tidligere konsernsjef og tidligere styreleder i Telenor. Komiteen tar Deloittes rapport til etterretning. Rapporten taler for seg om hva som faktisk har skjedd i saken. Vi registrerer at den nye ledelsen i Telenor, styreleder så vel som konsernsjef, har gitt uttrykk for at de mener at dette var en svært alvorlig og vanskelig sak for Telenor. Vi er glade for at de legger til at det også har gitt en viktig læring, og at de allerede har startet arbeidet med å implementere de forbedringspunktene som er framsatt i Deloittes rapport. Det er et selvstendig og viktig poeng for kontrollkomiteen at saker ikke skal gjenta seg. Og jeg legger til: Et viktig budskap fra Stortingets side i denne saken er at nulltoleranse for korrupsjon er alvorlig ment. Gjennom komiteens omfattende behandling av denne saken sendes det en beskjed til norsk næringsliv i sin alminnelighet og til hel- og delstatlige selskaper i særdeleshet: Korrupsjon er uakseptabelt, og Stortinget vil følge opp statsrådens innsats for å holde nulltoleransen i hevd. Til slutt: Vi er svært tilfreds med at statsråd Mæland har understreket verdien av Stortingets arbeid med saken. Hun understreket også den viktige forskjellen fra forrige behandling her i Stortinget til denne,
fordi de ikke visste og – selv om de spurte – ikke ble fortalt. De hadde gjennom eierdialogen ingen mulighet til å avdekke at Telenor gjennom eierskap i VimpelCom ikke fulgte opp den forsterkede innsatsen mot korrupsjon som slås fast gjennom eierskapsmeldingen og Stortingets vedtak om nulltoleranse for korrupsjon.
og som er alvorlig nok med tanke på det tillitsbaserte eierskapet vi har i Norge, er at dem statsråden skulle ha tillit til, styret i Telenor, ikke viste seg å være denne tilliten verdig. Daværende styreleder og daværende konsernsjef i Telenor forledet statsråden, sist gang saken var til behandling i kontrollkomiteen, ved ikke å informere henne om opplysninger om bekymringsmeldinger de begge hadde kunnskap om, før hun møtte i komiteens kontrollhøring. Fordi det passet den daværende ledelsen å holde informasjonen tilbake, sendte de statsråden til Stortinget med uriktige opplysninger. Det sier mye om respekten for største eier. Jeg vil også si det slik at deres opptreden overfor Stortinget Det ble fra tidligere konsernsjef og tidligere styreleder i Telenor lagt spesielt vekt på at de ville være åpne og sannferdige, men samtidig snakket de uriktig og ufullstendig til Stortinget. Dels mente de at håndteringen av bekymringsmeldingen ikke var en viktig opplysning, fordi den ifølge Advokatfirmaet Hjort ikke var i strid med norsk lov, og dels at opplysningene ikke skulle videreformidles av hensyn til etterforskningen. Etter at VimpelCom nå har erkjent korrupsjon og betalt en rekordhøy bot, setter det disse holdningene i et meget spesielt lys. Helt til slutt: Statsråden brakte til Stortinget det som statsråden hadde kunnskap om. På den måten ga hun Stortinget feil opplysninger, fordi hun hadde tillit til at reglene for godt eierskap og de lovene som et selskap som Telenor må forholde seg til, var fulgt. Vi klandrer ikke statsråden, men mener at denne saken har avdekket at staten som eier må vurdere om tillit er tilstrekkelig, eller om andre virkemidler også må vurderes. Et flertall mener også at Nærings- og fiskeridepartementet, da saken ble brakt videre til departementet i oktober 2015, kunne ha valgt å granske Telenor framfor å overlate til Telenor å ta den beslutningen. Til slutt vil jeg si at det er en samlet komité som understreker hvor alvorlig og ødeleggende korrupsjon er, og at det er et stort flertall som mener at Stortinget skal og må følge opp statens eierskap på dette punktet. Jeg er glad for og vil takke

neste omgang er det

presisere: burde vært saklig begrenset – til en parlamentarisk kontroll med statsrådens og departementets forvaltning av statens aksjepost i Telenor. Av innstillingen vil det, utover selve det operative vedtaket om at vi vedlegger denne anselige innberetningen i protokollen, også fremkomme en del

vårt norske Telenor, ikke kan lastes for korrupsjonshandlinger utøvd av VimpelCom i Usbekistan. Egentlig kunne saken vært kvittert ut med en enstemmig komitémerknad, noe i likhet med den avholdt i innledningen. Men jeg synes at gjennomgangen vi fikk, har behov for noen supplerende perspektiver. Jeg velger å ta et litt overordnet perspektiv. De færreste kunne vel forestilt seg at statsselskapet Televerket, som rundt 1980 administrerte en telefonkø på ca. 100 000 etter beste planøkonomiske prinsipper, skulle danne grunnlaget for dagens Telenor, som er en av de mest vellykkede teknologibedrifter i Forutsetningene var at staten omorganiserte eierskapet til det som ble et børsnotert selskap, med et betydelig innslag av private medinvestorer, med armlengdesavstand-prinsippet fra politikere til dem som er ute og arbeider i markedet og driver med teknologiutvikling, og med internasjonalisering, profesjonelt styre Jeg har av og til sett at noen etterlyser de nasjonale strategene av den typen vi hadde da Hydro-eventyret ble dratt i gang i begynnelsen av det 20. århundret. Jeg mener at vi har nasjonale strateger, og at det nettopp var folk som Tormod Hermansen og Jon Fredrik Baksaas som i de to siste

underbygget sysselsetting og verdiskaping i Norge på en helt annen måte enn om man hadde fortsatt som et statsselskap fullstendig under departemental styring og kontroll. Jeg ser ikke bort fra at det er oppfatningen av at det fortsatt forholder seg slik styringsmessig, som kanskje også kan ha preget synet på hvordan man opptrer som eier eier overfor et allmennaksjeselskap. Overgangen fra et statsselskap underlagt direkte departementsstyring, nærmest på linje med et direktorat, til et børsnotert selskap av internasjonale dimensjoner har altså bidratt til en enorm verdiskaping til glede for fellesskapet. Dette betyr ikke at den offentlige styringen av selskapet svekkes. Men den blir annerledes. Man oppgir politisk detaljstyring, men selskapet underlegges lover og regler som er like for alle – lover og regler vedtatt i denne salen. Det betyr at staten som eier også underlegger seg sitt eget lovverk, enten det er allmennaksjeloven, verdipapirhandelloven eller børsreglementet – og selvsagt også det som ble sentralt: straffebestemmelser mot korrupsjon i Norge og ikke minst internasjonalt. Det er slik det må være i en rettsstat. Hvordan staten skal håndtere sitt eierskap, er beskrevet i flere stortingsmeldinger, og det har til nå vært bred enighet om prinsippene – ikke minst fordi eierskapet er inndelt i grupper, alt etter hvilke formål selskapene tjener, og hva staten ønsker med sitt eierskap i dem. Eierskapet skal være verdiøkende, men for alle gjelder det at det må skje innen en samfunnsmessig sammenheng som tar vare på miljø og mennesker og selvfølgelig respekterer den internasjonale og nasjonale rettsordenen. Som børsnotert selskap må eierinnflytelsen gjøres gjeldende gjennom Telenors egne selskapsorganer, dvs. generalforsamlingen og, i det daglige, styret. Dette eierskapet må utøves med respekt for børsreglement Dette eierskapet må utøves med respekt for børsreglement – det at allmennheten samtidig med alle andre har krav på opplysninger som kan ha betydning for deres etterspørsel etter aksjer – og for medeiere, dvs. andre private aksjeeiere i selskapet. Som ledd i den brede internasjonaliseringen har Telenor hatt en mindretallspost i VimpelCom, som ikke har gitt styring over dette selskapet. Derimot er VimpelCom som børsnotert i New York underlagt amerikansk lovgivning. Og det er amerikanske myndigheter som har utvist nulltoleranse mot korrupsjon, og som sammen med andre lands påtalemyndigheter har ledet etterforskningen i korrupsjonssaken i Usbekistan, der VimpelCom betalte store penger for en 4G-lisens til presidentens nærmeste krets. Korrupsjonssaken er avsluttet. VimpelCom har vedtatt en rekordbot på vel 6 mrd. norske kroner mot å frigi bevismateriale og medvirke til sakens oppklaring. De har også underlagt seg et strengere kontrollregime i en treårsperiode. Det internasjonale politisamarbeidet og en bredt anlagt straffeforfølgelse endte med en historisk høy foretaksstraff – vel fortjent. Straffeforfølgelsen av VimpelCom bør glede tilhengere av internasjonalt økonomisk samkvem og minne skeptikerne om at alternativet til global utveksling av tjenester, varer og kapital ikke er isolasjon, ikke tollmurer og ikke proteksjonisme, men en stadig bedre utbygging av den internasjonale rettsordenen, med en effektiv rettshåndhevelse. Det har vi fått. Så gjelder det overgangen fra vårt kjæreste Telenor til den internasjonale arenaen. Det er en påminnelse om at man skal velge sine samarbeidskamerater og -partnere med omhu. Telenor hadde i en overgang status som vitne i saken, men er nå ute av saken. Det synes jeg Telenors mange ansatte hadde fortjent å høre fra denne talerstolen. Telenor har oppnevnt styremedlemmer for sin mindretallspost i VimpelCom, men Telenor er ikke anklaget for noe, og er heller ikke bebreidet for noe av offisielle Selskapet har latt foreta en gransking av sin egen opptreden under hele forløpet, en rapport som ble ferdigstilt av advokatfirmaet Deloitte. Her rettes det riktignok kritikk mot enkeltpersoner utgått fra Telenor, men som utøvde verv i VimpelCom, og de høster også kritikk for å ha slått seg til ro med at korrupsjonsanklagene i Usbekistan skulle vært undersøkt nærmere, og også at de uskjønnsomt ikke formidlet opplysninger videre på et tidligere tidspunkt. Det kan settes spørsmålstegn ved vurderingen hos enkeltmennesker, men under komitéhøringen ble det fra den daværende norske direktøren i VimpelCom gitt en gjennomgang av en rekke tiltak, også ved hjelp av eksterne instanser i USA, USA, som responderte på ryktene, men altså innstilte undersøkelsene. Også disse undersøkelsene blir påstått forledet av forfalsket dokumentasjon fra utro funksjonærer i VimpelCom. Det gjenstår fortsatt etterforskning mot enkeltpersoner som kan holdes ansvarlig for det som har skjedd i VimpelCom, men vi er definitivt ute av det man kan gjøre Telenor ansvarlig for. ansvarlig for. Jeg synes ikke saksordførers innlegg skilte godt nok mellom enkeltpersoner utgått fra Telenor og hva man involverer et helt selskap i. Det har i det hele tatt vært krevende å holde orden på partsforholdene, men det er også en del av arbeidet når man gransker ut fra et parlamentarisk ståsted, at man holder rede både på hvilke reglementer og regler som gjelder, og ikke minst på partsforholdene. Uansett – den gjenstående uklarheten som er av offentlig interesse i saken, er om det er personer med tilknytning til Norge som i egenskap av verv i VimpelCom eventuelt skal være blant de funksjonærene selskapet vil rette ansvaret mot, og det gjenstår det altså å se. Etter norsk lovgivning kan bestikkelse og korrupsjon få strafferettslig etterspill for norske borgere selv om handlingen er utført i utlandet. Disse sakene vil altså bli konkludert av påtalemyndigheten og av domstolene. Jeg finner igjen grunn til å understreke at Telenor ikke har noen uoppgjorte forhold med politimyndighetene, men på et visst stadium av saken i en overgang har vært vitneprov. Ingen bebreidelse er rettet mot Telenor som selskap. Det må likevel minnes om at enkeltpersoner med tilknytning til selskapet i Deloitte-rapporten ble kritisert for uskjønnsom håndtering av informasjon i forbindelse med en bekymringsmelding om VimpelCom, for øvrig fra en varsler som var utlånt fra Telenor, og som selvfølgelig kom fra en annen bedriftskultur. Jeg synes også det er verdt å nevne ved denne anledning at noe av den gjenstående kritikken mot den tidligere ledelsen i Telenor går ut på at man ikke behandlet varsleren og varslerens bekymring på en skjønnsom måte. Komiteen fikk jo en smakebit på at det er vanskelig alltid å treffe de riktige avgjørelsene, da vi selv stod overfor et valg hvor man eventuelt for all verden skulle offentliggjøre varslerens identitet, en anonymitet som er helt vesentlig for varslingsinstituttet, og som har vært respektert av alle andre – hva man nå måtte si er gjort av uskjønnsomme vurderinger,

Ettersom den internasjonale etterforskningen ikke har gitt grunnlag for kritikk av Telenor, kan selvsagt heller ikke eierne av selskapet, verken staten eller de private, lastes. Ingen i Næringsdepartementets eierskapsavdeling har blitt kritisert for manglende oppfølging, og følgelig er det heller ikke noe igjen av et eventuelt ministeransvar eller noe grunnlag for å rette kritikk mot statsråd Mæland.

i strid med det som kanskje var en arbeidshypotese underveis, der man trodde at Telenor kjente til eller brukte andre selskaper nærmest som et skalkeskjul for å tjene penger på uhederlig vis i andre verdenshjørner. Jeg synes en del av de resonnementene som saksordfører gjorde seg i den anledning, etter det som nå foreligger, ikke lenger er så sentrale å trekke frem. Jeg vil avslutte med å si litt om nulltoleranse mot korrupsjon. Det er ikke et uttrykk som brukes i eierskapsmeldingen. Det blir derimot brukt som én av mange forventninger til de bedriftene hvor staten involverer seg på linje med at man skal være aktsom mot barnearbeid, mot utnyttelse av arbeidsstokken og mot å belaste miljøet. Nulltoleransen som den norske stat viser, kommer til uttrykk i straffeloven. Derfor er det etter mitt syn et veldig smalt belte med en gang det kommer opp et spørsmål om korrupsjon, hvor vi bare må si at dette ikke er politikk, det har med politiet å gjøre. gjøre. Det er ikke slik at disse gjensidig, løpende og parallelt understøtter hverandre, og da gjelder det jo nettopp å overlate saken til påtalemyndigheten. Jeg vil også fremholde det paradokset at når man snakker seg varm om det konkrete arbeidet mot korrupsjon, og snakker seg varm om den aktive oppfølgingen politiet kontrollkomiteen selv kommet i skade for å gå i veien for den norske påtalemyndigheten, som også hadde et internasjonalt samarbeid på et visst tidspunkt, hvor man var i ferd med å innkalle til høring personer som var siktet nettopp til å forklare seg om sakskomplekser de kunne være mistenkt for. I stedet for å gå på alle disse enstemmighetspåberopelsene fra saksordfører vil jeg bare si at på et tidspunkt før riksadvokaten grep inn og ba kontrollkomiteen holde an for ikke å forspille bevis, var denne problemstillingen reist av Høyres to medlemmer i komiteen. Det var ikke fordi vi hadde gått på et spesielt kurs. Det kan ha sammenheng med at vi hadde lest den veiledningspermen som hele komiteen fikk ved sin tiltredelse, skilleark nr. 11, hvor vi ikke bare ble minnet om arbeidsdelingen mellom statsmaktene, men også om Stortingets egen forutsetning da kontrollkomiteen ble skapt i sin nåværende form, at komiteen ble bedt om å holde seg unna saker som var eller kunne bli etterforsket. For alle som kunne lese innenat, var det en klar beskjed. Det var synd at komiteen da ikke klarte å avgrense sin egen aktivitet på en måte som ikke brakte nettopp politiarbeidet i forlegenhet. Når vi nå snakker om at saken er gjenopptatt, er det selvfølgelig med den forsinkelse som komiteen Vi kan glede oss over sluttresultatet. Vi har fått avklaring – strafferettslig internasjonalt. Vi har fått satt fast et selskap som har drevet med korrupsjon i Usbekistan. Vi har slått fast at Telenor ikke har noen andel i dette. Og vi har slått fast at det heller ikke har vært noe å si på statens eierstyring av sin aksjepost. Men jeg synes vi har fått en nyttig gjennomgang, både av hva komiteen gjør når den gjør arbeidet sitt på det beste, og av hva vi kan lære til neste gang. Det blir replikkordskifte.

statsråden har sagt akkurat det motsatte. Statsråden har sagt – som jeg forstår henne, i hvert fall – at det var veldig nyttig at Stortinget tok opp dette, det var veldig nyttig at vi gjennomførte høringen. Det er da av betydning for Stortinget, når det er en såpass tydelig uenighet mellom Høyres hovedtalsmann i kontroll- og konstitusjonskomiteen og statsråden, å få klargjort hva Høyre egentlig mener om dette. Er det slik at dette var politisk helt unyttig og egentlig ikke burde skjedd – slik som jeg forstår representanten Tetzschner? Det trenger vi en avklaring på nå. Det skulle jo ikke være nødvendig, for jeg avsluttet nettopp med at høringen hadde hatt nyttige aspekter – men den har også hatt unyttige aspekter. Jeg kan godt utdype de unyttige, som komitélederen har et særlig ansvar for. Det er nemlig slik at komiteen har kommet til å så tvil om hvorvidt vi følger våre egne eierskapsprinsipper, ved å etablere direkte kommandolinjer og ansvarsforhold til ledelsen i private rettssubjekter. Det ble også krevd utlevert dokumenter som, hvis vi hadde gått inn i dem, etter forholdene kunne gjort oss registreringspliktig etter verdipapirhandelloven Så jeg kan si at det er en blanding. Men jeg vil ikke avvise at det har vært et nyttig lærestykke, og det vil komitéleder også kunne se av den stenografiske utskrift etterpå – at jeg ikke frakjente høringene enhver verdi. Nei, da registrerer jeg det. Jeg skal komme tilbake til aspektet som knytter seg til eierstyringen i et senere innlegg i debatten, det tilhører ikke replikken, synes jeg. Men jeg vil understreke at det i Stortinget, i komiteen, men også i det offentlige rom, har i Stortinget, i komiteen, men også i det offentlige rom, har vært et veldig tydelig engasjement for at denne debatten ikke skulle funnet sted, høringen skulle ikke funnet sted, og Tetzschner har gjort seg til talsmann for det. Statsråden sier noe annet. Nå sier Tetzschner at det har vært til en viss grad nyttig og til en viss grad læring. Det er i hvert fall noe – det er i hvert fall noe av en innrømmelse overfor en stor Stortinget. Høyre bør ta til etterretning at de er alene i sin forståelse av hva som var nødvendig og riktig i disse sammenhengene. Så vil jeg si kort: Jeg hører hva han sier om at det er smale veier å gå når vi skal håndtere korrupsjon. Men nulltoleransen for korrupsjon, slik den er å forstå og som Stortingets flertall har formulert: Mener representanten at dette er et helt unødvendig vedtak fra Stortingets side? For det første tror jeg ikke komitélederen kan vise noe sted hvor den formuleringen er brukt. Nulltoleransen fra statens side inntrer ved vedtak av straffeloven. Det er derfor jeg sa at det var en smal margin før man gikk fra mistanke om korrupsjon, til at dette var noe politi og påtalemyndighet må avklare. Så får man avvente, på bakgrunn av avklarte fakta, hvilket systemansvar som skal rettes mot selskapet hvor man har en eierandel, selvfølgelig også med respekt for det aksjonærdemokratiet som finnes, og hvor det til slutt kan være snakk om å rette et kritisk blikk mot statens eierforvaltning – om den har vært aktiv nok. For øvrig må jeg si at når det gjelder å vurdere Stortingets hensiktsmessighet av høringer, er det noe som ligger utenfor statsråden å ha spesielle oppfatninger om.

har heller aldri gjort det. Vi har ikke drevet noen form for etterforskning på noe vis, men vi har fått klargjort en veldig vanskelig situasjon – nemlig at eierskapsstyringen ikke ble fulgt av Telenor, og det satte statsråden i en veldig vanskelig situasjon. At ikke Høyres representant, som representerer hennes parti, entydig stiller seg bak det, er et forunderlig politisk standpunkt.

Så er det dette poenget som representanten Kolberg har, om at Høyre er blitt stående alene i mange av sine uttalelser og sine merknader. For det første vil jeg legge vekt på at det vi er sammen om, er at det ikke var noe i saken som var å kritisere departementet for, og at vi sammen går til Stortinget med ett operativt vedtak, nemlig å vedlegge det protokollen. For det andre har vi funnet det nødvendig å skrive inn i våre merknader det vi ikke er alene om, nemlig Stortingets forutsetninger da kontrollkomiteen ble opprettet, som faktisk er lovmotivene, og vi føler oss meget vel med at vi også på mange punkter ligger nærmere tidligere eierskapsmeldinger enn det det ser ut til at representanten Kolberg gjør for tiden.

når hun uttaler i høringen at hun synes det var viktig at kontrollkomiteen tok opp denne saken? Den var alvorlig da – den har blitt mer alvorlig nå. Jeg er enig i at påstander om mangelfull statlig oppfølging i seg selv er berettigende for å ha en sak. Det gir meg også anledning til å utdype noe jeg ikke kunne i sted, av tidsmessige hensyn. Det å etablere en sak er vi med på, men det betyr ikke at vi har vedtatt høringer, for høringer er et stort anlagt hjelpemiddel hvis man etter forundersøkelser finner ut at det er mer som skal spørres om, særlig overfor statsforvaltningen. Det betyr at vi kan reservere oss mot både høringenes omfang og ikke minst deres innhold, og det gjorde vi også i god tid før Riksadvokaten kom til det samme. Det var ikke høringen som idé, men det var høringens innhold – ved å invitere personer til å uttale seg om forhold de egentlig var siktet for. Den uttalelsen jeg siterte, er også direkte knyttet opp til høringen. Betyr det at representanten Tetzschner er uenig med statsråd Monica Mæland når hun uttaler at det var viktig at vi hadde både saken og høringen? Jeg tror man må ha en nokså barokk fantasi for å finne et grunnleggende motsetningsforhold mellom det som statsråden sier under en høring, og det jeg nå sier, når vi presiserte hva vi var imot når det gjaldt høringens innhold. Jeg regner med at når det gjelder Riksadvokatens og påtalemyndighetenes mulighet til å arbeide seg ferdig med en sak. Det var heller ikke det statsråden uttalte seg om. Jeg har også selv sagt her at vi har fått en nyttig gjennomgang på noen punkter, som vi kan ta lærdom av, men det betyr ikke at vi går god for innholdet – heller ikke mesteparten av det innholdet som vi har brukt uforholdsmessig mye tid på. Da hører jeg at representanten Tetzschner er enig i at det var viktig og riktig at kontrollkomiteen behandlet denne saken. Unnskyld – saken, ja; det er jo ikke noe problem. Christensen har ordet. Unnskyld. Tusen takk, president! Er det sånn at det er noen andre av Stortingets vedtak representanten Tetzschner mener at kontrollkomiteen bare med forbehold bør undersøke hvorvidt departementet følger opp, eller er det bare det som dreier seg om korrupsjon? Jeg får ikke helt tak i hva som var det finurlige i det spørsmålet. Kontrollkomiteen må jo forfølge de sakene som de finner av interesse. Det er klart at i en første fase, hvor man også ble meddelt at VimpelCom nærmest var et datterselskap av Telenor, var det en del av bakenforliggende ordrelinjer og ansvarslinjer som ikke var fullt ut kartlagt. Da er det helt naturlig at komiteen bruker tid for å gå inn i en sak, for så å se om man skal forfølge den videre. Det jeg protesterer mot, og som sikkert også spørreren har fått med seg, er omfanget og ikke minst gjennomføringen, temavalg og personvalg for en del av disse høringene, som dessverre har dessverre har brakt komiteen lenger fra målet. Og jeg synes vi ser det ganske klart, i og med at vi har et enstemmig forslag til vedtak her i kveld: Vi vedlegger saken protokollen. Representanten Tetzschner sier at han er uenig i omfang, gjennomføring og temavalg og kommer med ganske udefinerte kommentarer om sideløpende kommentarvirksomhet. Faktum er at

og forsøke å gå rimelig dypt inn i dette for å få fram faktum i den største korrupsjonssaken som har berørt selskap med norske eierinteresser. Det var utrolig krevende. Og det er ganske sterkt å erfare at representanten Tetzschner da mener at vi ikke skal gå inn i dette. Mitt spørsmål er: Hvorfor denne uviljen mot å gå inn i en så krevende sak, en så krevende sak, som har gitt oss så mye viktig kunnskap, og som statsråden allerede har begynt å følge opp gjennom de møter hun har med selskapene? Det er ikke uvanlig at statsråden – og jeg forstår at i det siste eiermøte har man igjen gjort det – understreker det samfunnsansvaret alle som driver forretning, har. Og der staten lar seg med, skal det selvfølgelig også være høye forretningsetiske standarder. Jeg tror kanskje representanten Lundteigen ikke har lagt stor nok vekt på at VimpelCom er et selskap som ligger utenfor norsk jurisdiksjon, og at det er Telenor staten er medeier i. Det er altså ikke VimpelCom statsråden har eierdialogmøte med. Så hvis man ikke ser og holder orden på partsforholdene, kan det bli en meget vidløftig affære, og orden på partsforholdene, kan det bli en meget vidløftig affære, og det er også kanskje en av grunnene til at den er blitt det. Komiteen er veldig klar over det som skjedde i 2009 da VimpelCom Ltd. ble etablert under statsråd Brustads tid. Det ble etablert med hovedkontor i Nederland, skattekontor i et skatteparadis og børsnotert i USA. USA. Det ligger utenfor norsk jurisdiksjon – ja, men det som er saken, er jo at Stortinget har sagt at en har nulltoleranse for korrupsjon. Og det gjelder da de selskaper som staten har eierandeler i. Det er Telenor, og så har Telenor en videre struktur, som da også impliserer VimpelCom. Det som er spesielt, er at dette er så krevende. Og

mistanke om korrupsjon – det er da også gjort av rette myndighet. VimpelCom er etterforsket av politimyndighetene i tre land. Det er altså inngått et forlik, under strenge vilkår, som tilfører halvparten av de 6 mrd. kr til USA og halvparten til Nederland. Korrupsjonsvirksomheten har altså fått sin velfortjente straff.

er et selskap som er utrolig sentralt, og som opererer i mange land, hvor det er svært krevende forhold. Komiteen har vært nøye på å skille mellom hva som er politiets ansvar, og hva som er det politiske ansvaret. Stortinget har avklart at her skal det være nulltoleranse for korrupsjon. Det som har vist seg i denne saken, er at det har vært et system som i liten grad har fungert sånn at en har greid å fange det opp. Gjennom denne saken har komiteen fått kunnskap om virkelighetens verden. En kan legge til side noe av den naivitet som har vært der tidligere, og det som er så overraskende, er at ikke Høyres representant – jeg vil si i motsetning til statsråden – går grundigere inn i dette for å lære og bli bedre. Det må være sentralt for at det skal stå til troende når en sier at en virkelig er mot korrupsjon, sånn som representanten Tetzschner mange ganger sier. Dette begynner å bli nokså meningsløst. Det som kreves, er en slags sinnelagserklæring. Den kan Lundteigen få herved! Vi motarbeider korrupsjon. Nettopp fordi det er en straffbar handling, er det ikke mye rom å gå på før det er en sak for politiet. politiet. Så til det andre: Det er grunnleggende sett et norsk selskap som statsråden har tilsyn med, altså indirekte gjennom aksjonærfellesskapet, og det er slik at en gransking har slått fast at Telenor ikke er å laste. Dermed blir heller ikke statsråden å laste. Det er selvfølgelig alltid mye å lære av dette komplekset. Det er slik man lærer av ting, enten man er direkte involvert eller ikke. Jeg synes en viktig læring også er at den internasjonale rettsorden har sørget for at de som drev korrupsjonshandlinger i Usbekistan, har fått svi for det. Dermed er replikkordskiftet over.

der det er media som bringer kunnskap om forhold i selskap der staten er medeier, og der det er forhold som ikke synes helt greie vedrørende økonomiske disposisjoner og i henhold til eierskapsmeldingen om nulltoleranse for korrupsjon. I utgangspunktet er det riktignok ikke rettet noen mistanke om uregelmessigheter mot Telenor, men mot selskapet VimpelCom,

ble det besluttet å avholde høring i saken. Gjennom den første høringen forventet komiteen at komité og statsråd ville sitte med samme kunnskap som representantene fra Telenor ved styreleder og konsernsjef. Dette hadde en grunn til å tro, da styrelederen og konsernsjefen sa at de ville fortelle

etter at han framla nye og alvorlige opplysninger han hadde tatt med til statsråden. Med bakgrunn i dette ble det etter hvert besluttet å avholde nok en høring, tilsvarende den første, og det framkom her at representanter for ledelsen i Telenor på et tidligere tidspunkt var kjent med tidspunkt var kjent med mistanke om korrupsjon i VimpelCom som var framsatt av en Telenor-ansatt, for tiden utleid til VimpelCom. Som tidligere nevnt har Stortinget nulltoleranse for korrupsjon, og det videreføres av næringsministeren inn mot de selskapene der staten er medeier. For Telenor spesielt gjelder det samme vedrørende nulltoleranse for korrupsjon, noe de selv også har uttrykt gjentatte ganger. På dette grunnlag kan ikke jeg begripe at Telenor ikke har en rapporteringsinstruks som sørger for at en urovekkende melding om mistanke om korrupsjon i selskaper som eksempelvis VimpelCom, som kommer til finansdirektøren og juridisk direktør, når konsernsjefen og styret i Telenor. Selv om dette bare var en mistanke, forventes det – ettersom korrupsjon er svært alvorlig i vårt samfunn – at selv den minste mistanke om korrupsjon blir rapportert til øverste leder i de ulike konsernene og derigjennom videreformidlet til vedkommende eierskaps eksempelvis departement. Fremskrittspartiet finner på dette grunnlag å rette kritikk mot ledelsen i Telenor, med konsernsjef og styreleder, delvis for at informasjonen om korrupsjonslignende forhold kom sent fram til styret, og delvis for at Telenor som selskap tydeligvis har hatt for dårlige rutiner til å kunne fange opp slike meldinger som vi her har sett. Komiteen vil rette sterk kritikk mot tidligere konsernsjef og styreleder i Telenor for bevisst å ha holdt unna viktig informasjon fra både statsråd og storting, selv om de i høring har sagt at de har fortalt alt de visste. Dette framstår således som løgn fra deres side. Når det gjelder statsråden, vil Fremskrittspartiet påpeke at statsråden i denne sammenheng har opptrådt eksemplarisk og gjort det hun kunne ut fra tilgjengelig informasjon. Fremskrittspartiet beklager sterkt at også statsråden er blitt feilinformert i denne saken av den nevnte ledelsen fra Telenor. Fremskrittspartiet finner ingen grunn til å framsette noen kritikk mot statsråden i denne saken, derimot gi ros for å ha vist godt lederskap. For øvrig har Fremskrittspartiet merket seg at statsråden selv selv ved siste høring uttrykte at komiteens gjennomgang og høring har vært nyttig. Selv om slike saker har mye negativt preg i media, vil Fremskrittspartiet tro at en slik gjennomgang av et stort selskap som staten er medeier i, vil ha en positiv effekt i læringsøyemed. Saken vi har til drøfting i dag, dreier seg først og fremst om hvilken eierstyring det

kravet til nulltoleranse for korrupsjon overfor Telenor. Med bakgrunn i debatten som har vært ført rundt denne saken, både i og utenfor Stortinget, er det grunn til å gå nærmere inn på Kristelig Folkepartis syn om hvorfor vi mener dette er en sak som hører hjemme i kontroll- og konstitusjonskomiteen og i Stortinget. Komiteen har ved to anledninger enstemmig besluttet å åpne sak og gjennomføre kontrollhøring. Begge ganger har formålet vært å undersøke hvordan statsråden har fulgt opp Stortingets vedtatte eierskapspolitikk i praksis. Komiteen har vært bevisst på at rollen som etterforskningsorgan er overlatt politi og påtalemyndigheter. Vår oppgave har vært å vurdere eierstyringen statsråden har utført med bakgrunn i den til enhver tid tilgjengelige informasjon. Komiteens mindretall, Høyres medlemmer, har i siste runde, etter at saken var besluttet tatt opp i komiteen og høring bestemt, endret syn og isteden hevdet at denne saken er en ikke-sak for kontroll- og konstitusjonskomiteen. Begrunnelsen synes å være at fordi politi og etterforskningsmyndighetene ikke har funnet noe Telenor kan lastes for, har saken ikke noe å gjøre her i Stortinget. Den kritikk Høyre har framført både i merknader og utenfor Stortinget mot komiteens håndtering av denne saken, synes først og fremst å bygge på resultatene av en politietterforskning. Jeg har lyst til å understreke at kontroll- og konstitusjonskomiteen aldri på noe tidspunkt har tatt opp saken for å finne ut av om Telenor har gjort noe straffbart. Vår oppgave har derimot hele tiden vært å konsentrere oss om Stortingets vedtak om definisjon av god eierstyring og hvordan dette er blitt fulgt opp av statsråden overfor Telenor. Ja, så langt går Høyre, og her får de også overraskende følge av Fremskrittspartiet, at de slår fast at, jeg siterer fra merknaden, «ettersom den internasjonale etterforskningen ikke har gitt grunnlag for kritikk av Telenor, kan heller ikke eierne av selskapet, hverken staten eller de private, Men når flertallet i komiteen, inkludert Kristelig Folkeparti, likevel mener at dette er en sak, til og med en viktig sak, for komiteen og for Stortinget, handler det selvfølgelig ikke om at vi ikke har lest hva politietterforskningen har konkludert med overfor Telenor. Det handler om hva Deloitte-rapporten slår fast, det handler om hva styreleder Wærsted og konsernsjef Brekke har uttalt, nemlig at saken kunne vært håndtert på en bedre måte, og som konsernsjef Brekke uttalte, at saken ikke ble håndtert i henhold til Telenors etiske standarder. Det handler om hvordan korrupsjonsmistanker blir videreformidlet i dialog med eier, om hvordan statsråden ble informert, og hvordan hun har fulgt opp overfor selskapet. Da må jeg si at jeg er svært forundret over at et parti som Høyre velger å stemple saken som vi har til behandling i dag, som en all den tid alle som har jobbet med denne saken, inkludert styreleder og konsernsjef, har konkludert med at saken har vært håndtert på en kritikkverdig måte. Også statsråden har karakterisert saken som alvorlig og hadde ikke lenger tillit til tidligere styreleder. Så kan det hevdes, og jeg hører enkelte sier, at når ledelsen i Telenor erkjenner kritikkverdige forhold, er det et internt forhold i og mellom Telenor og selskapets eiere, og at statens rolle først og fremst handler om eierskapet som forvaltes av departementet ved statsråden og gjennom de etablerte systemene for eierskapsutøvelse. Det skal derfor være komiteen uvedkommende. Det er riktig at eierskapet skal forvaltes gjennom departementet og de strukturene som er etablert, og som Stortinget har bestemt skal gjelde for den statlige eierskapsutøvelsen. Det er riktig at det er dette som er essensen, men da kommer også den parlamentariske kontrollen inn i bildet. Vi kan ikke se bort fra det i denne saken, etter vår oppfatning. Som det folkevalgte organet enhver regjering springer ut av, er det nettopp Stortingets oppgave å føre kontroll med den eierskapsutøvelsen som finner sted, og som er besluttet av Stortinget. Stortinget. Vi skal føre kontroll med på hvilken måte Stortingets vedtak om nulltoleranse for korrupsjon blir fulgt opp. Så har jeg sagt tidligere og sier det igjen: Stortinget kontrollerer regjeringen og i dette tilfellet ansvarlig fagstatsråd. Når vi skal forberede en sak for Stortinget knyttet til dette, må vi etter vår oppfatning gå under overflaten. Da er informasjonen fra Telenor Vi er nødt til å forholde oss til den informasjonen som framkommer, og som danner grunnlag for komiteens vurdering om hvorvidt regjeringen og statsråden har fulgt opp Stortingets vedtak. Da er ikke Telenor-ledelsens erkjennelse kun en sak for Telenor og eierne. Da er erkjennelsen og den informasjonen som leder fram til erkjennelsen, også relevant og viktig for komiteen og verken komiteen eller Stortinget skal bedrive operativ eierskapsutøvelse. Det mener vi at vi heller ikke gjør. Derimot skal komiteen gjøre jobben sin, nemlig finne ut av om statsråden har gjort det hun kan for å sikre at Stortingets vedtak om nulltoleranse for korrupsjon har blitt fulgt opp. Det er komiteens oppgave, og det er det vi har gjort i denne saken. Etter Kristelig Folkepartis syn var derfor høring nummer to viktig med tanke på å få inn relevante synspunkter med utgangspunkt i den kritikk Deloitte-rapporten presenterte. Det var også viktig for å klarlegge bakgrunnen for statsrådens oppfatning av saken og forståelsen av hennes håndtering. Deloitte-rapporten legger til grunn en saksframstilling som alle stort sett har

En av de viktigste sidene ved kritikken som ble reist i Deloitte-rapporten, var at det ikke ble lagt opp til en konstruksjon internt i Telenor-konsernet som kunne ivareta varslingene om korrupsjonsmistanke på en mer helhetlig måte, og som samtidig ivaretok kravet om konfidensialitet. Svarene som ble gitt i høringen av både inviterte eksperter på og nåværende styreleder og konsernsjef, var at en slik etterlyst konstruksjon som Deloitte-rapporten etterspør, hadde vært fullt mulig å etablere. Som styreleder Værsted slo fast under høringen: «Og det er klart at med det fokus som det nå har vært på denne saken, så tror jeg ikke det er noen i Telenor som er i tvil om at har man tvil og bekymring som er rettet mot kriminelle handlinger som korrupsjon, så skal det løftes oppover i systemet.» Det var betryggende å høre. Sammen med Deloitte-rapporten var det de ulike beskrivelsene av hva man visste med tanke på korrupsjon, som var en av hovedårsakene til at komiteen fant det på sin plass å gjenåpne saken igjen høsten 2015. Det kan ikke herske noen tvil om at tidligere konsernsjef og tidligere styreleder ikke formidlet hva de visste på det tidspunktet da første høring ble gjennomført i januar 2015. Begge har i ettertid hevdet at opplysningene om mistanke om korrupsjon ikke var viktige opplysninger fordi de ifølge advokatfirmaet Hjort ikke ble håndtert på en måte som var i strid med norsk lov. Når disse opplysningene heller ikke ble formidlet til statsråden av samme grunn, er det grunn til å slå fast at både statsråden og Stortinget ble ført bak lyset. Det er derfor viktig å understreke fra Kristelig Folkepartis side at vi stiller oss fullt og helt bak statsrådens reaksjon overfor daværende styreleder da hun fikk kjennskap til denne informasjonen. Vi opplever at hun har handlet på en eksemplarisk måte og tatt Stortingets krav til nulltoleranse for korrupsjon på det dypeste alvor. Det merker vi oss, og det setter vi pris på. Så er ikke dette den eneste saken hvor norske statlig eide selskaper enten har vært involvert i mistanke om korrupsjon eller blitt dømt for korrupsjon. I lys av de senere års saker av denne karakter gir det grunn til å reise problemstillingen om i hvilken grad det norske styringssystemet fungerer godt nok.

For de norske selskapenes del, som har vært innblandet i korrupsjon, synes det ikke som om problemet handler om mangel på anti-korrupsjonsprogrammer. Det det har skortet på, er manglende etterlevelse. I noen av disse tilfellene kan det synes som om man rett og slett ikke har vært godt nok forberedt på å etablere virksomhet i land preget av stor grad av korrupsjonskultur. Manglende kjennskap til markedet, for dårlig kjennskap til landet man skal etablere seg i og forretningspartnerne man skal forholde seg til, synes ifølge Transparency International å være noen av de viktigste forholdene som skaper grunnlaget for å bli dratt inn i en korrupsjonskultur. Det er grunn til å etterspørre i hvilken grad de statlige selskapene har vært godt nok forberedt på disse utfordringene, og i hvilken grad man har strategier som kan komme disse utfordringene i møte. møte. I neste omgang er det grunn til å stille spørsmål til statens rolle som eier. På hvilken måte skapes det bevissthet i selskapenes styrer om at det på disse områdene ikke bare er korrupsjonsprogrammer som det er nødvendig å etablere, men strategier for hvordan slike situasjoner skal takles. Et viktig spørsmål å stille til statsråden i dag er om hun føler seg trygg på at hun har tilstrekkelige

Det betyr ikke at man fra statens side skal drive etterretningsvirksomhet, men at en stiller tydelige krav og ikke minst har verktøy som gjør at man kan følge opp forventningene i praksis. For Kristelig Folkeparti, som for flertallet i komiteen, var det viktig å gjennomføre disse kontrollhøringene som kunne fortelle oss noe om statsrådens eierstyring på bakgrunn av Stortingets krav til nulltoleranse for korrupsjon. Disse har gitt oss svar som gjør oss tryggere på at Telenor som selskap har lært noe av den kritikken det har fått. Ikke minst stiller vi oss bak en statsråd som med all tydelighet har vist at hun tar Stortingets vilje på dette området på dypeste alvor, og har vist handlekraft i en situasjon som krevde reaksjon. Jeg vil ellers gi min tilslutning til saksordførers grundige og gode gjennomgang. Jeg har også lyst til å gi honnør til saksordfører og komiteens leder for den måten han har vært tydelig og stått oppreist på i debatten både innenfor og utenfor dette husets vegger. Jeg vil først takke den anonyme varsleren – en varsler som fortsatt er

så 8. januar, og så 13. januar. E-posten den 13. januar ble ikke oversendt kontrollkomiteen før 16. januar, to dager etter komiteens høring den 14. januar. Så kom det to e-poster på samme dag, den 13. februar, kl. 00.49 og kl. 15.12. Jeg har lyst til å sitere noe fra den første e-posten den dagen: Jeg har lyst til å sitere noe fra den første e-posten den dagen: «Jeg trodde den norske regjeringen, spesielt i forkant av parlamentets høring, ville være klar over visse åpenbare feilaktige fremstillinger. Intensjonen med materialet var å gi en generell oversikt som kanskje kunne være verdt et par spørsmål under høringen, ikke en detaljert oversikt for en etterforskning som egner seg til rettssystemet.» Dette er en uoffisiell norsk versjon fra komitesekretæren. Videre: «For et selskap som hevder å ha nulltoleranse for korrupsjon, er Telenors reaksjon, i hvert fall for meg, forvirrende. Hvis Telenor virkelig var opptatt av å utrydde korrupsjon, ville vel Telenor gå ut og sagt at selskapet tar disse sakene veldig seriøst og bedt om mitt materiale slik at Telenor kunne foreta sine egne undersøkelser. Men Telenors pressemelding synes å være, delvis, avvisende og anklagende, og Telenors etterfølgende uttalelser synes å ha samme tone. For å gjøre det klart, jeg har ikke mottatt noen henvendelser fra Telenor, og i lys av deres offentlige uttalelser, har jeg ikke sett noe poeng i å kommunisere direkte med dem.» Etter dette er det naturlig å se på Telenors pressemelding av 16. januar 2015. Overskriften var: «Informasjonen er sendt til departementet av en anonym kilde signert Der heter det først: «Den mottatte informasjonen beskriver forhold vedrørende VimpelComs inntreden i Usbekistan som er nye for Telenor. Dette gjelder påståtte betalinger utover de som allerede er bekreftet og antatt, samt beskrivelser av VimpelComs inntreden i andre markeder.» Videre heter det: «Telenor vil påpeke at flere forhold gjør det nødvendig å vise ekstra aktsomhet. Informasjonen som gjelder perioden fra tidlig er ikke lett å forholde seg til, da notatet inneholder en sammenblanding av kjent og ukjent informasjon, påstander og spekulasjoner. I sum kan dette tolkes som et forsøk på å diskreditere Telenor i lys av den alvorlige situasjonen rundt VimpelComs investeringer i Usbekistan.» Det var Telenors pressemelding, publisert 16. januar 2015. I varslerens e-post av 13. februar 2015, den første, står det videre: «For å summere opp: Min taushet er et resultat av 1) Mangel på kommunikasjon med regjeringen eller Telenor med spørsmål om avklaringer eller ytterligere materiale, 2) at jeg i utgangspunktet aldri har søkt å være en del av en offentlig kamp med Telenor og ikke kan se hva videre kommunikasjon med Telenor skal føre til

synes jeg likevel det er fair å reise spørsmål om hvorvidt Telenors ledelse er i stand til å undersøke seg selv.» Videre heter det, i slutten av samme e-post: «Nå, måtte VimpelComs styre godkjenne hver eneste utgift til lisenser, blokkeringer eller anskaffelser? Tilsynelatende ikke, men her er det sundt folkevett kommer inn. Får Telenor sine norske lisenser bak lukkede dører fra dekkselskaper som eies av personer som ikke har noen erfaring med telecom-sektoren? Radiofrekvenser eies og kontrolleres av regjeringer. Ville det ha vært så vanskelig for en av Telenors representanter av og til å spørre «Forresten, hvordan fikk vi de lisensene?» Alt annet enn «en transparent offentlig anbudsrunde organisert av regjeringen», spesielt i land som er synonyme med uklarhet og korrupsjon, kunne gitt opphav til noen oppfølgingsspørsmål.» Dette er etter min vurdering meget, meget gode spørsmål. Den andre e-posten fra whistleblower-en den 13. februar kom

Vi må derimot erkjenne at Telenor ikke lyktes i å håndtere denne viktige bekymringsmeldingen knyttet til VimpelComs investeringer i Usbekistan slik som vi kunne forvente. Derfor er det viktig å slå fast: I framtiden vil vi ikke at taushetsplikt skal være til hinder for at Telenor får kjennskap til og agerer på mistanker om korrupsjon eller andre grove ulovlige handlinger.»

Det var altså svar på mitt spørsmål: «Vil du tilrå at han står fram? Ja eller nei?». Videre sa Sigve Brekke: «Jeg har hatt dialog med varsleren, og jeg valgte også her å gi ham kredit, men på den andre siden er hele varslingssystemet bygd på at man kan beholde sin anonymitet. Hvis det rakner, rakner også mye av måten vi kan sørge for at saker blir tatt fram på.» Departementet må avklare om vi skal ha det slik framover. Representanten Tetzschner sa at det var ubotelig skade for varlingsinstituttet om varslerens identitet ble kjent. Jeg forventer at dette blir fulgt opp av dem som arbeider tettest på det å sikre varslerens interesser. Alle snakker positivt om varslere, men varslere erfarer jo selv når de får rett, stor personlig belastning, og sånn kan det ikke være framover. Den 17. februar 2016 ble det inngått forlik mellom VimpelCom og amerikanske og nederlandske myndigheter etter etterforskning av VimpelComs virksomhet i Usbekistan og tidligere forretninger med Takilant Ltd. Som en del av forliket vil VimpelCom betale 795 mill. US-dollar i bøter og inndragelser til amerikanske og nederlandske myndigheter og være underlagt uavhengig og ekstern oppfølging i minst tre år. Komiteen har ikke hatt tilgang til hva som står i forliket, som innebar en bot som er den største som noen gang er gitt til et selskap med norske eierinteresser, over 6 mrd. norske kroner. Det ikke å ha tilgang til dette forliket er en stor svakhet for komiteens behandling og innstilling. Komiteen har heller ikke fått tilbake dokumentasjonen fra departementet som først ble oversendt komiteen og så sendt tilbake. Det er også en stor svakhet for komiteen for å kunne gjøre seg opp en egen vurdering av situasjonen. Det er stor politisk enighet i komiteen ved behandling av denne saken, men Høyre, anført av representanten Tetzschner, er kraftfullt uenig. På vegne av Senterpartiet slutter jeg meg helt til komitéleder Kolbergs vurderinger Høyres lange merknad kan ikke forstås annerledes enn uvilje mot å få klargjort saken, og dermed også sakens konsekvens: at det trekkes lærdom av det, slik at eierstyring fra departementets side kan endres, og slik at Stortingets vilje, nulltoleranse for korrupsjon, får et langt mer presist og, for selskapene, mer krevende innhold.

taushetsplikt at når en går ut med informasjon til andre enn selskapets ledelse, skal det være et resultat av styrets vedtak – altså at det er styret som bestemmer hva som sies til andre enn selskapets ledelse. Hvor langt det enkelte styremedlems taushetsplikt gjelder, må imidlertid avveies mot de hensyn som gjelder i konkrete saker. Det er rimelig klart at styremedlemmers taushetsplikt ikke kan brukes som begrunnelse for å skjule kriminelle forhold. Ved mistanke om korrupsjon som enkelte styremedlemmer får innsyn i, har, etter min vurdering, et norsk styremedlem i VimpelCom et sjølstendig ansvar for å melde sin mistanke til administrerende direktør og styre i Telenor, og disse har så ansvar for å melde dette videre til staten som deleier i Telenor. Bare til informasjon: Styremedlemmer fra Telenor i VimpelCom Ltd. var i 2011 Jon Fredrik Baksaas, Kjell Morten Johnsen og Ole Bjørn Sjulstad. Etter min vurdering av taushetsplikten burde Telenors daværende administrerende direktør, Jon Fredrik Baksaas, som satt som styremedlem i VimpelCom i 2009, i 2010, i 2011, i 2012 og i 2013, altså i fem år, og tidligere styreleder i Telenor, ha tatt opp med statsråden mistanke om korrupsjon i de mange møter som er avholdt gjennom årene. Dersom disse to lederne i Telenor ikke tok det opp, måtte de være trygge på at andre personer informerte statsråden om mistankene. En slik opptreden er helt nødvendig når en kjenner bakgrunnen for etablering av VimpelCom. Selskapet ble over tid etablert med de norske og russiske statslederne Putin og Vi husker alle veldig godt bildet fra regjeringens representasjonsbolig 12. november 2002, hvor Putin og Bondevik sto bak, og de to konsernlederne signerte, og en av dem var Baksaas. Det var åpent erkjent at de ulike forretningskulturene skapte store problemer i ledelsen av selskapet, og dette burde opplagt tilsi at den statsråd som representerte den norske regjering, hadde et særlig ansvar for å følge årvåkent med på hvordan selskapet utviklet seg. Særlig årvåkenhet måtte opprettes for å hindre korrupsjon, noe som alle erkjente var et stort problem for å få myndighetsgodkjente lisenser i land som f.eks. Usbekistan – et land som har et svært dårlig rykte på dette området. VG hadde et oppslag 7. oktober 2009 om nettopp etableringen av VimpelCom Ltd., der det kom fram at det var et selskap som hadde hovedkontor i Nederland, at eierselskapet skulle registreres på skatteparadiset Bermuda, at ordningen var valgt av juridiske og skattemessige grunner, ifølge Telenor, og at det skulle børsnoteres i USA. Daværende statsråd Brustad sa i sin pressemelding om saken at hun tok forbehold om at hun ikke hadde hatt mulighet til å gå inn i alle de forretningsmessige sidene ved avtalen.

skulle sjølsagt granskingen også ha omfattet administrasjonen og styret i Telenors befatning med saken over tid. Dersom departementet ikke hadde fått oppslutning om dette på ekstraordinær generalforsamling i Telenor, måtte de ha bedt om en aksjerettslig gransking etter aksjeloven, noe som de har anledning til. Etter min vurdering er det en stor svakhet ved komiteens behandling av saken at vi ikke har fått en slik gransking, som ville belyst saken også på ansvarsnivå utover Et sentralt begrep fra Stortinget overfor regjeringen i styringen av statlige hel- og deleide selskaper er begrepet «nulltoleranse for korrupsjon». Det som der er saken, er at det, så langt jeg har funnet, bare er ett sted det er nevnt i en

Det er for øvrig formuleringer som er fulgt opp i statsrådens svarbrev til komiteen av vårt brev av 17. februar 2015. Der spurte komiteen: «Komiteen ønsker opplysninger om hvilke systemer for varsling departementet har bedt om i de statlige heleide og deleide selskaper. Herunder også en vurdering av Telenors håndtering av denne spesielle varslersaken.» I statsrådens brev heter det:

underlagt reglene om varsling i arbeidsmiljøloven.» Departementet har altså vurdert det slik, etter Stortingets merknader, at det er selskapene sjøl som har ansvaret. Den store svakheten ved begrepet «nulltoleranse for korrupsjon» er at innholdet ikke er definert. Det er langt fra tilfredsstillende bare å terpe på denne overskriften uten å gi den et nærmere innhold for hvordan et selskaps ledelse skal oppføre seg for at det ikke skal forekomme korrupsjon. Etter min vurdering må regjeringa gi begrepet et innhold og komme til Stortinget med dette på egnet måte, slik at bevissthetsnivået for hva som må gjøres for å avverge korrupsjon, heves betraktelig. Etter min vurdering må det optimale beviset for nulltoleranse være om selskap kan dokumentere en forsvarlig nulltoleransepraksis. Det har selskapet gjort hvis det, når det har stått overfor et konkret og vanskelig valg, har foretatt en avveining mellom interessante forretningsmuligheter med god inntjening på den ene side, og på den annen side en høy risiko for korrupsjon dersom forretningsprosjektet gjennomføres, såkalt «compliance dilemma». Selskapet må dokumentere, hvis det blir utfallet, at virksomheten her trådte ut av muligheten grunnet for høy risiko for korrupsjon. Dette vil være et godt indisium på etterlevelse av sitt kontrollregime. Etter min vurdering må denne type avgjørelse tas av toppledelsen, noe som vil gi en god dokumentasjon på at ledelsen er i front i arbeidet mot korrupsjon. Den videre forutsetning for kontrollsystemet er at ledelsen instruerer nedover i selskapet om korrupsjonsrisiko, rutiner for håndtering, kartlegging av særlige risikoelementer, konkret oppfølging av disse og regelmessig innskjerping og oppfrisking av rutiner. Etter min tilfredsstilles for at man skal kunne snakke om nulltoleranse for korrupsjon: Selskapet må 1) dokumentere tidligere håndtering av korrupsjonsmistanker, 2) dokumentere hvordan de har nådd sine forretningsmessige mål uten korrupsjon i land som er kjent for omfattende korrupsjon, og 3) dokumentere et opplæringssystem i nulltoleranse og hvordan det er iverksatt i sin egen toppledelse og styre – altså for seg sjøl. Jeg vil påpeke at i enhver slik sak, hvor det har foregått misligheter, er den beste lærdom for organisasjonen at de som har hatt overordnet ansvar, trer tilbake. Det er diplomatisk sagt: trer tilbake. Etter min vurdering er det ikke å ta ansvar når en blir sittende i sin posisjon samtidig som vedkommende sier at nå er forholdene rettet opp for framtida. Enkel organisasjonspsykologi viser at fratredelse fra stilling virker best i hele organisasjonen. Etter min vurdering vil jeg påpeke at størrelsen på foretaksboten er på ca. 6 mrd. kr, og at innholdet i Deloitte-rapporten er så foruroligende og risikoen for nye korrupsjonsoverraskelser er så stor at departementet må ta initiativ til ny gransking dette for å få en total gjennomgang av alt det Telenor foretar seg i utlandet, spesielt i Øst-Europa, Thailand, India og Myanmar, for å kartlegge hvordan nulltoleranse for korrupsjon blir praktisert. Riksrevisjonen – og det vil jeg understreke – må få det faglige ansvaret for dette arbeidet, og at det blir utført på en grundig måte ut fra det norske stortings vedtak og holdninger mot korrupsjon. Jeg vil også gi honnør til saksordføreren for grundig arbeid, for å ha greid å takle denne saken gjennom den storm som den har stått i. Det tjener komitélederen til ære. Jeg har både ris og ros å komme med til komitéleder og saksordfører i denne saken. Først til rosen: Det er

egentlig har vært en veldig raus måte å jobbe på under høringene og før høringene, hvor man også har fått romslige rammer for å stille ferdig spørsmål, selv om man har gått over sin tid. Det har vært bra fra komitélederens side. Jeg skal komme tilbake til risen litt senere i mitt innlegg. Jeg vil også gi litt honnør til Fremskrittspartiet, som både i forsvarssaken og i denne saken har klart å løsrive seg fra Høyre eller Høyres representanter i komiteen. Det er bra. Det er bra at man klarer å se saken isolert sett, fra et eget partiperspektiv og eget perspektiv, uten å være bundet opp til et annet regjeringsparti. Det legger vi merke til, både i forsvarssaken og i denne saken, og det er noe som er verdt å rose. Det er i dag nesten nøyaktig et år siden forrige gang Stortinget behandlet denne saken – for første gang. gang. Det er i utgangspunktet nokså unikt i Stortingets historie at kontroll- og konstitusjonskomiteen gjenåpner en kontrollsak basert på nye opplysninger. Ja, det var ikke bare på bakgrunn av nye opplysninger, men på bakgrunn av helt sentrale aktører – helt sentrale aktører – som ikke snakket sant, verken overfor komiteen i kontrollhøringen eller overfor den ansvarlige statsråd. Det er bakgrunnen for at vi gjenåpnet saken. saken. Det er på denne bakgrunn, med dette som bakteppe, helt uforståelig for meg at det er en rekke sentrale samfunnsaktører og representanter for norsk næringsliv som mener at kontrollkomiteen ikke er ryddig i sitt forhold mellom jus og politikk, og at vi f.eks. ikke forstår taushetspliktens innhold, eller at en kontrollhøring utelukkende skal være et forhold mellom ansvarlig statsråd og Stortinget et syn som også langt på vei deles av Høyres representanter i denne saken, noe jeg skal komme tilbake til. Det har vært urovekkende. Men hadde vi fulgt denne logikken, hadde svært lite av det som i dag er avslørt, blitt avslørt. Hadde vi fulgt denne logikken, hadde Svein Aaser fortsatt vært styreleder i Telenor. For det var nettopp i møte med offentligheten at Aasers forklaring ikke holdt vann. Det var i møte med offentligheten at Aaser til slutt måtte krype til korset og innrømme overfor næringsministeren at han hadde informasjon som ikke var brakt videre tidligere. Går vi tilbake til den første høringen og den behandlingen vi da hadde, gikk flertallets kritikk nettopp ut på at både nåværende og tidligere statsråder stolte helt og fullt på den informasjon som Svein Aaser og Fredrik Baksaas formidlet til sin hoved- og flertallsaksjonær, den norske stat. Logikken er, ifølge kritikerne, at det er helt greit å tilbakeholde informasjon for statsråden under en misforstått forståelse av taushetsplikten, og at Jon Fredrik Baksaas, som var et av Telenors oppnevnte styremedlemmer i VimpelCom, ikke skal ha noen mulighet til å agere som konsernsjef i Telenor på bakgrunn av de opplysningene han erverver gjennom sitt styreverv i VimpelCom. Taushetsplikten skal altså forstås slik at de kunnskaper en konsernsjef erverver gjennom styrearbeid i andre eller underliggende selskaper man også har eierandeler i, ikke under noen omstendighet kan brukes i virksomhet vedkommende er konsernsjef i, fordi de er taushetsbelagt. Det er en veldig interessant lovforståelse denne vurderingen eventuelt skal bygge på. Det ville bety at dersom faktisk visste om korrupsjon i VimpelCom allerede i 2011, skulle han altså vært avskåret fra å agere på det dersom styret i VimpelCom ikke besluttet det. Veldig mye av det jeg sa i debatten om samme sak den første gangen, står seg i dag. Jeg tenkte bare kortfattet å sitere noe av det: «Jeg og dag. Jeg tenkte bare kortfattet å sitere noe av det: «Jeg og Venstre stiller oss helhjertet bak det synet flertallet forfekter i den innstillingen vi nå behandler, når vi hevder at de tre styremedlemmene i VimpelCom som er innstilt av Telenor, er ansvarlig for å følge de samme krav til å arbeide mot korrupsjon som alle andre. De hadde et selvstendig ansvar for å spørre, etterlyse og gjøre alt man kan for å få klarhet i transaksjoner som administrasjonen har ansvaret for, men som det kan stilles kritiske spørsmål ved. Vi stiller oss derfor uforstående til at styremedlemmer som er nominert og hentet fra Telenor, som i andre sammenhenger er et selskap som er blitt rost for sitt arbeid mot korrupsjon, ikke er i stand til å få klarhet i forhold som det er all mulig grunn til å stille kritiske spørsmål ved. Det burde være enkelt å få tilgang til de opplysningene som er nødvendig for å kunne bedømme saken korrekt. At VimpelComs administrative leder fram til for kort tid siden også var en norsk tidligere Telenor-ansatt, burde ikke gjøre dette mer komplisert, for å si det slik.» Den samme administrative leder er, som vi alle vet nå, under etterforskning og siktet av Økokrim, men deltok likevel prisverdig på kontrollkomiteens andre høring. For å gjøre det klart: Jeg tar selvsagt på ingen måte stilling til eventuelle skyldspørsmål i denne saken. Saken kontrollkomiteen har hatt på sitt bord i snart to år, er omfattende og stor. Vi har med en av de største internasjonale korrupsjonssaker å gjøre. VimpelCom, delvis eid av Telenor og underselskapet Unitel, har innrømmet korrupsjon som omfatter mer enn 114 mill. dollar, om lag 1 mrd. kr, i utbetalinger til Usbekistan, en sak som går tilbake til perioden 2006–2012, og som altså dreier seg om oppgjør for telelisenser i utlandet. Spørsmålet har vært, og er, hva som er Telenors kunnskaper om dette, og dernest den norske stats kunnskaper, ettersom vi, det norske folk, gjennom staten er majoritetsaksjonær i Telenor. De som er satt til å lede Telenor, er dermed ikke bare aksjonærene, men indirekte og noe folkelig kan man si også det norske folks fremste tillitsvalgte. Dersom de vet om korrupsjon og lar være å gjøre noe med det, innebærer det et grovt tillitsbrudd. Dersom ledelsen i Telenor f.eks. visste om korrupsjon og ikke informerte Næringsdepartementet, som er den største aksjonæren, som også uttrykkelig har slått fast nulltoleranse for korrupsjon, vil det også innebære et brudd på vedtatte spilleregler. For meg er det dette som er sakens kjerne. For meg og Venstre er det helt riktig at kontrollkomiteen har forsøkt å avdekke nettopp det. Det er vår jobb. Jeg hørte representanten Tetzschner snakke om nulltoleranse for korrupsjon, at den eneste måten å gjøre det på er å overlate dette til til de etterforskende myndigheter. Jeg tror man glemmer da at Næringsdepartementet selv har uttrykt nulltoleranse for korrupsjon, og det påligger også staten å følge opp nettopp de samme regler som man har vedtatt for dette. Konsernsjef Baksaas i Telenor satt selv i VimpelCom-styret i nesten fire år, en nokså umulig dobbeltrolle han selv valgte å plassere seg i. i. Det er nettopp i den perioden at det gikk et meget alvorlig varsel, som vi nå har hørt om, og den varsleren har fått god og riktig ros. Det gikk altså et varsel i den perioden. I en periode på noen måneder var Baksaas ute av det styret. Det skal jeg komme til. Men denne varslingen er altså Baksaas’ nærmeste i konsernledelsen kjent med, og dette vet vi. Både Baksaas’ finansdirektør og juridiske direktør er beviselig orientert. Det samme gjelder for daværende styreleder Svein Aaser i Telenor, på et noe senere tidspunkt. Dette fremkommer i den uavhengige granskningsrapporten fra Deloitte. I tillegg sender varsleren e-post til samtlige av de tre daværende av Telenors oppnevnte styremedlemmer i VimpelCom – utenom Baksaas, for han gikk ut av styret i juni 2011 for å tre tilbake igjen i desember 2011. Også flere andre personer kjenner til denne varslingen i

av de m som har ansvaret for dette, visste – finansdirektør, juridisk direktør, styremedlemmene som er oppnevnt fra Telenor i VimpelCom, varsleren og andre, og etter hvert styrelederen – men at han ikke har fått noe nyss om det. Det er det Baksaas vil at vi skal tro på. Sikkert flere, men også jeg, er blitt kontaktet av folk som har vært tett på konsernledelsen i Telenor i den aktuelle perioden, og de sier rett ut at dette ikke står til Kontakten og samspillet mellom Baksaas og daværende juridisk direktør, Pål Wien Espen, var så tett og fortrolig – og må ha vært så tett og fortrolig – at det ikke finnes noen reell sannsynlighet for at Wien Espen ikke viderebrakte så vitalt viktig informasjon til Baksaas. Baksaas’ forklaring står etter mitt syn ikke til troende. Det er synd at Wien Espen ikke kom til høringen. Det hadde vært en del spørsmål til ham som han jeg hadde også en del spørsmål i høringen til nåværende konsernsjef om dette: om dette kunne skjedd under hans ledelse, altså at hans juridiske direktør visste om så alvorlig korrupsjonsvarsling – så alvorlig at det gikk mellom finansdirektør og juridisk direktør, og at man anmodet denne varsleren om å sende dette skriftlig til styremedlemmene, osv. Såpass alvorlig var det. Så skal da altså konsernsjefen allikevel ikke vite noe om dette. Nåværende konsernsjef sa at det er utenkelig, er utenkelig, det kan ikke skje, iallfall under ham. Så unnlot han å gå videre inn på hvorfor eller hvordan det ikke kunne skje under den forrige. Det er selvfølgelig opp til den enkelte selv å gjøre seg opp en mening om troverdigheten i dette. Men som sagt: Jeg merket meg at nåværende konsernsjef Sigve Brekke under høringen definitivt avkreftet at slikt kunne skje under hans ledelse. Han sa at det var helt utenkelig. da også betryggende at nåværende konsernsjef med all tydelighet sier at dette ikke kunne skje under hans ledelse, det som angivelig skal ha skjedd under den forrige ledelsen: at tidligere konsernsjef ikke visste noen ting, ikke hørte noen ting – selv om folk visste

at han skulle informere Stortinget om alt han visste. I etterkant har han unnskyldt seg med at han ikke helt mente det sånn. Jeg skal sitere fra høringen – og dette er mitt spørsmål: «Baksaas, du innledet i januar med å si at du hadde taushetsplikt. La meg sitere hva du sa til oss da du var her i januar. Det er da stenografisk nedskrevet, og jeg siterer deler av det. Det er mye lengre, men jeg tar slutten: «Jeg anser det men jeg tar slutten: «Jeg anser det som viktig at Stortinget får fyllestgjørende og korrekt informasjon, derfor vil jeg på spørsmål i dag legge taushetsplikten til side og svare med den kunnskapen jeg har i denne saken.»» Så fortsetter sitatet fra høringen – jeg sier til Baksaas: «Du bygde opp under vår trygghet om at du skulle gi oss all informasjon, før du nå selv erkjenner, og også har erkjent i media, at du ikke fortalte oss den fulle sannhet. Har du noen kommentar til det?» Jon Fredrik Baksaas svarer: «Det var uheldig at jeg ikke var presis nok under omtalen av taushetsplikt. Vi hadde hatt en annen diskusjon i forkant av høringen, nemlig om taushetsplikt med hensyn til selskapet, ikke med hensyn til den pågående etterforskningen. Jeg burde ha vært mer presis Det er ikke et lite problem at tidligere konsernsjef og tidligere styreleder i Telenor gjennom å legge spesiell vekt på at de ville være åpne og sannferdige, førte Stortinget bak lyset. Begge har anført at de ikke mente at håndteringen av bekymringsmeldingene var en viktig opplysning, fordi den ifølge Advokatfirmaet Hjort ikke var i strid med norsk lov, og at opplysningene ikke skulle videreformidles av hensyn til etterforskningen. Jeg bare konstaterer at den nye konsernsjefen heldigvis så annerledes på saken og brakte opplysninger til statsråd Mæland, hvorpå Mæland tok de helt nødvendige konsekvenser og avsatte Aaser som styreleder. styreleder. Det levner for øvrig Aaser liten ære at han i etterkant i offentligheten har påstått at statsråd Mæland viste «manglende impulskontroll», og at han har forsøkt å framstille det slik at han gikk av så å si av egen vilje og ikke ble tvunget til å gå av på grunn av uteblitt tillit. Fordi Baksaas og Aaser unnlot å informere – og her er sakens kjerne unnlot å informere – og her er sakens kjerne – både tidligere og nåværende statsråder om de faktiske forhold, fremmes det i dag ingen kritikk mot de ansvarlige statsråder, fordi de ikke visste og – selv om de spurte – ikke ble fortalt. De hadde gjennom eierdialogen ingen mulighet til å avdekke at Telenor gjennom eierskap i VimpelCom ikke fulgte opp den forsterkede innsatsen mot korrupsjon som slås fast gjennom eierskapsmeldingen og Stortingets vedtak om nulltoleranse for korrupsjon.

mindretallets representanter og komitéleder imellom, at disse dokumentene skulle tilbake igjen. Det tror jeg også står noenlunde slik formulert i det brevet, at vi forutsetter at dokumentene vil komme tilbake når høringen vil starte. Det trodde vi på at Arbeiderpartiets representanter skulle stå ved. Så har det vært noen ting i media, noen bekreftede ting, og jeg stilte noen spørsmål om dette til representanten Giske da han var i høringen, om hans kommunikasjon med Martin Kolberg på dette punkt, og noen umiddelbar klarhet fikk vi ikke i det. Men det er slik at saksordfører vitterlig snudde i det spørsmålet, der det oss imellom var helt klar enighet om at disse dokumentene skulle tilbake – og nå skulle de allikevel ikke tilbake. Ikke nok med det, vi har heller ikke mindretallsrettigheter til å hente disse dokumentene. Så det er en forsiktig ris. Det var sikkert ikke det som var planen til saksordfører, men det var slik det ble allikevel. Jeg tror på at det ikke var planen da dokumentene ble sendt tilbake. Men det var sånn det ble, og det synes jeg ikke var ryddig. Og skulle de ikke tilbake, så hadde noen av oss antagelig tatt oss bryderiet med å lese dem da. Så hva andre tidligere statsråder eventuelt har visst, er det litt vanskelig egentlig helt å gå god for. da selv bidratt til – hvis de altså har hatt denne dialogen med komitélederen og saksordføreren om ikke å la komiteens medlemmer få lese de dokumentene, som går tilbake til Trond Giskes egen tid. Så er det med en stor dose undring jeg følger Høyres posisjoneringer i denne saken. Partiet, ved to representanter i komiteen, mener åpenbart at dette ikke er en sak for Stortinget – ikke denne heller; det var jo heller ikke forsvarssaken, det var «navlepilling», og denne saken er heller ikke en sak for Stortinget. Nå er jeg vel å merke litt usikker, for representanten Tetzschner har sagt en del ulike ting om dette. Noe står det i innstillingen, noe har det vært i høringen, noe har det vært på gangen i høringen, noe i media, og noe har det vært her. Så jeg er litt usikker på om de nå egentlig er for eller mot høringen de nå egentlig er for eller mot høringen – nå har jeg hørt begge deler, så nå er jeg veldig usikker. Men de stemte iallfall for å åpne sak og gjenåpne sak, og Høyre demonstrerte dette tydelig under høringen også, at de hadde litt problemer på noen punkter. Høyre demonstrerte dette noe ved at representanten Skutle under høringen på vegne av partiet og Tetzschner avsto fra å stille spørsmål til under høringen på vegne av partiet og Tetzschner avsto fra å stille spørsmål til Jo Lunder. Hans begrunnelse for dette var: «Da vil jeg av respekt for funksjonsfordelingen mellom statsmaktene avstå fra videre spørsmål i denne runden.» Dette var fordi Økokrim på det gjeldende punkt hadde en siktelse mot Lunder. Dette er Høyres innstilling til dette. Hadde det vært sånn at Jo Lunder kom til kontrollhøringen nærmest mot sin vilje, hadde kanskje Høyre hatt et poeng. Og hadde det vært sånn at det var et prinsipp Høyre gjennomgående sto for, hadde kanskje Høyre hatt et poeng. Men for oss som har vært med i denne perioden, var det altså senest i november i fjor at den samme representanten fra Høyre, Skutle, på vegne av Høyre stilte en rekke spørsmål, nærmere bestemt hele 18 spørsmål, til en deltager i høringen om utrangert forsvarsmateriell, som også var under etterforskning og under tiltale av Økokrim for nettopp korrupsjon – og det etter at Skutle gjorde den samme presiseringen av funksjonsfordelingen mellom statsmaktene. Det er underlig, det er i hvert fall veldig lite konsekvent, så det er vanskelig helt å forstå disse posisjoneringene som Høyre gjør. Som jeg var inne på: Jeg er litt usikker på, og det er vanskelig å vite – nå fikk Tetzschner så mange replikker at jeg avsto fra det, for det ble litt for mye her det er vanskelig å vite – nå fikk Tetzschner så mange replikker at jeg avsto fra det, for det ble litt for mye her – om de er for høringen eller mot høringen. Det som sikkert er problematisk, er de direkte sitatene vi har fra statsråden, som i høringen tydelig og klart har sagt på spørsmål fra komitéleder om verdien av Stortingets arbeid med saken, og om det burde vært holdt høring, på ingen måte. Sist vi var i høring, ga jeg uttrykk for at jeg syntes det var viktig at kontrollkomiteen tok opp denne saken. Den var alvorlig da, den er blitt enda mer alvorlig nå, fordi vi vet at VimpelCom har erkjent å ha begått korrupsjon.» Jeg har på ingen måte på noe tidspunkt notert meg at statsråden eller regjeringen er mot denne høringen og mener at det er tøv, det vi her driver med. Sånn sett er det bra dersom Høyres representant Tetzschner har endret syn og nå er har endret syn og nå er av det syn at høringen var viktig. Nå skal jeg gå inn for landing. Vi har dessverre en rekke eksempler den siste tiden på at statlig eller delvis statlig eide bedrifter har en meget lemfeldig omgang med Stortingets helt klare nulltoleranse mot korrupsjon. Hvordan Høyre mener man skal bekjempe denne ukulturen, er i beste fall uklart. Det er litt synd at jeg må si «Høyre», det gjelder jo i utgangspunktet to av representantene i komiteen, men det smitter over på resten av Høyre, for det er merknader fra Høyre som blir stemt over, osv. Men det er åpenbart holdningen fra disse representantene, iallfall når man er i regjering, at dette er noe den ansvarlige statsråd til enhver tid er den eneste som kan og skal håndtere og følge opp – at dette hører ikke høringer eller Stortinget til. Denne saken har med klarhet vist at det ikke er mulig eller tilstrekkelig, og det er også en av grunnene til at Venstre, Grønne og SV har varslet et initiativ til en større høring og sak om korrupsjon og gjennomgang av statlig eierskap til høsten. Jeg har notert meg at komitélederen er positiv til dette, så da håper jeg at vi ikke trenger å presse gjennom mindretallsrettigheter. Men jeg er ikke spesielt optimistisk når det gjelder Høyres støtte til å gjennomføre dette. Men høring blir det, og det er viktig at vi som ansvarlige politikere sier klart fra om at denne ukulturen vil vi til livs. Siden representanten pekte på nytten av sitater, vil presidenten henlede oppmerksomheten på § 55 i Stortingets forretningsorden, hvor det står: «Sitater bør bare brukes i begrenset utstrekning.» Jeg bare nevner det.

SVs syn kjem fram i dei merknadene vi står bak i komitéinnstillinga, og eg trur ein kan seie at dei innlegga som har vore til no, jo er godt dekkjande, og vel så det, for mange av dei vurderingane vi gjer oss om saka. Så eg skal avgrense meg til nokre få refleksjonar rundt den. Den første er at vi kan summere opp til slutt, trur eg, med at departementet og statsråden har handtert saka på ein god måte, at det er ein einstemmig komité som sluttar opp om det, og at vi ikkje har funne kritikkverdige forhold knytte til departementets handtering av saka, verken manglande informasjon til Stortinget eller når det gjeld oppfølging av lover og reglar som Stortinget står bak.

saker som ikkje endar med fullstendig krise og krigstypar, eigentleg aldri burde ha vore i kontrollkomiteen. Eg ser det motsett: Det er jo kontrollkomiteens arbeid med ei sak som vil avdekkje det, og heldigvis er Noreg eit land der det i dei fleste saker viser seg at det er mykje fornuftig å seie, bl.a. om departementas oppfølging. Dette er ei slik sak. Det andre er at saka har, både i komiteen og no i dag i salen og kanskje aller mest i offentlegheita, like mykje vorte ein debatt om saka burde vore teken opp – i så fall korleis, kven som burde ha møtt til høyring, ulike grader av mandat rundt den, altså like mykje ein formdiskusjon rundt den som ein diskusjon om sjølve saka.

men det må finnast ein arena for det, og så må vi etter beste evne klare å la det vere diskusjonar om innhaldet. Mi oppfatning er nok at denne saka har lidd noko under det. Den tredje, og siste, refleksjonen eg vil gjere meg, er at vi har hatt ei rekkje saker i dei seinare åra der selskap der staten har ulike former for og er deleigar, har vorte involverte i forhold der det er mistanke om korrupsjon eller andre uheldige forhold i land med svakt styresett. Sakene er svært forskjellige, men det er, som bl.a. representanten Tetzschner var innom, uttrykk for to gradvise samfunnsendringar over dei siste ti åra. Den eine er at tidlegare heileigde statlege selskap no er aksjeselskap der staten er åra. Den eine er at tidlegare heileigde statlege selskap no er aksjeselskap der staten er deleigar, og det andre er at der mange av dei selskapa fullstendig, eller nesten fullstendig, tidlegare hadde sine eigarinteresser i Noreg, så har andre land vorte viktigare for dei, og delvis land med svakt styresett og betydelege korrupsjonsutfordringar. Ein lærdom eg trekkjer av det, er at det kan hende at meir enn politisk djupdykk i den enkelte saka, må vi løfte blikket vidare til nokre spørsmål Eg er ikkje i tvil om at prinsippet om at det er styra i selskapa som har ansvaret for dei enkelte avgjerdene, skal bestå. Men det er klart at forskjellen mellom det veldig høge nivået og den veldig sterke språkbruken når det gjeld nulltoleranse for korrupsjon, og graden av tydeleggjeringa, kva den skal bety – som Stortinget har – der vil eg seie at det er ein vesentleg forskjell. Det er ikkje sikkert at oppfølginga av regelverk under den visjonen er god nok. Eg trur òg det er grunn til å setje spørsmålsteikn ved og gå djupare inn i korleis dei ulike departementas oppfølging er, om dei er sette opp med tilstrekkeleg gode verktøy – om det er stor nok merksemd på den delen av selskapa. Og sjølvsagt vil det kunne vere ein diskusjon om praksisen, utfordringane som dei enkelte selskapa har. Eg har gjennom dei sakene lært at store norske selskap har veldig stor merksemd om desse temaa, men òg at dei kjem opp i utruleg komplekse situasjonar der det er svært vanskeleg for dei å ta avgjerder, f.eks. kor mykje dei skal rapportere kor tidleg til sitt eige departement, er vanskelege avvegingar dei står i. Det trur eg vil vere ei viktig politisk oppfølging av dette. Elles rundar eg av innlegget mitt med igjen å vise til våre merknader og det

Som jeg ga uttrykk for i kontrollhøringen i saken den 27. mai, er det viktig å påpeke at det ikke er Telenor eller ansatte i Telenor som er anklaget for korrupsjon. Det er imidlertid alvorlig at korrupsjon er avdekket i VimpelCom, som er et selskap hvor Telenor har hatt et betydelig eierengasjement over tid. Saken har fått store konsekvenser for Telenor, og den har reist grunnleggende spørsmål om departementets rolle og om rammene for den statlige eierskapspolitikken. Forventningene knyttet til selskapenes arbeid for å forhindre korrupsjon i forbindelse med sin virksomhet er en viktig del av regjeringens eierskapspolitikk. Forventningene på dette området ble styrket i eierskapsmeldingen som ble lagt fram i juni 2014, og vedtatt av Stortinget i fjor. Så er det slik at ingen kan garantere at korrupsjon eller annen form for kriminalitet aldri vil kunne skje, men vi må gjøre det vi kan for å forhindre det. Mitt ansvar i denne saken har vært å forvalte statens eierskap i Telenor innenfor de rammene som Stortinget har satt for den statlige eierskapspolitikken. Det er rammer som det har vært tverrpolitisk enighet om, og som har ligget fast i lengre tid. Jeg har i flere runder gjort rede for departementets håndtering av denne saken. Som jeg har gitt uttrykk for tidligere, mener jeg at departementet har fulgt opp saken på en grundig måte og med det alvoret saken tilsier. VimpelCom-saken og korrupsjon har i min tid som statsråd vært tema i eierdialogen med Telenor i over 30 møter, i tillegg til skriftlige redegjørelser. Jeg er også glad for at et flertall i komiteen ikke synes å ha innsigelser til departementets håndtering. Denne saken ble fundamentalt endret da jeg i oktober 2015 mottok ny og vesentlig informasjon om Telenors rolle. Jeg mottok da informasjon om at bekymringer knyttet til VimpelCom og korrupsjon hadde vært behandlet på et høyt nivå i Telenors egen organisasjon tilbake i 2011. Dette er informasjon som styrelederen var blitt gjort kjent med på et tidligere tidspunkt, og før kontrollhøringen i januar 2015 og stortingsbehandlingen i juni samme år. Det er min vurdering at Telenors daværende styreleder burde formidlet til departementet at han satt på mer og vesentlig informasjon i saken på et tidligere tidspunkt. Dette var også bakgrunnen for at jeg ikke lenger kunne ha tillit til ham som styreleder i Telenor. Jeg registrerer også at Deloittes gjennomgang gir støtte for faktagrunnlaget knyttet til de vurderingene jeg da gjorde.

Dette er en viktig debatt, og det er en diskusjon som det ligger til Stortinget å ta. Som statsråd ligger det selvsagt ikke til meg å gå inn i en sånn debatt. La meg likevel helt generelt si: Det at det over tid har vært tverrpolitisk enighet om de grunnleggende rammene for det statlige eierskapet, og at disse har vært klart kommunisert og har ligget fast over tid, har vært avgjørende for at det norske statlige eierskapet har vært så vellykket som det faktisk har. Det har bidratt til en god utvikling i selskapene og for de ansatte, det har også bidratt til god verdiskaping til eierne, herunder for staten, og det har bidratt til tillit til det norske kapitalmarkedet. La meg også kort få kommentere et annet forhold i innstillingen, og det knytter seg til at et flertall i komiteen peker på at denne saken har avdekket at staten som eier må vurdere om tillit er et tilstrekkelig virkemiddel i den statlige eierskapsoppfølgingen eller om andre virkemidler må vurderes. Tillit er på ingen måte tilstrekkelig. Staten utøver sitt eierskap ved bl.a. å ta formelt stilling til saker på generalforsamlingen og vurdere oppfølgingen av statens forventninger ut fra selskapenes rapportering til markedet. Men tillit er også helt nødvendig. Fra mitt perspektiv som statsråd og som ansvarlig for utøvelsen av en betydelig del av det statlige eierskapet vil jeg understreke at vi er avhengige av et grunnleggende tillitsforhold mellom en stor eier og et selskaps styreleder for å utøve både rollen som eier og som styreleder på en god måte. Vi er også avhengige av et slikt tillitsbasert forhold for å ha en god eierdialog. Slik er det, og slik må det være. Det er også derfor det får alvorlige konsekvenser når dette tillitsforholdet blir borte, slik det skjedde i denne saken. La meg avslutningsvis få vise til at dette har vært en omfattende og krevende sak, som også har fått betydelige konsekvenser for Telenor. Det er viktig at selskapet lærer av denne vanskelige saken. La meg også gjenta det jeg sa i kontrollhøringen: Det er viktig at vi alle nå bidrar til at det skapes ro rundt selskapet, først og fremst av hensyn til de ansatte, men også slik at selskapets styre og ledelse framover kan fokusere på å gjenreise tilliten til selskapet og iverksette tiltak for at selskapet framover ikke skal komme opp i denne typen saker. Det er anmodet om replikk, og presidenten vil åpne for det.

Mitt spørsmål er: Hva vil statsråden gjøre for å sørge for at det blir en kulturendring eller en kultur i norske selskaper, slik at det å følge Stortingets vedtak om nulltoleranse for korrupsjon er viktigere enn å tjene penger? Takk tilbake for samarbeidet med komiteen. Jeg er glad for spørsmålet, for i et av innleggene som ble holdt her i dag, kunne det virke som om det nærmest er en ukultur i selskapene. Det må jeg bare tilbakevise. Det er ikke mitt inntrykk. Vi må huske på at staten er eier i de største norske selskapene. Mitt inntrykk er at styrene tar dette på alvor, jobber iherdig for å ha regler, ha systemer og Stortingets vilje og våre forventninger gjennom eierskapsmeldingen. Men det er et område som er i utvikling, og derfor var det interessant da jeg tidligere i denne uken møtte lederne i 30 av de selskapene vi har ansvaret for. Jeg møtte disse styrelederne også for to og et halvt år siden, og bare på to og et halvt år hadde retorikken, profesjonaliteten på dette området økt betydelig. Men mitt klare inntrykk er at dette jobber styrene med. Jeg tror alle styrer forstår at man må ha mer enn et teoretisk forhold til det. Dette krever stor grad av aktivitet. Replikkordskiftet er omme. Dette har vært en interessant sak å følge, hele veien, og den har blitt ganske grundig belyst. Jeg tror det er

Jeg var selv saksordfører for den eierskapsmeldingen det blir henvist til, og derfor hadde jeg lyst til å engasjere meg litt i debatten. Jeg mener at de eierskapsprinsippene vi har, er særdeles viktige. Det er da jeg har lyst til å reise en liten pekefinger mot jeg har aldri vært i tvil om at dette kom til å bli en sak i Stortinget, også i kontroll- og konstitusjonskomiteen. Det er åpenbart når et selskap har måttet vedta en bot av den størrelsen som VimpelCom har, at det kommer til å få et etterspill. Men komiteen sier selv i innstillingen at man skal granske i hvilken grad Nærings- og fiskeridepartementet har fulgt opp eierskapsmeldingen, og så henviser man Nærings- og fiskeridepartementet har fulgt opp eierskapsmeldingen, og så henviser man til den eierskapsmeldingen som kom i 2013–2014. Den var knapt nok vedtatt i Stortinget da denne saken eksploderte. Saken har jo aner helt tilbake til 2007, så det er de eierskapsmeldingene som ligger foran i tid, som er minst like relevante. Korrupsjonen er strammet opp, og det har skjedd en betydelig utvikling i hvilke forventninger vi har til selskapene. I næringskomiteen fokuserer vi veldig mye på dette. Vi har jevnlig gjennomganger med statsråden. Nå er det jo mange selskaper som dessverre har kommet i situasjoner der man har fått korrupsjonsanklager mot seg, så det er betydelig og sterk oppmerksomhet rundt hvordan vi skal både løse dette og få strammet opp håndteringen. Men jeg noterer meg også at statsråden har sagt at komiteens engasjement har vært viktig og riktig. Hva annet kunne en statsråd si? Hun mener det sikkert også, men statsråden er underlagt Stortinget, og når Stortinget spør, får man når Stortinget spør, får man jo svar som man roper i skogen. At man åpner sak, synes jeg er helt naturlig – det hadde kommet til å bli sak – men jeg må si at man løper om kapp med etterforskningen hos politiet. Det sier jo også komiteen i sitt brev: at de driver ikke etterforskning. Det at man gjennomførte høringer, og med at statsråden har hatt sin fulle hyre med å rydde opp i hva som har skjedd, er det som har forundret meg gjennom behandlingen. Eierskapsprinsippene og eierskapsmeldingen er særdeles sentralt i dette, og jeg synes komiteen i sin innstilling snur litt på Det er Stortinget som vedtar eierskapsmeldingen. Der gir vi klart uttrykk for våre forventninger til hvordan selskapene skal oppføre seg. Det gir vi til medeiere – vi er ikke eneeiere i disse selskapene – vi gir det til ansatte, vi gir det til långivere og alle som har noe med selskapene å gjøre. Derfor blir jo eierskapsmeldingen helt sentral. Statsråden har fått kontroll- og konstitusjonskomiteens fulle tilslutning til at eierskapsmeldingen er fulgt opp. Men videre styrer vi jo selskapene gjennom at vi har generalforsamlinger, og at vi velger styrer som er fullt ut ansvarlig – som er personlig ansvarlig, de er ikke representanter for enkelteiere inn i styret, de er personlig ansvarlig for å utvikle selskapene best

konsekvens. Det er klart at når man får tillit, har man også ansvar, og det må få en konsekvens når tilliten brytes. Det var det som det ble gitt uttrykk for da. Det er beklagelig at det statlige eierskapet har kommet opp i denne typen situasjoner. Jeg synes vi også skal koste på oss å sende en takk til de internasjonale aktørene. Det til de internasjonale aktørene. Det er særlig amerikanerne som har drevet igjennom denne saken, og som virkelig har satt VimpelCom opp på det internasjonale kartet og fått selskapet til å akseptere en slik bot. Det viser at det er et helt, internasjonalt system som begynner å fungere i anti-korrupsjonsarbeidet. Det er særdeles viktig hvis vi skal få få bukt med dette. For som saksordføreren sa innledningsvis: Man løser jo ikke problemet ved at norske selskaper avstår fra å investere i andre land, også i land der vi kan bli utsatt for korrupsjon, men vi må vite at vi har systemer og oppfølging og selskaper som tar på alvor at vi ikke ønsker å bli innblandet i denne saker. Og jeg har egentlig ganske stor tillit – til hele det norske næringsliv – til at man ikke ønsker det. Ser man på konsekvensene for både Telenor og de andre selskapene som har havnet i denne typen saker, så tror jeg avskrekkingseffekten er særdeles tydelig. Det blir replikkordskifte. Det er interessant å høre representanten Gundersens refleksjoner rundt kontrollkomiteens arbeid, men jeg tok replikk fordi representanten

at Mæland har sagt at denne saken er viktig og riktig, sier Gundersen: Hva annet skulle hun si? Insinuerer representanten Gundersen at næringsminister Monica Mæland ikke sier det hun mener til Stortinget, i høring og i stortingsdebatt, når hun sier at det er viktig og riktig at kontrollkomiteen tar opp denne

Hva annet skulle hun si? Og han sier nå i svaret til meg at hun ikke hadde noe annet valg, og at hun bare svarte det som var forventet av henne. Så jeg spør igjen: Er det slik at representanten Gundersen ikke tror at Monica Mæland mener det hun sier? Det har jeg ingen grunn til ikke å tro. Men igjen: Hva annet kunne man altså ha svart? Jeg har ingen grunn til ikke å tro at man mener det. Som jeg også ble varslet opptatt, og det er helt åpenbart at sakens alvor uansett ville ha ført til at man kom til å få den belyst gjennom kontroll- og konstitusjonskomiteen i Stortinget. Men det er timingen på det, det er når det skjer, og at man løper om kapp med at statsråden hadde sin fulle hyre med selv å skaffe seg oversikt og håndtere det i forhold til selskapene, som jeg setter spørsmålstegn ved. Men det er min betraktning av situasjonen. Sånn sett synes jeg det er litt bemerkelsesverdig at komiteen hele tida påpeker og må dekke seg bak hva en statsråd sa i en sånn høring. Jeg skal ikke gjøre det så vanskelig. Nå har Jette Christensen allerede tatt dette. Statsråden kunne jo kanskje ha sagt at jeg føler at denne høringen egentlig ikke er

selv om denne varslingen altså skjedde i 2011, og de har sittet på disse opplysningene siden 2011. Da er mitt spørsmål: Når skulle disse opplysningene plutselig gjennom eierskapsdialogen kommet til statsråden og til Stortinget – av seg selv, plutselig, uten at det var oppe i offentligheten? Jeg forstår ikke helt argumentasjonen til representanten Gundersen, og han kan få mulighet til å klargjøre. Da skal jeg prøve å klargjøre det. Jeg mener saken er så alvorlig klart at her ville man ha måttet forklare seg for en generalforsamling, når et datterselskap som man har investert i, har kommet opp i denne type utfordringer. Jeg er helt overbevist om at man måtte ha kommet fram med informasjonen. Men det er nå min oppfatning av det. Jeg tror både eierskapsdemokratiet, eierskapsdialogene, alt sammen, ville ha fungert. Og til syvende og sist ville det ha kommet gjennom en høring, som hadde kommet i ettertid, hvor man hadde gjort det som kontrollkomiteen selv sier: sjekket om statsråden har fulgt opp sitt eierengasjement godt nok.

og ikke minst satt styrelederen på disse opplysningene i minst ti måneder før den nye konsernsjefen brakte dette videre, etter at all offentlighet hadde skrevet om dette, og lagt dette ut i pressen. Jeg skjønner at representanten Gundersen har en personlig mening om dette, men jeg tror ikke den er kunnskapsbasert og basert på de opplysningene resten av komiteen, som har jobbet med denne saken i to år, kjenner til. Så litt forsiktighet burde man kanskje legge til når man kritiserer andre for å ta opp denne høringen – og å ha høringen. Jeg synes dette blir litt spillfekteri. Jeg har den oppfatningen at jeg tror

men om man har fått fram informasjon som ellers ikke ville ha kommet fram, er jeg fortsatt tvilende til. Hvis det er noen som har holdt på med spillfekteri her – ja, nå skal jo representanten Tetzschner snart ha ordet Men først var de for å åpne sak, så var de imot høring, så var de for høring, og nå er jeg usikker på hva de egentlig er. Representanten Gundersen sier at høring var bra. Det har jo også statsråden sagt. Så hvis det er noe spillfekteri her, er jo dette drevet fram av Høyres representanter. De ville ikke stille spørsmål til Jo Lunder under høringen fordi han var under siktelse og etterforskningen pågikk, men i den forrige saken, forsvarssaken, stilte de 18 spørsmål til en person som var under siktelse. Så hvis man først skal snakke om spillfekteri, bør man kanskje se siktelse. Så hvis man først skal snakke om spillfekteri, bør man kanskje se innover i seg selv først, før man begynner å anklage andre for å ta opp en høring. I en så stor sak, som har internasjonale forgreninger og kanskje er den største avdekkede korrupsjonssaken i verdenshistorien, skal vi altså ikke ha en høring, når vi får høre at konsernledelsen faktisk visste om anklager allerede i 2011. Jeg skal ikke snakke om de andre sakene som kontroll- og konstitusjonskomiteen har vært inne på her, men jeg har ikke sagt at man ikke skal ha høring. Jeg har bare sagt at det var åpenbart at det kom til å bli denne type gjennomgang, men jeg stilte spørsmål ved at man gjorde det samtidig med at det foregår en politietterforskning, samtidig med at saken ikke var klarlagt i de rettsorganer som faktisk er der. Jeg tror det egentlig hadde vært nyttigere hvis man hadde gjort det i ettertid,

Og hvis man oppdager det, skal man si fra om det. Det kan da ikke være noe å diskutere. For vi er alle sammen i denne salen, på tvers av alle partiskiller – om alle hadde vært her – enige om at dette er noe som ikke skal skje. Det kan ikke være noe å diskutere. Nulltoleranse er nulltoleranse. Så til dette med eierskapspolitikken, som Gundersen og andre tar opp. Statsråden var også igjennom det. Jeg vil si: Eierskapspolitikken, slik den er definert i tidligere meldinger og i nåværende meldinger, ligger fast. Det er ingen av komiteens flertall – heller ikke representantene fra Arbeiderpartiet, for å være spesifikk på det – som stiller spørsmål ved eierskapspolitikken slik den er definert og vedtatt av Stortinget. Det jeg synes er forunderlig ved debatten, litt her i salen, men enda mer i den offentlige debatten, er at en lang rekke representanter for norsk næringsliv – framtredende sådanne, vil jeg si påpeker at det faktum at vi har denne debatten i det norske parlamentet i dag, er et problem for eierskapsforståelsen. Det forstår jeg ingenting av. For det er ikke kontrollkomiteen som har foranledning i denne saken, og nå sier jeg gjennom presidenten henvendt til representanten Gundersen og representanten Tetzschner: Dette er jo forårsaket av det faktum at vi har med en av verdens største korrupsjonssaker å gjøre, og at Telenor, som et majoritetseid statlig selskap, har brutt intensjonen i eierskapspolitikken ved ikke å fortelle det de skulle fortelle. Det er det som er bruddet på eierskapspolitikken. Det er det som er faktum i denne saken. saken. Hvis vi skulle fulgt det smale sporet, som representantene Tetzschner og Gundersen gjør seg til talsmenn for, skulle vi ha fremmet mistillitsforslag mot statsråden fordi hun i forrige omgang sa gale ting til Stortinget. Men fordi vi forfulgte saken, fordi vi ikke trodde på det, står vi fram her og frikjenner statsråden, slik hun fortjener. Det som er det besynderlige når vi opplever den diskusjonen vi nå opplever, er at det er representantene fra Høyre som driver og setter spørsmålstegn ved kontrollkomiteens gjøren og laden og håndtering, som har frikjent deres egen statsråd så entydig. Hvorfor i all verden driver de med det? Det forstår ikke jeg. Det må rett og slett være meget vanskelig for statsråden å sitte og høre på det, ettersom det er alle de andre partiene på Stortinget som sier at hun har håndtert det helt forbilledlig, som jeg sa i innlegget mitt. Men de skal ha en eller annen diskusjon om en eller annen juridisk forståelse som ligger utenfor det som er realitetene i saken. Kan de ikke innrømme det, og slutte å prøve å prate seg bort fra kjernen i spørsmålet? Det begynner rett og slett å bli politisk pinlig å høre på, slik som det etter hvert utvikler seg. seg. Nå må det sies fra om dette, og det gjør jeg på den måten som jeg nå gjør. Det begynner å bli politisk pinlig, og jeg er overrasket over at Høyre stiller seg i en sånn situasjon. Representanten Tetzschner sier at det ikke kommer noe ut av dette, fordi vi er enige om at alt skal vedlegges protokollen. Ja, vi er enige om at det skal vedlegges protokollen. Det gjør vi fordi det ikke er grunnlag for noe annet. Ingen skal tvile på at vi hadde fremmet et annet forslag hvis det hadde vært grunnlag for det. Men det er jo fordi vi har funnet ut at eierskapsutøvelsen fra statsrådens side ikke foranlediget noe annet enn at det skal vedlegges protokollen. Da bør en ikke prate Da burde jo representanten Tetzschner være glad for det og prate det opp, som det vedtaket som det er riktig å fatte ved en sånn anledning, og ikke forsøke å argumentere langs et spor som ikke kan ha noen annen hensikt enn å undergrave kontrollkomiteens autoritet. Det er nemlig det

Men det er en argumentasjon som kommer fordi man er nødt til å forsøke å skape legitimitet for sin egen oppførsel i komiteen. Det er det som skjer. Så til slutt: I forlengelsen av dette er det en side ved det som jeg mener er nødvendig å ta nå og kanskje også senere i debatten, for jeg kommer ikke til å slippe det,

høringen ikke skulle finne sted, og at de som var bedt om å komme, ikke skulle komme. Det oppfatter jeg som meget alvorlig. Det er helt nødvendig å si fra denne talerstol, under denne debatten, at det er Stortinget som bestemmer i Norge. Og det har jo vist seg at det var helt nødvendig. Og det har jo vist seg at det var helt nødvendig. Det er også det å si at dette er folk som i det offentlige rom har alliert seg med representanten Tetzschner, og han har alliert seg med dem. Men det er å bemerke i den forbindelse at f.eks. den tidligere børsdirektøren, Sven Arild Andersen, har sagt – ikke om kontrollkomiteen, men om statsråden om kontrollkomiteen, men om statsråden – Høyres statsråd: Hennes oppførsel er et eksempel på hvordan man ikke skal oppføre seg. Hun viser følelser, drev mistenkeliggjøring, avsatte han – altså Aaser – uten å følge spillereglene. Politikere opptrer jo gjerne slik, og derfor blir det Hvorfor er det bare jeg som skal ta oppgjør med sånne ting? Det burde vært Tetzschners oppgave, ved siden av meg, i stedet for å alliere seg med den type krefter i det norske samfunn som har til hensikt å sette den folkevalgte makten til side. Hva Aaser har sagt, har vi hørt, og jeg repeterer ikke det, men det er altså snakk om manglende impulskontroll.

sånn at også andre kan være medeier sammen med staten. Det er nettopp det som, synes jeg, er litt grunnleggende når man diskuterer ut fra at det er Stortinget som bestemmer. Her er det faktisk andre som også er med, sammen med oss. Og igjen: VimpelCom er ikke noe selskap som vi er direkte engasjert i, det er gjennom Telenor. Ja, det er også et argument. Det var bra Gundersen tok opp dette, for jeg hadde ikke tid. Jeg skal komme tilbake til det litt senere kanskje også, men jeg skal si dette nå: Jeg forstår ingenting av at det er et problem for private aksjonærer at Stortinget bidrar til å holde orden på at det ikke foregår korrupsjon. Jeg forstår ingenting av det. De burde jo være glad for det, og jeg legger merke til at det er ingen private aksjonærer direkte som har uttalt seg negativt om Stortingets opptreden. Det er noen representanter for dem – ja vel – men jeg har ikke hørt det, og jeg forstår ikke at det kan være et problem. Jeg har hørt at børsdirektører og andre sier at dette kan være et problem for den norske statlige aksjekursen, eller for at de ikke vil investere. Jeg har det å si om det: Den private aksjekapitalen som ikke vil gå inn og investere i selskaper som da eventuelt er håndtert slik som vi nå har håndtert det, den kan bare holde seg borte.

dette. Det var derfor jeg poengterte at eierskapsmeldingen er så sentral, for der har vi sendt ut i full åpenhet hva våre forventninger er til selskapene, sånn at alle medeiere, alle ansatte, alle långivere, alle som har noe med de selskapene å gjøre, vet hva vi forventer av selskapet. Så det er da ingen som har sagt at det er noe problem. Men vi må respektere de reglene vi selv har satt opp for å håndtere det
det jeg påpekte i mitt siste innlegg nå – og hva var det? Det er at representanten Gundersen, som alle andre som snakker som han gjør, ser bort fra at det er ikke vi som har brutt reglene. Det er i dette tilfellet de som ikke har informert sin hovedeier om et betydelig brudd på Stortingets vedtak, følge. Hvorfor er det ikke konsentrasjon om den delen av saken, istedenfor konsentrasjon om at vi har hatt et engasjement i dette som har utløst dette spørsmålet, og som har vært med på å avdekke det? Hvorfor driver man på med dette på denne måten? Jeg sier igjen det som jeg sa fra talerstolen, nemlig at det har ingen annen hensikt enn å forsøke å redusere den folkevalgte maktens mulighet til å kontrollere Stortingets egne vedtak. Det får representanten fra Høyre stå for. Jeg står ikke for det. Derfor har jeg stått i front for dette gjennom disse to årene, og vi er kommet dit at Høyre er alene om disse forståelsene i salen. Vi blir nok neppe helt enige om det, men det bringer meg litt til Aaser. Det jeg prøvde å gi uttrykk for, i hvert fall, var at jeg har full forståelse for det som skjedde da den tilliten ble brutt, og det er nettopp det som er så viktig. Da Da kom det fram at det var tilbakeholdt informasjon, og det fikk sin konsekvens, og det mener jeg er riktig. Når man har fått tillit, skal det også få en konsekvens når tilliten brytes. Det var stor forståelse også blant eierne for at det måtte få den konsekvensen det fikk – bare så det ikke står igjen som en misforståelse – for det er åpenbart hvem som har brutt tillitsrekkefølgen her. Det var Telenor som ikke informerte. Men igjen, som også advokat Knudsen var inne på i høringen, dette er et av de mest sentrale og vanskelige spørsmål et styremedlem har å forholde seg til: Når skal man gå videre med informasjon, og hva slags type informasjon skal man gå til eierne med? Jeg må bare si til alle styremedlemmer via representanten Gundersen og Stortingets talerstol: Hvis man ser at det foregår korrupsjon, er det ikke noen tvil, det er ikke noe det er ikke noe å diskutere, da er det bare å gå videre med den informasjonen, og det er det som er realiteten i denne saken, og det er det de ikke har gjort. Og hvorfor legger ikke Høyre først og fremst vekt på det, istedenfor å drive å diskutere med oss at dette skulle vi egentlig ikke ha gjort på denne måten? Det har ingen annen hensikt – jeg sier det igjen, og det er meget alvorlig – enn at regjeringspartiet forsøker å minimalisere og bygge ned den folkevalgte autoriteten når det gjelder å følge opp sine egne vedtak. Det er en meget alvorlig historie som snart begynner å bli like alvorlig som sakens realiteter, for her har vi egentlig spørsmålet: Hvem er det som bestemmer i Norge? Det gjør vi som er stortingsrepresentanter, og når vi mener at det er riktig å håndtere dette på den måten som vi gjør, mener alle partiene i denne salen, unntatt Høyre, at dette er den riktige måten å gjøre det på. Det er vi helt enige om. Det er klart at hvis et styremedlem får informasjon av denne typen, skal man gå videre til eieren, og det var nettopp det som skjedde, at det hadde man ikke gjort, og dermed fikk det tillitsbruddet den konsekvensen det fikk. Jeg vil bare si at det er bra. Nå skal jeg være så romslig at jeg skal si at det er mulig at jeg har misforstått Tetzschner på dette, men han hadde en kommentar i sitt første innlegg under henvisning til

ting saksordføreren i hvert fall har oversett. For det første er det en full identifikasjon mellom enkeltpersoner som har vært inne i bildet for forhold utenom Telenor, og Telenor. Det at man ikke ser forskjell gjør at man bygger opp til en nokså sterk anklage mot Telenor som selskap som det ikke fortjener i dag, og som det heller ikke fortjente den gangen. Det er enkeltpersoner som har tjenestegjort andre steder, fra Telenor, som har bidratt til oppklaring av saken – jeg snakker også om den anonyme varsleren som ikke så mye takket være kontroll- og konstitusjonskomiteens behandling av vedkommendes navn, men likevel. Jeg må også si at vi veldig raskt kommer inn på en merkelig argumentasjon som jeg synes Stortinget skulle vært foruten. Det er at man får mistrodd sine motiver. Det ble sagt at her er det ingen annen hensikt fra Høyres side enn å redusere respekten for og autoriteten til komiteen. Nei, til det arbeidet trenger ikke komiteen ytterligere hjelp. Det er nettopp fordi komiteen som skal kontrollere, har kommet i skade for å glemme det andre oppdraget den har, nemlig at den også skal verne om nettopp fordi komiteen som skal kontrollere, har kommet i skade for å glemme det andre oppdraget den har, nemlig at den også skal verne om konstitusjonelle spilleregler. Den har kommet i skade for å overse disse. Det betyr at man er seg bevisst en funksjonsfordeling og en maktfordeling. Det er altså ikke utslag av noen mindre interesse for å oppklare uhumskheter og korrupsjon at man så minner om hvilke parter som er beskyldt, hvor de har utført denne det. Da er det slik at VimpelCom har begått sine bestikkelser i Usbekistan og under den amerikanske børslovgivningen blitt utsatt for en effektiv og rettferdig, så vidt jeg kan bedømme, rettsforfølgelse som virkelig svir. Det bør glede alle. Så er det denne brobyggingen for å få Telenor virkelig inn i det, som jeg reagerer på. på. Når man sier at det gjelder Telenor – som er deleid, med staten som en vesentlig, men ikke eneste eier – tar man heller ikke hensyn til de spillereglene som staten selv, som denne sal, har vedtatt gjelder for informasjon til børsen og respekt for Man har ingen respekt for de rapporteringslinjer som er forutsatt i lovverket. Det er sånn at man ikke i første omgang går til eierne. Man virker gjennom aksjonærfellesskapet gjennom en generalforsamling, og i første omgang går man til styret. Det er denne manglende evnen til å skille saklig og tematisk som har vært et gjennomgående problem, slik at man veldig raskt når man gjør visse, skal vi si, helt nødvendige avgrensninger for å få system i galskapen, for å si det sånn, blir møtt med at man ikke vil til bunns i sakene, og at man forsvarer både det ene og det andre. Det kunne ikke være fjernere fra sannheten. Så er det noen som har brukt veldig mye av sin tid på hva Høyre har ment om oppfølgingen av disse sakene. Jeg har lyst til å si at man har kommet i skade for en del blanding av ord og uttrykk. For det første bruker vi ordet sak helt nøytralt som tema. Når noen tar opp en sak, kan det være at de varsler et tema, eller de har lest noe i avisen. Det er vi selvfølgelig ikke imot å diskutere i komiteen. Så kan det være at man vil høre med statsråden, for som regel gjelder det statsanliggender som også hører under komiteen, og så åpner man en korrespondanse. På et senere tidspunkt tar man så stilling til om man åpner en mer formelt anlagt sak. Hvis man gjør det, kan ikke komiteen selv stoppe den, da må den altså slutte her i salen, selv om man eventuelt måtte komme til at det ikke forelå noen nærmere grunn for saken. Men da er reglementet at det skal sluttbehandles i Stortinget. Så underveis til Stortinget kom dette med høring. Høringer er ikke noe selvstendig prosessuelt trinn, det er et offentlig kringkastet møte hvor komiteen kan stille spørsmål og invitere dem som har lyst til å komme. komme. Den eneste som egentlig forventes pliktmessig å møte frem, er statsråden, for det er statsråden som er vår undersøkelsesgjenstand. Verre er det ikke. Vi er vel på tampen og skal oppsummere, selv om jeg ser det er et par talere til. Jeg tror vi må si at oppsummeringen må være at diskusjonens opphav, VimpelCom, har fått sin straff, at Telenor som eier ikke har vært involvert i korrupsjon, og at statsråden og departementet har forvaltet statens aksjeinnehav uten å pådra seg kritiske merknader eller kritikk i det hele tatt. Det er aksjonærfellesskapet, hvor staten inngår, som bestemmer gjennom generalforsamling og velger styre. Stortinget skal ikke ha noen spesiell oppfatning av personaloppfølging og heller ikke avsette styreleder, styremedlemmer eller annet ledende personale i et børsnotert selskap – ikke andre selskaper heller, for øvrig. Det er departementets ansvar at eierskapet utøves under hensyn til andre aksjonærer, børsreglement, verdipapirhandellov, allmennaksjelov og selvfølgelig våre egne meldinger, som da er meldinger med ytringer fra Stortinget, og som selvfølgelig også har lavere rangordning enn det som er det viktigste når det gjelder kampen mot korrupsjon, nemlig straffelovsbestemmelsene. Men det har ikke vært aktuelt i Telenors tilfelle. Jeg må også si at det blir fullstendig på siden av vedtatt eierskapspolitikk når enkeltrepresentanter i denne sal tydeligvis har pådratt seg et personlig motsetningsforhold til enkeltpersoner i et norsk børsnotert selskap. Det er faktisk en alvorlig forstyrrelse av styringslinjene, det og vil på sikt, hvis dette fortsetter, skade det statlige eierskapet. Det er det ikke bare jeg som mener, men, det var komitéleder også inne på, det var mange utenfor denne sal som mente dette, og de pådro seg da altså komitéleders vrede. Det var nærmest en stor konspirasjon som ble tegnet opp. Jeg trives jo godt med men å tilskrive oss en større konspirasjon sammen med NHO og andre utmerkede samfunnsdebattanter – og på denne måten å bli mistenkeliggjort – må jeg likevel si er et debattnivå man kanskje kunne unngå. Så kunne man kanskje reflektere over hvorfor så veldig mange forskjellige aktører Det kan jo kanskje være at man har mistet noe underveis. Mitt inntrykk, og det er det siste jeg skal si i kveld, av debatten er at noen representanter har gått svært langt i å utkjempe partipolitiske slag og fremme egenmarkeringer, og at man dermed er kommet i skade for å trampe på det jeg mener er et respektabelt, norsk børsnotert selskap, Telenor, og dermed også skadet interessen til tusenvis av Telenor-ansatte som har bygget opp disse verdiene som gjør at staten har en så verdifull eierandel som den har. De hadde fortjent bedre, og de burde fått en unnskyldning.

korrupsjon. Så langt jeg fant, er det slik at verken i meldinga eller i merknader til den siste stortingsmeldinga, Meld. St. 27 for 2013–2014, som er avgitt av Solberg-regjeringa den 20. juni 2014, eller den nest siste, Meld. St. 13 for 2010–2011, avgitt den 1. april 2011, fra Stoltenberg-regjeringa, var begrepet nulltoleranse for korrupsjon nevnt. Den referansen jeg fant, som jeg refererte til, var St.meld. nr. 13 for 2006–2007, som var avgitt 8. desember 2006, og i innstillinga til den meldinga, Innst. S. at alle selskapa med statlege eigarposter praktiserer nulltoleranse mot korrupsjon, og har gode system på plass for å kontrollera dette.» Jeg forstår det sånn at det ble satt på plass den gangen, at det da er gjeldende politikk fra 2007, og en har hatt mange år til å gi de systemene innhold. Jeg vil si at jeg ble litt overrasket da saksordføreren sa at begrepet nulltoleranse for korrupsjon ikke kan være noe å diskutere. Nei, null er null, det vet alle, men det vi snakker om her, er hvordan vi skal forhindre det, og da er det ikke nok bare å terpe på begrepet nulltoleranse for korrupsjon, en må gi det et nærmere innhold. om her, er hvordan vi skal forhindre det, og da er det ikke nok bare å terpe på begrepet nulltoleranse for korrupsjon, en må gi det et nærmere innhold. Dette er en veldig stor utfordring for selskaper som opererer i land som saksordføreren og andre har sagt er rimelig korrupte, og som en sier at det er greit å agere i. Da må en gi dette et nærmere innhold opp mot hvordan selskapenes ledelse skal oppføre seg for at det ikke skal forekomme sånn korrupsjon, og jeg har prøvd i mitt

vi går ikke inn der, sjøl om det var en mulighet som forretningsmessig kunne medvirke til at de mål som selskapene har for å tjene store penger, ble satt til side. Da vil en vise at en virkelig har tatt dette på alvor. Jeg vil stå ved det jeg sa, at det etter Senterpartiets vurdering er nødvendig at statsråden kommer til Stortinget med temaet nulltoleranse for korrupsjon på en egnet måte, sånn at bevissthetsnivået for hva som må gjøres for å avverge korrupsjon, kan heves betraktelig. Det er viktig her at ulike miljøer engasjerer seg i det temaet. Jeg har merket meg at både Økokrim og granskingsmiljøet er veldig glad for at dette tas opp, og jeg håper også at det akademiske miljøet i Norge kan gå inn på det, sånn at de som utdannes også som ledere, har mer klart for seg hva som ligger i begrepet nulltoleranse for korrupsjon, for å praktisere det i de krevende situasjonene. Ellers vil jeg slutte meg til representanten Kolbergs kommentar til opptredenen fra NHO-ledelsen og Finans-Norge og Oslo Børs. Jeg synes de uttalelsene som der har kommet, viser en manglende vilje til å få fram det som er faktum. Jeg sier som komitéleder Kolberg, at de burde være svært glad for at vi her har et storting som organiserer den økonomiske virksomheten sånn at en får konkurranse, og at en får en rettferdig konkurranse. Det er jo sånn at konkurranse er et statsprodukt. Konkurranse er et statsprodukt.

Når det så gjelder børskursen, har jeg også en kommentar der. Telenor er et stort selskap, som har en betydelig statlig eierandel, og ikke nok med det. Jeg refererte til hva som skjedde i 2002, da det ble signert en avtale. Så langt jeg ser av bildet, må det være fra regjeringens representasjonsbolig i Parkveien, hvor de to direktørene sitter foran, og bak står det to sentrale personligheter, Kjell Magne Bondevik og Putin. Det er klart at når et selskap og da er det jo ikke for mye forlangt at Stortinget, som sitter med eieroppsynet på statens eierandel, følger med her, om Stortingets vilje skal gjelde, og om kritikkverdige forhold skal komme fram og avdekkes. Om det så fører til reduksjon i aksjekursen, ja da er det bare den andre siden av det vi snakker om her, nemlig at det er to sider. En går opp, og hvis en ikke stiller seg riktig, går en også ned, og det er Stortingets vilje. Det er en logisk konsekvens av eierskapet, av et stort statlig eierskap i det hele. Det er viktig å få dette fram, og det synes jeg de som engasjerer seg i finanssektoren, bør ta med seg etter denne debatten.

Tetzschner har kommet i skade for å overse at han er helt alene i denne forståelsen av situasjonen. Det er det at Høyre har plassert seg som de har gjort i denne saken, som er det forunderlige. Så sier han videre at dette skulle ha virket gjennom aksjonærfellesskapet. Ja, jeg er enig i det. Jeg skulle ønske at det hadde skjedd. Da hadde ikke denne saken vært et faktum. Da hadde vi fått det løst gjennom aksjonærfellesskapet, men det har ikke fungert gjennom aksjonærfellesskapet. Det sies også at vi prøver å prate Telenor inn i saken, til tross for at vi er meget tydelige på at nei, Telenor har ikke gjort noe kriminelt som selskap. Jeg sa i min innledning veldig tydelig at ingen enkeltperson er anklaget for noe som helst, og at jeg støtter meg selvfølgelig til det. Men det som gjenstår, er det faktum at Telenors ledelse har brutt eierskapspolitikken ved å ikke gå til aksjonærfellesskapet og fortelle hva som er skjedd, og på den måten har skadet seg selv. Jeg er enig i at de ansatte i Telenor hadde fortjent en unnskyldning – ikke av meg, men av den tidligere ledelsen. Det er de som burde sagt unnskyld, og ikke vi. Det er forunderlig at representanten Tetzschner kom i skade for ikke å si det istedenfor å si at det var vi som burde be om unnskyldning. Det er det andre forunderlige. Vi er formodentlig ved veis ende i denne saken. Jeg vil for min del for den støtten jeg har fått fra mine kolleger fra denne talerstolen i sakens anledning. Det er bra, fordi presset har vært stort, og mye har vært hengt på meg, selv om det har vært et tydelig flertall i komiteen hele tiden for måten vi har håndtert dette på. Nå er det et enstemmig vedtak som skal fattes senere i dag. Jeg er glad for at vi ikke er i en situasjon hvor vi behøver å anklage statsråden og regjeringen for noe som helst. Det er fint at det ikke er tilfellet. Men vi har fått opp den politiske dimensjonen i dette på en måte som jeg tror mange i norsk næringsliv har merket seg: Stortinget aksepterer ikke korrupsjon. Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 9. Jeg har nå gleden av å legge fram en enstemmig innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens melding om virksomheten i 2015.

Både denne og tidligere meldinger viser at Riksrevisjonens arbeid er viktig for at Stortinget kan utføre sin kontroll med regjeringen og forvaltningen på en god måte. Det framgår av innstillingen at kontroll- og konstitusjonskomiteen også i år er tilfreds med den årlige, finansielle revisjonen, som for regnskapsåret 2014 omfattet 15 departementer, Statsministerens kontor og 227 underliggende statlige virksomheter. Komiteen har videre merket seg at ressursinnsatsen innen selskapskontrollen har økt i tråd med intensjonene i strategisk plan og ny organisasjon. Kontrollen med forvaltningen av statlige selskaper for 2014 omfattet 124 selskaper og virksomheter fordelt på hel- og deleide aksjeselskaper, helseforetak, statsforetak, særlovselskaper og studentsamskipnader. Jeg vil igjen understreke betydningen av selskapskontrollen. Når staten organiserer viktige deler av sin aktivitet i selskaper, er det viktig at selskapskontrollen er god. Det må være en reell kontroll slik at det også bidrar til læring og veiledning for forvaltningen Riksrevisjonen har sendt ti forvaltningsrapporter i Dokument 3-serien til Stortinget i 2015. Disse forvaltningsrapportene har satt viktige temaer på dagsordenen. Disse rapportene er helt avgjørende for at Stortinget får relevant informasjon om iverksettelsen og virkningen av offentlige tiltak. Riksrevisjonens anbefalinger handler i hovedsak om at det må utvikles mer overordnet og at departementer og virksomheter i større grad må utnytte det handlingsrommet som finnes innenfor gitte virkemidler, og at ansvarsforholdet må tydeliggjøres og samordningstiltakene styrkes. Jeg viser i den forbindelse til at kontroll- og konstitusjonskomiteen i all hovedsak pleier å slutte seg til konklusjonene og anbefalingene i forvaltningsrapportene. Det betyr at de er gode. Det er mye som tyder på at det er godt samspill mellom Riksrevisjonen og forvaltningen. Riksrevisjonen gjennomfører brukerundersøkelser for de ulike revisjonstypene hvert år. Også i år har komiteen merket seg at brukerundersøkelsene generelt gir gode resultater. Dette Det forteller oss at Riksrevisjonen er en organisasjon som høster stor respekt hos forvaltningen, og at det grunnleggende er et godt forhold mellom Riksrevisjonen og forvaltningen, selv om det av og til også er uenigheter. Når vi behandler denne årsmeldingen, er det viktig å huske at vi generelt har en god forvaltning i Norge. Men som jeg har påpekt fra denne talerstolen tidligere, har deler av forvaltningen problemer med å følge opp det som blir påpekt fra Riksrevisjonens side. Det er et problem, og det er viktig at forvaltningen tar til seg den lærdom som Riksrevisjonens omfattende revisjonsvirksomhet gir anledning til. Riksrevisjonen feirer sitt 200-årsjubileum i år. I dette jubileumsåret kan vi minne oss selv om at Riksrevisjonen er en av statsinstitusjonene som har lengst røtter i Norge – formelt og reelt. Det er bemerkelsesverdig at våre parlamentariske forfedre allerede fra første stund la så mye vekt på Stortingets kontroll med regjeringen. Den parlamentariske kontrollen er av stor betydning i vårt demokrati. Riksrevisjonen er og skal fortsatt være Stortingets viktigste leverandør av kontrollsaker. Stortingets behov for kontroll er stort og komplekst. Det stiller også store krav til Riksrevisjonen i framtiden. Avslutningsvis vil jeg gjerne si litt om Riksrevisjonens internasjonale arbeid og aktiviteter. Norge har en sterk riksrevisjon – også internasjonalt. Komiteen ser positivt på at Riksrevisjonen deltar i internasjonale revisjonsoppdrag og bistår i utviklingen av revisjoner i andre land. Komiteen slutter seg til det som står i årsmeldingen om at uavhengige og effektive riksrevisjoner er en forutsetning for å sikre velfungerende kontroll med offentlig sektor og bekjempelse av korrupsjon. Komiteen har også merket seg at Riksrevisjonen selv mener at det internasjonale arbeidet legger til rette for at Riksrevisjonen får styrket sin kunnskap på områder som er viktige for Riksrevisjonen. Det er bra. Både ved denne meldingen og også tidligere meldinger viser Stortinget veldig tydelig at Riksrevisjonens arbeid danner grunnlaget for at Stortinget kan klare oppgaven med kontroll av regjeringen og forvaltningen på en meget god måte – og på den måten som faktisk både Grunnloven og øvrig lovgivning legger grunnlaget for.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

Det er særskilt kritisk innenfor spesialisthelsetjenestens ABIO, som for folk flest betyr anestesi-, barne-, intensiv- og operasjonssykepleie. Avgangen for dem er større enn tilgangen akkurat nå, og det betyr at det vil utfordre oss over tid når vi skal nå målene våre med å operere, ha kapasitet til å operere flest mulig og og få ned ventelistene, som også har vært diskutert i denne sal før. Forslagsstillerne mener det er behov for en nasjonal oversikt med forpliktende opptrappingsplan på området, for det som det er behov for både i sykehus og i kommunehelsetjenesten framover, og at dette vil gi en oversikt over hva vi trenger av utdanningsinstitusjoner og praksisplasser i både sykehus og Kommune-Norge i Derfor fremmes det i dag to mindretallsforslag fra forslagsstillerne. En samlet komité er enig i at det i framtiden vil trenges flere spesialsykepleiere, eller sykepleiere generelt, både med og uten videreutdanning, både i kommunen og i sykehus. Vi er også enige om at det mest krevende akkurat nå, er å ha nok anestesi-, Komiteen viser til at regjeringen i forbindelse med statsbudsjettet for 2016 la fram Kompetanseløft 2020. Det skal sikre god rekruttering og stabil bemanning av helse- og sosialfaglig personell, sikre at grunn- og videreutdanningen er tilpasset tjenestens behov, heve kompetansen hos ansatte og dessuten enda flere tiltak. Alle i komiteen er enige om at det ikke blir mindre behov for ulike typer sykepleiere hvis vi skal dekke framtidens behov i Helse-Norge – vi trenger flere praksis- og utdanningsplasser, og en må ha et innhold i videreutdanningen, uansett type, som dekker enhver tids gjeldende behov. Folkeparti er også opptatt av at vi skal lykkes i å ligge i forkant av det som blir behovet for sykepleietjenestene framover, både i kommunen og i spesialisthelsetjenesten. Det er et lederansvar, både i kommunene og i spesialisthelsetjenesten, å ha kompetanseplaner og kompetanseoversikt både i kommunene og på sykehus, sånn at en ligger i forkant av det som vil vet jeg at dette har vært en mangelvare lenge. Det er ikke godt nok at sykehusene ligger bakpå med disse tjenestene, for vi får utfordringer på at vi ikke når de målene vi har satt. Kompetanseplaner og kompetanseoversikt i kommuner og sykehus må gå tett hånd i hånd med sånn at vi klarer – og i god tid er klare til – å snu oss når behovet endrer seg, når vi har et annet behov enn det vi ser i dag, og når vi jobber annerledes, har andre operasjonsformer og flere på dagkirurgi, som vil kreve mer personal. Dette må også sykehusene ta inn over seg og sikre at de har kompetanseplaner Det samme må kommunene gjøre når de faktisk vet at de får flere og flere tilbake fra sykehus med andre utfordringer enn det de hadde før. Da betyr det at kommunene må ta det på alvor, lage kompetanseplaner, ha en bevisst holdning til videreutdanning og sikre at de klarer å dekke de behovene som pasientene til enhver tid har. Derfor fokuserer Kristelig Folkeparti på å legge ansvaret for dette der utførelsen av tjenestene skal være, til spesialisthelsetjenesten, at de må ha sine kompetanseplaner og mål for videreutdanning. Det samme må kommunene ha. Derfor støtter ikke Kristelig Folkeparti forslagene, fordi vi mener at forslagene må legges ned på kommunenivå og i et oppdrag til spesialisthelsetjenesten i sykehus.
takk, president! Er det

og at altfor få velger å spesialisere seg til jordmødre, helsesøstre, intensivsykepleiere, barnesykepleiere og operasjonssykepleiere. Skal vi lykkes med samhandlingsreformen og gi folk bedre helsehjelp i eget hjem eller i nærmiljøet, må vi klare å øke kompetansen også innen kommunehelse. I 2014 var det bare halvparten av kommunene som hadde en egen kommunejordmor. Behovet for kreftsykepleiere vil øke. Fra 2017 til 2018 vil kommunene få et ytterligere utvidet ansvar for personer med psykiske og rusrelaterte lidelser. Den nasjonale helse- og sykehusplanen omhandlet ikke framskriving av personellbehov og rekrutteringsstrategier. Regjeringen sa de skulle komme tilbake til det i egen sak. Primærhelsemeldingen beskrev ulik kompetanse, profesjoner og omtalte i generelle vendinger utfordringer med rekruttering, men der også – ingen framskriving eller strategi for å sikre framtidig kompetanse. Statsminister Erna Solberg lovet under valget å gi 15 000 flere sykepleiere og like mange helsefagarbeidere videreutdanning innen 2020. Kostnaden – 1,8 mrd. kr over fire år – skulle øremerkes for å sikre at midlene gikk til formålet. Arbeiderpartiet etterlyser en forpliktende Vi etterlyser en kartlegging av status, framskriving av behovet og en opptrappingsplan for utdanning av spesialsykepleiere, senest i forbindelse med statsbudsjettet for 2017. Det er viktig med god dialog mellom partene i kommunehelsetjenestene og sykehusene og utdanningsinstitusjonene og myndighetene for å drøfte dimensjonering, innhold og hvilken type spesialister det vil være behov for. Både Danmark og England har etablert en spesialisering som klinisk ekspertsykepleier. Kommuner og sykehus må få en tydeligere politikk som legger til rette for og stimulerer ansatte til å ta videreutdanning, og vi etterspør også flere ordninger som gjør det enklere å kombinere jobb og utdanning. Parallelt med at vi ser på utdanningskapasiteten og etter- og videreutdanning, er Arbeiderpartiet opptatt av at det arbeides kontinuerlig med organisering, oppgavefordeling og brukerinvolvering for bedre utnyttelse av eksisterende kompetanse. Det samme gjelder også heltidskultur, som vil være med på å øke og bedre bruken av den eksisterende kompetansen. Vi har en ruvende utvikling innen medisinsk behandling, diagnostikk, brukerinvolvering, velferdsteknologi, mulighet for mer egenbehandling og behov for mer tverrfaglig samhandling. Arbeiderpartiet mener arbeidet med å oppdatere rammeplanene må opprioriteres, slik at de Jeg er nylig blitt kjent med at det i snitt faktisk tar 17 år fra en metode er dokumentert med positiv effekt til den blir implementert, og det er for lang tid. Vi må klare å organisere oss slik at ny kunnskap blir raskere tatt i bruk, både i praksis og ikke minst gjennom utdanning. Med de utfordringene vi har på rekruttering innen helse, må jeg si det er gledelig med en økning på hele 20 pst. som søker på sykepleien i år.

Det er viktig at vi bidrar til økt kvalitet i utdanning, og at man klarer å opprettholde et desentralisert tilbud, slik at vi får god rekruttering i hele landet. I alle saker der vi har etterlyst bedre sammenheng mellom Stortingets vedtatte helsepolitikk og dimensjonering av helse- og utdanningstilbudet, vises det systematisk til den andre statsråden. Det gjør også statsråden i sitt svar til komiteen. Det er fortsatt slik at Kunnskapsdepartementet har hovedansvaret for dimensjonering av utdanningskapasiteten og vurdering av behovet for revidering av rammeplaner, mens Helse- og omsorgsdepartementet har et overordnet ansvar for å bidra til at det rekrutteres nok personell. Arbeiderpartiet mener helseministeren må ta et større ansvar for å sikre bedre samsvar mellom de vedtatte mål for helsetilbudet til befolkningen og dimensjonering av utdanningstilbudet, men også for innholdet i helseutdanningen.

Derfor er vi spesielt glad for at Høyre har vist rask handlekraft på dette etter at vi overtok i regjering. Tidlig etablerte vi et lønnstilskudd til avansert klinisk mastergradsutdanning for sykepleiere som er ansatt i kommunehelsetjenesten, og vi styrket tilskuddene til grunn-, videre- og etterutdanning av sykepleiere. I regjeringens meget gode melding om primærhelsetjenesten, som fikk stor tilslutning her i Stortinget i fjor, varsles viktige grep for å ruste kommunehelsetjenesten til å ivareta sine viktige oppgaver for innbyggerne. Det vil bli mer attraktivt og faglig spennende for sykepleiere å jobbe i kommunene i årene som kommer. Det å jobbe mer i team rundt pasientene, og det å la sykepleiere ta flere av de kanskje tradisjonelle fastlegeoppgavene for å følge opp kronisk syke pasienter, pasienter, vil selvfølgelig også kreve at sykepleierne besitter viktig kompetanse. Men det vil gjøre arbeidet interessant. Vi trenger å snakke opp de mange spennende utfordringene som ligger i å jobbe godt og tett med pasientene i den kommunale helsetjenesten. KOSTRA-tallene viser en veldig positiv vekst i antallet spesialsykepleiere i kommunene. Det lover veldig godt. I Høyre tror vi det er en sammenheng mellom at yrket som sykepleier kommer til å få en viktigere posisjon, og at vi nå ser, slik representanten Ruth Grung sa, at sykepleierutdanningen er blant de mest foretrukne for unge studenter. Jeg er svært enig med representanten Bollestad i at kommunene og helseforetakene må være seg sitt ansvar bevisst. De må legge til rette for at sykepleiere tar videre- og etterutdanning for å bli klinisk mer avanserte for å kunne stå i de viktige oppgavene de får rundt pasientene. Det er mange rapporter som viser at å satse på kompetanse er det som bidrar best, både til kvalitet i tjenestene, pasientsikkerhet og til gode og effektive arbeidsmiljøer. Regjeringens Kompetanseløft 2020 har viktige overordnede strategier for å sikre at vi møter nettopp de utfordringene som forslagsstillerne viser til. Når det gjelder praksisplasser i kommuner og sykehus, vil jeg understreke at det er viktig å viktig å sikre tilstrekkelige, men også relevante praksisplasser for studenter. Det er først og fremst helseforetakene og kommunene i fellesskap som må bære dette ansvaret, og det er også viktig at vi tenker nytt om hvor studenter bør ha sin praksis. Vridningen mot at mange pasienter behandles poliklinisk som dagbehandling, gjør det også viktig at praksisplasser etableres her. Her er det selvfølgelig viktig at høyskolene og helseforetak og kommuner samarbeider godt.

Regjeringen vil også forbedre kunnskapen om personell- og kompetansebehov og styrke helsetjenestens påvirkning på utdanningene. Det er utrolig viktig at vi sikrer bedre samsvar mellom utdanningenes innhold, studentenes sluttkompetanse og helsetjenestens behov. Statsministerens ambisjon om etter- og videreutdanning av 15 000 sykepleiere og utdanning av 15 000 helsefagarbeidere sier litt om de ambisjoner som ligger for denne regjeringen. Vi vil trenge mange kloke hoder i helsesektoren i årene fremover. Det grunnlaget legger vi nå. Det er

presentert i tabeller og diagrammer, og brukte dem som kraftige argumenter for medisinsk reform. Slik statistikk er noe av grunnen til at vi debatterer her i dag. Vi er blitt presentert statistikk som uroer og viser store utfordringer innen rekruttering til helse- og omsorgssektoren samt fremtidig mangel på spesialsykepleiere. Heldigvis har mye forandret seg i vår vestlige verden siden den gang Florence Nightingale levde. Velferdssamfunnet blomstrer, folk lever lenger – også med sine sykdommer. Dagens eldre har gjerne komplekse og multiple sykdommer. Kropp og sjel henger sammen og utfordrer noen ganger den vitenskapelige medisin. Diagnosespekteret utvides, og vi blir stadig kjent med nye sykdommer og lidelser. Forskning og medisinske fremskritt gjør at mennesker overlever sykdommer med tidligere dødelig prognose. Pasientenes rettigheter er styrket. Både pasient, bruker og pårørende er godt informert, og både kan og vet det å stille krav til behandling og omsorg. Forventningene til det norske helsevesen er skyhøye, noe som gjør at kvaliteten både i spesialisthelsetjenesten og i kommunehelsetjenesten kontinuerlig settes under lupen. Men alt dette skjer ikke av seg selv. Det er vi som legger grunnlaget for videreutvikling av velferdssamfunnet gjennom vår politikk, takket være forskning som gir medisinske fremskritt og kunnskapsrikt helse- og omsorgspersonell. Vi har behov for å planlegge for fremtiden, og dette arbeidet har denne regjeringen startet. Det skjer i departement og direktorat, hos Fylkesmannen og Helsetilsynet, i spesialisthelsetjenesten, i kommunehelsetjenesten og hos KS – gjerne sammen med private organisasjoner og institusjoner og nært knyttet til utdanningssystemet. Et eksempel er Kompetanseløft 2020, som er regjeringens plan for rekruttering, kompetanse og fagutvikling i den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Det er bevilget om lag 1,2 mrd. kr til oppfølging av tiltak i 2016. Kompetanseløft 2020 følger opp stortingsmeldingen om fremtidens primærhelsetjeneste, opptrappingsplanen for rusfeltet og regjeringens plan for omsorgsfeltet, Omsorg 2020. I planen for omsorgsfeltet er det bl.a. skissert tiltak som å vurdere om det bør etableres offentlig spesialistgodkjenning for sykepleiere med utvalgte masterutdanninger, og man vil se på om innholdet i dagens videreutdanninger for sykepleiere møter behovet i tjenestene. Det er enkelte ting ved representantforslaget fra Arbeiderpartiet som spesielt fanger min oppmerksomhet. Det er ikke tvil om at vi ser store utfordringer innen helse og omsorg fremover i tid, når det gjelder både antall personer som ønsker å utdanne seg innen feltet, og antall personer som spesialiserer seg. Der er vi enige. Det er hvordan denne utfordringen skal løses, som vi ikke er helt enige om. Og jeg kan ikke fri meg fra å undre: Tror Arbeiderpartiet at en utdanningsinstitusjon med sin dekan ikke er i stand til å vurdere og å prioritere hvilke tema som er viktige inn i utdanningen, og om deres lærere har behov for ny, oppdatert kunnskap uten at staten må detaljstyre? Tror Arbeiderpartiet at helse- og omsorgsinstitusjonene rundt om i Norge ikke klarer å definere hvilken kompetanse de mangler i dag og i fremtiden? Og kjenner ikke Arbeiderpartiet til at flere kommuner i samarbeid med KS har utarbeidet strategiske kompetanseplaner, og at dette samarbeidet er nært knyttet opp til regjeringens Kompetanseløft 2020? I dag er all verdens kunnskap bare et lite tastetrykk unna. Et søk på «spesialsykepleiere er mangelvare» bringer frem overskrifter i både 2007, 2011, 2012 og tidlig i 2013. Utfordringen med mangel på spesialsykepleiere ble grundig skissert i Nasjonal helse- og omsorgsplan for 2011–2015 under Så alvorlig så man på dette at det ble utarbeidet en egen utdanningsmelding, Meld. St. 13 for 2011–2012 Utdanning for velferd, hvor første kapittel fikk tittelen Bedre helse og velferd – et spørsmål om kompetanse. Det rare er at ordet «spesialsykepleier» ikke er nevnt en eneste gang i meldingen. Derfor er det bra at dagens regjering plukket opp ballen der forrige regjering slapp den. Det er

Jeg stiller av og til spørsmål ved det, ikke fordi de ikke ser behovet osv., men de har kanskje egne behov å dekke framfor samfunnets behov. Det er et dilemma at høyere utdanningsinstitusjoner er så pass på sjølstyre som det de er, når det er viktige samfunnsoppgaver som skal løses. Jeg sier ikke at vi nødvendigvis skal endre det, men jeg synes vi må diskutere det. Fyller de behovene nå? Det andre er å sikre at det er nok praksisplasser til dem som søker utdanning. Det står i brevet fra statsråden at man kanskje må se på andre steder å ha praksisplasser – og det er nok helt riktig at man må det. Men man må også sikre at det faktisk er nok sykehus, også lokalsykehus, som kan tilby slik utdanning, både på sykepleiernivå og på deler av spesialistutdanningen. Sjøl har jeg sittet i styret for en høyskolestiftelse i 25 år, og vi har utdannet svært mange sykepleiere. Det har vi gjort ut fra en modell der man først og fremst har tatt utgangspunkt i det behovet som har vært lokalt, både i sykehus og i lokalhelsetjeneste, og ikke i det behovet som en høyskole har hatt for dette. dette. Så har man klart å kombinere dette med tilgjengelige praksisplasser fordi man har hatt et lokalsykehus. Dette er Høgskolestiftelsen i Kongsvinger, og den har gode resultater. Jeg nevner dette fordi det er mange sider ved debatten om sykehusstruktur også, men en av dem er at vi faktisk er nødt til å ha nok offentlige sykehus, slik at det er nok institusjoner til å ta imot dem som skal ha praksis. Det gjelder ikke bare sykepleiere og spesialsykepleiere. Det er et vell av

og en fikk da redusert andelen på deltid med 20 pst. Det virker. Så skriver statsråden: «Arbeidet fortsetter og det er etablert et solid kunnskapsgrunnlag for det videre arbeidet.» Ja, det håper jeg virkelig at det gjør, men regjeringen har jo fjernet kravet til helseforetakene i styringsbrevet. Hvis det er endret igjen, er jeg glad for det. Jeg ser noen representanter rister på hodet. Da er jeg glad hvis det har skjedd, for det er helt nødvendig å stille disse kravene for at det skal jobbes med det. Dette er faktisk en av de parameterne det har noe for seg å telle. Det er ikke alt man har nytte av å telle, men akkurat på dette området teller det. Det er viktig hvis man skal få flere til å ta denne krevende, men givende utdanningen og også tilleggsutdanningen som etterspørres mer og mer.

En del av utfordringen er at sykepleierutdanningen ved de 23 høyskoleinstitusjonene som i dag utdanner, faktisk er forskjellige – 23 ulike. Det er kanskje en litt større utfordring. Men strukturendringene i høyskole- og universitetssektoren kan gjøre at vi går en likere utdanning i møte. Blant annet jobber nå nye NTNU, som har sykepleierutdanning i både Gjøvik, Ålesund og Trondheim, jobber nå nye NTNU, som har sykepleierutdanning i både Gjøvik, Ålesund og Trondheim, godt for å samordne sin sykepleierutdanning. Når det gjelder praksisplasser knyttet til sykepleierutdanning, som representanten Karin Andersen var innom, hørte jeg ikke at hun tok opp kommunenes ansvar for å skaffe praksisplasser. Jeg tror at de har et betydelig større potensial enn det de tar ut i dag. Vi må mase mer på kommunene. dag. Vi må mase mer på kommunene. De må ta ut en større bredde i praksisplasser enn de gjør i dag, særlig knyttet til psykisk helse, rus, folkehelse og forebyggende arbeid. For få er f.eks. innom skolehelsetjenesten og helsestasjonene. Denne saken gjelder spesielt utdanningen av spesialsykepleiere, og i den og i den forbindelse etterlyste representanten Andersen sykehus. Nå har vi vedtatt en nasjonal helse- og sykehusplan som sier at ingen sykehus i Norge skal legges ned, så det er ingen mangel på sykehus. Jeg etterlyser nok arbeidsgiverne her i større grad. Jeg synes de har forsømt seg i lang tid. De har hatt, kan man si, mer enn nok med en skapt mange utfordringer. Men jeg synes at de for lett har tydd til vikarbyråene og fraskrevet seg arbeidsgiveransvaret. Derfor står vi nå i en litt vanskelig situasjon knyttet til antall spesialsykepleiere på en del områder. Her må foretakene ta et større ansvar enn det vi til nå har en stor utfordring at det er så mange aktører som skal spille sammen. Jeg ser ikke helt at dagens forslag skal bringe oss mye videre på det, men vi må finne incentiver og selvfølgelig økonomiske stimuli, bidra her fra Stortinget – kanskje med litt penger. Men i hovedsak er det aktørene som her må jobbe mer sammen for å få den volumøkningen som må til.

Utfordringene med å dekke behovet for spesialsykepleiere er godt kjent. Jeg mener imidlertid at utfordringene må møtes med andre typer tiltak enn dem som foreslås. Det arbeides nå planmessig med å sikre tilgangen på helsepersonell med rett kompetanse, som sykepleiere, og departementet følger opp dette arbeidet i styringen av virksomhetene og i samarbeidet vi har med Kunnskapsdepartementet. Økende behov for personell og kompetanse er helt sentrale temaer i stortingsmeldingene om framtidens primærhelsetjeneste, i Nasjonal helse- og sykehusplan og i Kompetanseløft 2020. Med reformarbeidet som er i gang, og oppfølging av stortingsmeldingene, skal vi møte disse utfordringene og skape pasientens helsetjeneste. Det er Kunnskapsdepartementet som har hovedansvar for sykepleierutdanningene, og flere elementer i forslaget tilhører dermed kunnskapsministerens ansvarsområde. Forslagene om gjennomgang av utdanningene, sikring av lærerkreftenes kompetanse, revisjon av læreplaner og bedring av vilkårene for praksisplasser i utdanningene er eksempler på dette. Kunnskapsdepartementet arbeider bl.a. med å utvikle et nytt styringssystem for læringsutbytte i helse- og sosialfagutdanningene. Helse- og omsorgsdepartementet og Kunnskapsdepartementet samarbeider godt om disse tiltakene. Helse- og omsorgsdepartementet har det overordnede ansvaret for at det rekrutteres nok helsepersonell. Arbeidsgiverne har ansvar for å sikre tilstrekkelig og kvalifisert personell. Arbeidsdelingen mellom mitt departement og Kunnskapsdepartementet krever godt samarbeid slik at helse- og omsorgstjenestene får personell med riktig og oppdatert kompetanse. Et eksempel er arbeidet med å sikre tilstrekkelig antall praksisplasser, som er et felles ansvar for helseforetakene og de kommunale helse- og omsorgstjenestene. En fersk rapport om praksis, som er utarbeidet av Universitets- og høgskolerådet på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet, er et godt utgangspunkt for det videre arbeidet med å styrke opplæringen i praksis. I Nasjonal helse- og sykehusplan presenterte vi en nasjonal bemanningsmodell for spesialisthelsetjenesten, som Stortinget sluttet seg til. Med denne modellen skal det bli enklere å framskrive behovet for hvilke typer helsepersonell vi trenger i spesialisthelsetjenesten, også med hensyn til spesialisert kompetanse. Fordi sykepleierne skal bidra på mange spesialiserte områder, finnes det mange ulike videreutdanninger. Som ledd i oppfølgingen av Nasjonal helse- og sykehusplan skal videreutdanningstilbudene for sykepleiere gjennomgås – dette for å sikre godt samsvar mellom utdanningen og tjenestenes behov. Kompetanseløft 2020 er regjeringens plan for rekruttering, kompetanse og fagutvikling i de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Kompetanseløftet skal bidra til en faglig sterk tjeneste og sikre at primærhelsetjenesten har tilstrekkelig og kompetent bemanning

I Nasjonal helse- og sykehusplan og primærhelsemeldingen har vi òg tatt til orde for å se om oppgavefordelingen mellom grupper av helsepersonell er hensiktsmessig. Regjeringen vil òg utrede om det bør etableres nye kliniske utdanninger for sykepleiere på mastergradsnivå, i større grad tilpasset behovene nettopp i primær- og spesialisthelsetjenesten. Vi har også styrket tilskuddet til videreutdanning av sykepleiere. Det drives allerede et godt systematisk arbeid for å rekruttere sykepleiere med spesialkompetanse i både primær- og spesialisthelsetjenesten. Jeg mener dette arbeidet er med på å gjøre oss rustet til å møte framtidens behov. Det er viktig nå å prioritere å gjennomføre de tiltakene som bl.a. også Stortinget har sluttet seg til ved behandlingen av de to store meldingene som omfatter i sum hele helsetjenesten. Det blir replikkordskifte. Som ministeren sikkert forstår, mener Arbeiderpartiet det ikke er

Hvor mye har vært øremerket så langt i denne fireårsperioden, og hvor mange har fått tilbud om etter- og videreutdanning? Vi er godt i rute med å oppfylle det løftet. I statsbudsjettet for 2016 er det øremerket over 1,2 mrd. kr for å følge opp dette. Det innebærer at en rundt regnet – samlet sett – får

kommunene i større grad er i stand til å gi både grunn-, etter- og videreutdanning for sykepleiere og andre helsepersonellgrupper, i tråd med det som statsministeren sa i valgkampen. Det andre som vi har tatt opp, er rammeplanene og revidering av dem. Når vi har besøkt helseinstitusjoner, sier de at de ikke har nok og riktig kompetanse med hensyn til de utfordringene som er incentivsystemene i høyskolesystemet er basert på hvor mange søkere man får. De innretter det etter hva ungdom kunne tenke seg å søke på, og nødvendigvis ikke ut fra dialog om hvilke behov som er, spesielt i kommunehelsetjenesten. Mener statsråden at det ikke ville være fornuftig å få en bedre samhandling mellom

en av årsakene til at en har fått den gjennomgangen som Universitets- og høgskolerådet har gjort for Kunnskapsdepartementet på dette området. Det er også slik at denne regjeringen har varslet at den vil vurdere å innføre nasjonale prøver for sykepleiere, nettopp for å sikre bedre gjennomgående kvalitet i utdanningen. Jeg opplever ikke at statsråden svarte på

Er det ikke noe område hvor man ser at det kunne være fornuftig med tettere dialog mellom myndigheter og dem som skal bruke dette, og utdanningsinstitusjoner? Og hvordan skal det skje? Det er etablert regionale samarbeidsfora nettopp for det. Så er jeg helt enig i at det må bli bedre samsvar mellom de utdanningene som gis, og de behovene som er i tjenestene. Det er nettopp noe av det som bør diskuteres på de samarbeidsarenaene som er etablert. Jeg vil også tro at Arbeiderpartiet er enig i at vi i Norge har en lang tradisjon for at universitets- og høyskolesektoren er en selvstendig sektor. Men derfor er det viktig at en får til de gode samarbeidsarenaene som er. Så er det slik at det skal gjennomføres en gjennomgang av videreutdanningstilbudet for sykepleiere, nettopp for å få en oversikt over dagens studietilbud og for å bidra til at utdanningsinnhold og kandidatenes sluttkompetanse er i samsvar med det som er tjenestenes kompetansebehov. Dette arbeidet er godt i gang. Det er gang. Det er snart høysesong for fødsler noen steder. Vi vet at barneavdelinger sliter med å ha nok spesialsykepleiere, spesielt på prematuravdelinger. Vi vet at intensivavdelinger sliter med å få nok vikarer. Det brukes i høy grad innleide sykepleiere fra andre land, faktisk.

det ansvaret de hele veien har for å sikre å ligge i forkant – for vi får stadig meldinger om at det er for få til å gjøre det – eller må det tydeliggjøres enda mer for å sikre at vi ikke kommer i en situasjon hvor vi ikke har nok folk? Oppdragsdokumentet er blitt et mye tydeligere dokument, som vi bl.a. halverte i omfang. Det er tydelige krav til redusere unødvendig venting, prioritere rus og psykisk helse og sikre pasientsikkerhet og kvalitet – og se det som handler om helse, miljø og sikkerhet, som en integrert del av pasientsikkerhetsarbeidet. Under det ligger også klare krav knyttet til personell. Jeg er helt enig i at det er en stor utfordring at ikke minst Stortinget har bidratt til at mange av fødslene foregår på sommeren – og det tenker jeg ikke å bidra til personlig – gjennom opptaket til

et spesialisert nivå. Det er mange tjenester i kommunene som selvfølgelig også krever spesialkompetanse. Også sykehusene og de ulike instituttene der er svært viktige utdanningsinstitusjoner. Statsråden og jeg kan nok sikkert være uenige om bruken av private sykehus og kommersielle institutter i dette, men grunnen til at jeg spør om dette nå, er om statsråden kan si hvor mange praksisplasser det er for utdanning av sykepleiere – og også praksisplasser for leger – i slike kommersielle sykehus og institutter som staten nå bruker? Jeg mener det er fullt mulig å la også de private aktørene være en del av praksistilbudet i forbindelse med utdanning. Det er en av årsakene til at vi nå bl.a. har satt i gang prøveprosjekt med å ha praksisplasser hos avtalespesialistene. Det er etter min oppfatning et stort uløst potensial for veldig nyttige praksisplasser for leger, så det bør ikke være noe til hinder for det. Jeg har selvfølgelig ikke en fullstendig oversikt over det samlede antallet nå. Jeg hørte representanten Andersens innlegg,

sånn at også deler av den voksne befolkningen som er bofast og har familie, kan kombinere utdanning med jobb og familie og slippe å flytte. Det er veldig viktig over hele landet. Det er også viktig at statsråden får oversikt over hvordan bruken av private kommersielle sykehus og muligheten til å få de nødvendige praksisplassene, som alle sier vi er enige om at vi skal ha. Det vil være en veldig viktig sak, vil jeg anta, for dem som mener at dette er en riktig vei å gå, å sikre at disse institusjonene tar sin del av ansvaret. Det gjør de ikke i dag, og det betyr at dess mer vi gjør av det, dess mindre utdanningskapasitet har vi på et veldig prekært område.

før man pålegger kommunene nye oppgaver, f.eks. ved å overføre rus og psykiatri også i samhandlingsreformen. Man må få bygd opp det med ordentlige tilskudd, og da får man mange steder der man kan ha deler av praksisen sin framover. Det er helt nødvendig å ha kapasitet på de områdene for at den utdanningen skal bli god. Jeg ser representanten rister på hodet, men det er ikke mulig å få til i en del kommuner, slik det er i dag, dessverre. Jeg tror man må være realistisk på dette. Men selvfølgelig er dette mulig hvis man gjør dette på en god måte og får bygd det opp med den kvaliteten som er nødvendig og den kapasiteten som er tilstrekkelig, slik at det også er kapasitet til å å ha praksiselever. For det er krevende. Jeg har ikke erfaring fra helsetjenesten, men fra barnehage, og det å ha noen i praksis, det er jobb og tar kapasitet. Det må vi også vite når noen skal drive med det. Representanten Andersen tar opp dette med heltidskultur. Er det. Representanten Andersen tar opp dette med heltidskultur. Er det noe jeg også er glødende opptatt av, så er det at vi trenger en større heltidskultur i pleie og omsorg og i helseforetakene. Helseministeren har vært helt tydelig på at arbeidet for en heltidskultur i sykehusene skal fortsette som i de siste Men den største utfordringen med deltid er jo ikke i sykehusene, den er i kommunene. 74 pst. av de ansatte i pleie og omsorg jobber deltid. Gjennomsnittlig stillingsstørrelse er 63 pst. Kommunene har en stor og viktig oppgave. De er nødt til å ta bedre vare på de faglige og menneskelige ressursene de har i sine ansatte. Da er de grepene som vår regjering har tatt, utrolig viktige. At man jobber mer i team, flerfaglig, i kommunene, vil skape mulighet for større heltidskultur. Og så må man ha en mer moderne innstilling til turnus- og arbeidstid. Man må åpne mer opp for at ansatte som ønsker det – og det er mange av dem – kan jobbe i turnuser som legger til rette for at man kan

i pleie og omsorg. Jeg tror de aller, aller fleste sykepleiere i kommunene ønsker å legge til rette for flere praksisplasser. Så er det dette med desentralisert sykehusstruktur. Ja, det er særdeles viktig for praksisplasser. Det er nettopp derfor det er så viktig at vi gjennom Nasjonal helse- og sykehusplan har sikret en desentralisert sykehusstruktur over hele landet, og særlig fordi pasientforløpet mer enn noen gang er i samhandling mellom kommuner og helseforetak. Da trenger vi selvfølgelig sykehus mange steder, sånn at vi kan få disse praksisnære læresituasjonene hvor man samarbeider mellom sykehus og

det å ha lærlingplasser og praksisplasser tar tid, og det tar ressurser. Noen kommuner greier å organisere det veldig godt, andre greier det altså ikke. For rusfeltet har vi vedtatt en opptrappingsplan for de neste fem årene på 2,4 mrd. kr, og 1,5 mrd. kr er øremerket til kommunal sektor. Det er rikelig anledning her til både å skape praksisplasser og ha en allsidighet i de praksisplassene knyttet til den virksomheten. Innenfor psykisk helse har vi vedtatt at alle kommuner skal ha kommunepsykolog fra 2020, og vi gjør en innsats for å skape både primærhelseteam og økt kapasitet på forebygging og folkehelse – også der. Det er rikelig anledning til å skape de plassene. de plassene. Velferdsteknologi er også viktig, både å bringe sykepleiere inn i utdanning og skape praksisplasser knyttet til den nye teknologien vi står overfor, også innenfor akuttmedisin og legevakt – et forsømt område i mange kommuner – hvor kommunene som eiere av de 112 interkommunale legevaktene, sliter med å rekruttere, med å fornye dem teknologisk og få til heltidsarbeidsplasser. Det er overfor, også innenfor akuttmedisin og legevakt – et forsømt område i mange kommuner – hvor kommunene som eiere av de 112 interkommunale legevaktene, sliter med å rekruttere, med å fornye dem teknologisk og få til heltidsarbeidsplasser. Det er mye å ta tak i innenfor velferden i kommunene. Det er et stort behov for at kommunene blir mer robuste for å ta seg av de voksende utfordringene de har. Flere har ikke bedt om ordet til sak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

ved å gi en privat markedsaktør ansvaret for lagring av sensitive pasientopplysninger.» Men i svaret fra statsråden til komiteen kommer det helt klart og tydelig fram at regjeringen i denne sammenheng ikke snakker om at private aktører skal gis ansvar for å lagre disse sensitive opplysningene, men at det er Riksarkivaren som er gitt den oppgaven. Samtidig er det slik at man vurderer flere alternative plasseringer for oppføring av Tynset er ett alternativ, likeså er leie fra private. Verken personopplysningsloven eller helsepersonelloven er til hinder for at Riksarkivaren kan inngå avtale med private om leie av lokaler for bevaring av arkivmateriale. Dette vil jo selvfølgelig både dreie seg om hvor det er riktig å legge et slikt depotbygg, og hva kostnadene vil være. Dette er et vurderingsarbeid som pågår nå, og som vil bli lagt fram for Stortinget i løpet av 2016. Gjennom behandlingen har det kommet fram at flere av partiene ikke ønsker å avvente denne vurderingen. Regjeringspartiene mener at en grundig vurdering, spesielt med et samfunnsøkonomisk fokus, er viktig og riktig å gjøre. Dette støttes også av de to samarbeidspartiene Kristelig Folkeparti og Venstre. Jeg vil derfor peke på en fellesmerknad de fire partiene er enige om angående Norsk helsearkiv og Arkivverkets fellesdepot: «Flertallet er opptatt av å få en god løsning for et helsearkiv,

derfor det viktige er at arbeidsplasser knyttet til saksbehandling, kontorbygg og administrasjon skal legges til Tynset. Flertallet mener en løsning for depot og lokalisering av papirdokumenter bør løses på en mest mulig kostnadseffektiv måte og viser til at Kulturdepartementet nå undersøker flere løsninger. Flertallet viser til helse- og omsorgskomiteens behandling av Dokument 8:79 S Representantforslag om sikker lagring av pasientopplysninger og understreker at denne merknaden gir uttrykk for et omforent standpunkt. Flertallet ser frem til at regjeringen innen utgangen av 2016 kommer tilbake til Stortinget på egnet måte når pågående utredninger er gjennomført og beslutningsgrunnlaget anses tilstrekkelig.» Oppsummert viser dette med tydelighet at regjeringspartiene og samarbeidspartiene Kristelig Folkeparti og Venstre er enig om at det digitale helsearkivet skal til Tynset, som man også har sagt før. For Tynsets del håper jeg at dette er en gledens dag. dag. Forslaget fra de fire samarbeidspartiene vil sikre at Tynset får mange nye arbeidsplasser og også viktige kompetansearbeidsplasser. Avslutningsvis vil jeg si at jeg forutsetter at de partiene som har avvikende syn, kommer til å redegjøre for dette selv. Dette representantforslaget, som er

1 S for 2015–2016 kom med en tilråding der man åpner for en privat løsning for arkivlagring gjennom leie av privateide lokaler. Før regjeringa inngår en eventuell leieavtale med en privat aktør om lagring av dette arkivverdige materialet, er det etter forslagsstillernes mening viktig at det blir gjort en grundig vurdering av konsekvensene av å gi et privat aksjeselskap dette ansvaret. Det er om lag ti år siden NOU 2006:5, Norsk helsearkiv – siste stopp for pasientjournalene, ble overlevert Helse- og omsorgsdepartementet. NOU-en slår fast at hovedoppgaven for Norsk helsearkiv – selve depotfunksjonen – vil være å ta vare på «eldre, bevaringsverdige pasientarkiver» fra spesialisthelsetjenesten og forvalte disse for ettertidens bruk til forskning og andre dokumentasjonsformål. NOU-en anbefaler også at Norsk helsearkiv ut fra forutsetningen etableres av staten og drives i statlig regi. Utredningen gir en klar tilråding om at Norsk helsearkiv lokaliseres samlet på ett geografisk sted og driftes statlig. Jeg deler forslagsstillernes syn på at det er en viktig samfunnsoppgave å forvalte nasjonens helseopplysninger på en forutsigbar, pålitelig og trygg måte i framtida. Jeg vil vise til svaret fra statsråd Bent Høie til komiteen, der han opplyser at departementet ikke har besluttet hvorvidt permanent oppbevaring av papirarkiver skal lokaliseres på Tynset i forbindelse med etablering av arkivprosjektet der, eller om man skal finne andre løsninger. Statsråden sier videre at verken personopplysningsloven eller helseregisterloven er til hinder for at Riksarkivaren kan inngå avtale med privat utleier om leie av lokaler for bevaring av arkivmateriale. Bakgrunnen for de ulike beslutningene rundt arkivene var den statlige overtakelsen av sykehusene i 2002. Med dette overtok staten ansvaret for alt arkivmateriale som var samlet under flere eiere – både statlige, fylkeskommunale, kommunale og private virksomheter. Forslag til konkrete løsninger for oppbevaring av helsearkiver ble fremmet i Meld. St. 7 for 2012–2013, arkivmeldinga, som kom under den rød-grønne regjeringa, og som ble vedtatt i Stortinget. I meldinga ble det foreslått å etablere Norsk helsearkiv og Helsearkivregisteret, og regjeringa at Norsk helsearkiv skulle etableres i tråd med forslagene i den tidligere omtalte NOU-en fra 2006, der det altså bl.a. ble gitt en klar anbefaling om geografisk samling av alle aktiviteter på ett sted. Helsearkivet ble under behandlingen i Stortinget av arkivmeldinga vedtatt lokalisert i Tynset kommune, og det ble lagt til grunn at det skal føres opp et eget bygg til formålet.

initiativ til en utredning om hvordan oppbevaring og lagring av sensitive pasientopplysninger best mulig skal kunne trygges. Her må man også ha fokus på utfordringer som kan oppstå i forbindelse med leie hos private aktører, bl.a. at det kan være mindre grad av forutsigbarhet med hensyn til lengden på leieforholdet, og at eventuelle nye eiere kan ha andre planer for de utleide lokalene. Arbeiderpartiet står inne i det som er blitt en flertallsinnstilling, gledelig nok, der Stortinget ber regjeringa følge opp arbeidet med Norsk helsearkiv og realisering av depotbygg på Tynset, samt at det tas initiativ til en utredning om hvordan oppbevaring/lagring av sensitive pasientopplysninger best mulig skal kunne trygges, herunder med vekt på utfordringer som kan oppstå ved eventuelt samarbeid med private aktører, og også samarbeid om lagring av disse opplysningene. Pasientjournalene som skal lagres i Norsk helsearkiv, inneholder følsomme data data og mye ettertraktet og sensitiv informasjon, pasientinformasjon som for ettertiden kan gi oss viktig informasjon innenfor helse – om opplysningene brukes rett, og ikke minst om de ivaretas riktig. Etter den NOU-en som er nevnt før her, fra 2006, anbefales det at «Norsk helsearkiv skal etter forutsetningen etableres av staten og drives i statlig regi.» er samlet om at det er best om IKT og depotlager samles på en plass. Når Kristelig Folkeparti nå støtter forslag til vedtak I og II, vil jeg gjøre oppmerksom på at vi sier at det gjøres i lys av merknaden fra flertallet i finanskomiteen i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett. Når vi har den merknaden, er det fordi vi i men vi vil også ha med hva som er kostnadseffektivt. Jeg leser ikke den merknaden en gang til, for den har vært lest her en gang før. Vi mener at det er viktig at arbeidsplasser knyttet til administrasjonen, kontorbygg og saksbehandling skal legges til Tynset. Samtidig vet vi at det har versert utrolig mange summer om hva depotbygget vil koste. Det har versert ulike summer, og derfor mener vi at vi må få alt på bordet. Egnet eller uegnet tomt har det vært snakk om, og andre lokaliseringer er nevnt. Nå mener Kristelig Folkeparti at alt dette må legges på bordet, sammen med hva som er kostnadseffektivt. Vi må se på om det er kostnadseffektivt når antall hyllemetere nå går ned på grunn av mer digitalisering, når arealet som er beskrevet, skal ned, når en beregner transport inn i dette, og en må eventuelt beregne inn pris for leie – ikke for 20 år, men for mye Derfor håper Kristelig Folkeparti at vi kan få dette på bordet og fatte et vedtak nå til høsten. Kristelig Folkeparti ønsker og håper at vi kan lande ned på Tynset hvis det er mest kostnadseffektivt. Da må alt dette med i utredningen. Fra Kristelig Folkepartis side tror vi at det kan være fullt mulig. Kristelig Folkeparti anbefaler komiteens forslag til vedtak I og II, som vi står bak, men

for videre helserelatert arbeid. Der står vi helt, helt samlet. Når vi leser den NOU-en, er den tydelig på en ting til, og det er at helsearkivet bør være i statlig regi, og at man bør samlokalisere digitaliseringsenheten og depotenheten – at de bør være på samme sted, og at de hører naturlig sammen. sammen. Det lå til grunn da forrige regjering la fram sin arkivmelding. Man konkluderte med at det skulle være samlet ett sted, og man konkluderte med at det skulle lokaliseres til Tynset. Noe av grunnen til at man konkluderte med Tynset, var at det er et lokalsykehus der, det er et miljø. Samtidig vil lokaliseringen av den typen arbeidsplasser kunne skape store ringvirkninger både for Fjellregionen på Hedmark-siden, Østerdalen, og for Sør-Trøndelag. En lokalisering på Tynset vil – i

Derfor er den innstillingen som ligger her nå, veldig positiv, for her er vi egentlig tilbake der vi var i 2013: Man ønsker en samlokalisering og en realisering av depotet på Tynset. Det er det som står i vedtak I, og det var også det som sto i NOU-en i 2006, for det er den beste løsningen. Hvis man tenker litt praktisk på det, er det uklokt om man f.eks. fra Universitetssykehuset i Tromsø først skal fly opplysninger ned til Røros som skal fraktes til Tynset og digitaliseres der for så eventuelt å kjøres i bil opp til f.eks. Trondheim. Det er ikke en klok måte å løse det på. Selvfølgelig – når man skal transportere inn opplysninger fra hele landet til en enhet på Tynset, er det unaturlig at man ikke også arkiverer det materialet på samme sted. Og det er det som har ligget til grunn hele veien. Erna Solberg sa i november 2013 at dette ikke var en diskusjon om lokalisering, man måtte bare gå en ny runde med kvalitetssikring. Det samme sa statsråd Bent Høie i Østlendingen i 2013 – altså at dette ikke var knyttet til lokalisering. Og Siv Jensen sa det samme i 2014. Da er det viktig at vi nå, på tvers, skaper ro rundt den felleslokaliseringen, for det er den gode, faglige løsningen. Jeg skjønner at det kan være ulike politiske interesser, at man ønsker å ha arbeidsplasser andre steder, osv., men her har det vært en grønn tråd hele veien. Den beste løsningen er felleslokalisering. Jeg skjønner også at Kristelig Folkeparti og Venstre måtte gå inn med en merknad i siste runde – de var sikkert redde for budsjettkonsekvenser, sånn er det å være støtteparti – men jeg håper at når man har gått den runden, kommer tilbake til det som ligger i vedtak I her, for det har hele tiden vært den gode og faglige løsningen. Så kan vi til slutt konkurrere om å ta æren for det bygget, for det håper jeg at alle partier til slutt støtter. Nå er

mens det for tida er Arbeids- og sosialdepartementet som håndterer saken på vegne av regjeringa fordi kulturministeren er inhabil i saken. Så det er betydelige implikasjoner i saken. Jeg har lyst til å tydeliggjøre at vi er kommet dit i dag at vi snakker om to byggesaker, som ikke er tydeliggjort så langt. langt. Arkivbygget for digitalisering er det nå full oppslutning om å lokalisere til Tynset og bygge der – en betydelig investering både i bygg, arbeidsplasser og kompetanse for hele Fjellregionen. Det er også viktig for aksen mellom Trondheim og Hamar, fordi NTNU i Trondheim skal sette i gang en arkivutdanning fra høsten av, mens Helse Sør-Øst har sin administrasjon på Hamar – Norges største helseadministrasjon ligger der. Mellom her ligger Tynset, sånn sett et fornuftig sted å ha en lokasjon for helseopplysninger, særlig for digitalisering av mye av de materialene vi her snakker om. Det er jo det som vil være den store arbeidsplassen her. Det vi snakker om i dag, som forslag til I er avgrenset til, er depotbygget som skal ta hånd om lagringen av de papirbaserte dokumentene som vi skal forvalte videre. Den teknologiske utviklingen både når det gjelder digitalisering av papirer digitalisering av papirer og digitalisering av pasientjournaler, har gjort at vi i framtida skal håndtere en langt mindre mengde papirer. Det skal vi i større og større grad håndtere digitalt. Takk og pris for det! Det gjør jo tilgjengeligheten til dokumentene bedre, men det må selvfølgelig skje på en sikker måte. I finanskomiteens innstilling knyttet til revidert nasjonalbudsjett er det redegjort for en felles merknad fra regjeringspartiene, Kristelig Folkeparti og Venstre. I alle saker i Stortinget diskuterer vi å gjøre ting mest mulig kostnadseffektivt. Den runden vi har hatt nå, er å snakke inn igjen Tynset som en mulighet for det depotbygget som vi har opplevd har fått en plass i en fjellhall i Trondheim i større og større grad. Nå har vi i større grad fått en diskusjon om det er mulig å lage og utvikle en mindre versjon av det depotbygget. Det vil jo uansett bli en mindre versjon. Det som var forprosjektet fra 2013, er for alle formål altfor stort. Da står vi igjen med Tynset og fjellanlegget i Mo. I begge tilfellene er det snakk om et distrikt. Arkivverket har sitt sentraldepot i Mo. Er det mer kostnadseffektivt og faglig forsvarlig å legge det der, får vi diskutere det. Det er de alternativene som regjeringa nå skal utrede. Så vil jeg si … . – Der var visst tida ute. Da får jeg tegne meg

ikke bare fordi det var usikkerhet rundt lokaliseringen, men av de prinsipielle grunnene som flere har vært innom. Det faglige grunnlaget for denne saken har vært utredet i svært mange år, og det har vært veldig det. Det er ikke riktig, som representanten Kjenseth sier, at det ikke lå penger i budsjettet til dette. Det gjorde det i 2014-budsjettet som var lagt fram. Problemet var at de pengene ble fjernet av denne regjeringen og samarbeidspartnerne i det første budsjettforliket. Så de pengene lå der, forutsetningene var der, og overraskelsen var stor.

viktig å få en klarhet i dette nå. En ting er at det faglig sett aldri har vært noen tvil om at den samlede løsningen er den som alle faginstansene anbefaler. Det andre er at dette er et prosjekt som flere har vært inne på har svært gode ringvirkninger. Jeg har også lyst til å legge til at utdanningsnivået i den delen av Hedmark er svært høyt. Dette er et område med høy kompetanse som også er i stand til å ta imot høykompetente arbeidsplasser, og det er startet en utdanning som er spesialisert mot dette, i Trondheim. Så her var alle biter på plass, og det var vurdert som en svært velegnet lokalisering. Det er klart man kan diskutere, og det må man selvfølgelig gjøre, om det er noe med størrelsen på bygget og forhold rundt det. Men jeg håper nå at de som står bak dette forslaget i dag, virkelig står ved det, og at vi ikke nå får nye runder med spill. Det synes jeg ikke dette lokalsamfunnet og Tynset fortjener. Jeg tror jeg har lyst til å minne om at Tynset kommune har brukt over 30 mill. kr for å Det er ganske mye for en liten kommune som har gjort et veldig godt arbeid for å få dette på plass i samspill med myndighetene, der både faginstansene og myndighetene har vært positive til det. Jeg synes det har vært nok politisk spill rundt denne saken, og jeg håper vi nå kan samles om dette forslaget, og at vi kan få denne saken Det er veldig bra med digitaliseringsenheten som kommer til Tynset – det er alle glad for – men for prosjektets del er det også viktig å følge opp de faglige rådene, nemlig at dette skal være samlet fordi det er den beste løsningen, også ut fra den store, viktige oppgaven som skal løses. Det mener jeg også at stortingsflertallet må legge vekt på når de skal ta en beslutning.
statsråd Bent Høie

helsearkiv, i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett. Regjeringen har orientert om at vi vil komme tilbake til Stortinget om denne saken innen utgangen av 2016 når utredningene er gjennomført og beslutningsgrunnlaget anses tilstrekkelig. Stortingets behandling i dag og innstillingen fra finanskomiteen vil inngå i det videre arbeidet. Det gleder meg derfor å se at finanskomiteens flertall i Innst. 400 S for 2015–2016 er opptatt av å få en god løsning for helsearkivet. Jeg vil tillate meg å kommentere enkelte av merknadene i helse- og omsorgskomiteens innstilling. Representantene fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet mener at den offentlige utredningen fra 2006 anbefaler at Norsk helsearkiv samles på ett sted. Jeg mener at det kan diskuteres om utvalgets anbefaling om lokalisering var så entydig. Uansett la NOU-en en helt annen digital virkelighet til grunn for arbeidet i Norsk helsearkiv enn det som er tilfellet i dag – det har skjedd mye på teknologifronten de siste ti årene. I utredningen fra 2006 ble digitalisering av journaler som skulle brukes i helseforskning, ansett som et mulig «utvidet tjenestetilbud på oppdragsbasis». Det som den gangen var en håpefull idé om hva som ville kunne bli mulig, er i dag virkelighet. Norsk helsearkiv skal bygges i samsvar med bestemmelsene i helsearkivforskriften, som ble fastsatt i mars i år. I helsearkivforskriften har man tatt hensyn til den teknologiske utviklingen som har skjedd siden NOU-en kom for ti år siden. Norsk helsearkiv skal motta om lag 100 000 hyllemeter papirbaserte arkiver fra I tillegg kommer eksisterende og framtidig digitalt skapt materiale. Av de 100 000 hyllemeterne skal alt, så langt det er mulig, digitaliseres. Norsk helsearkiv vil være et komplett, digitalt arkivdepot. Bare ca. 12 000 av disse hyllemeterne, hovedsakelig eldre pasientarkiv, skal fortsatt bevares i fysisk Resten skal digitaliseres og kasseres. Dermed vil det ikke være behov for store arealer for lagring av fysisk arkivmateriale. Tilrettelegging for helseforskning vil skje digitalt. Det komplette digitale depotet for Norsk helsearkiv skal etableres på Tynset, hvor dette arbeidet skal skje. Jeg merker meg komiteens tilrådning om å se nærmere på utfordringer som kan oppstå i forbindelse med samarbeid med private aktører. Et eventuelt vedtak om en ny utredning av dette er, etter min mening, unødvendig. Men regjeringen vil selvsagt følge opp de vedtak Stortinget gjør om Norsk helsearkiv. I den forbindelse vil det være viktig for realiseringen av Norsk helsearkiv at vi, som beslutningstakere, tar hensyn til både den teknologiske utviklingen og vårt politiske ansvar for å bruke fellesskapets penger på best mulig måte. Det innebærer å se med kritisk blikk på «gårsdagens sannheter» å unngå at vedtak om eventuell ny utredning i realiteten innebærer en utsetting av Norsk helsearkiv. Jeg mener – som også finanskomiteens flertall uttaler i innstillingen til revidert nasjonalbudsjett – at en løsning for depot og lokalisering av papirdokumenter bør løses på en mest mulig kostnadseffektiv måte. Det ligger implisitt i dette at pasientopplysningene selvsagt skal lagres på en sikker måte. Det blir replikkordskifte.

og jeg vil da spørre statsråden mer konkret: Hvordan vil man nå jobbe med det vedtaket som Stortinget i dag fatter, og når kan man forvente at bygget vil stå ferdig? Som jeg redegjorde for i mitt innlegg, vil regjeringen nå utrede dette videre, og det vil bli lagt fram innen utgangen av 2016. Da vil regjeringen komme tilbake til Stortinget på egnet måte – når den pågående utredningen er gjennomført, og vi har et tilstrekkelig beslutningsgrunnlag. Jeg vil understreke det som også representantene fra Kristelig Folkeparti og Venstre sa, at vedtaket som gjøres her i dag, må ses i sammenheng med de merknadene som et flertall i i finanskomiteen har i innstillingen til revidert budsjett – der også regjeringen har redegjort for statusen for arbeidet med etablering av arkivet. Men det er ingen tvil om at det digitale helsearkivet, med alle de arbeidsplassene som er knyttet til det, skal lokaliseres på Tynset. Det er en god løsning, og det er en løsning som regjeringen jobber for å få gjennomført.

hva svaret på det spørsmålet er. Hva som kommer i statsbudsjettet, får han ikke svar på før en kommer til statsbudsjettet. Det som er viktig, er at vi også sikrer et godt beslutningsgrunnlag. Det var jo det som var det ulykksalige i denne saken – og noe historien ofte har lært oss – nemlig at en prøvde seg på politiske snarveier, slik den rød-grønne regjeringen gjorde, nemlig å bevilge penger før det var et beslutningsgrunnlag. I realiteten innebar det en omvei for målsettingen om å etablere et helsearkiv. Det er jo det som er situasjonen. Politiske snarveier i denne typen saker er ikke fornuftig. Det fører stort sett til utsettelser fordi en ikke har tilstrekkelig beslutningsgrunnlag. Det hadde heller ikke den rød-grønne regjeringen da en hadde forslag om en startbevilgning til noe som ikke var utredet. Tidligere stortingsrepresentant Harald Ellefsen fra Høyre Høyre er jo grunnen til at Linda Hofstad Helleland erklærte seg selv inhabil. Det er ingen tvil om at Høyre i Trondheim, med Harald Ellefsen i spissen, har hatt en veldig aktiv rolle i dette og ønsket å få til en omkamp da vi gikk ut av regjeringskontorene og Høyre gikk inn. Jeg er dypt uenig i at det var et ufullstendig beslutningsgrunnlag. Det var et ønske om en annen lokalisering. Det er Men i dag fatter Stortinget et vedtak der det står: «Stortinget ber regjeringen følge opp arbeidet med Norsk helsearkiv og realisering av depotbygg på Tynset.» Det er et vedtak. Er statsråden enig i at et vedtak er noe helt annet enn en merknad? For det første er historiefortellingen fra representanten om at personer skal ha vært veldig aktive for å få utsatt eller endret denne saken, ikke korrekt. Det som at personer skal ha vært veldig aktive for å få utsatt eller endret denne saken, ikke korrekt. Det som er korrekt, er at regjeringen leter etter ulike løsninger for å få realisert et helsearkiv. Det har aldri vært spørsmål fra denne regjeringens side om hvorvidt det digitale helsearkivet skal lokaliseres på Tynset, det har vi sagt fra dag én, men vi må også ha et tilstrekkelig beslutningsgrunnlag for å sikre at vi bruker fellesskapets ressurser på en fornuftig måte. Til det konkrete spørsmålet vil jeg si at flertallet i finanskomiteen sier at de viser til helse- og omsorgskomiteens behandling av representantforslaget om sikker lagring av pasientopplysninger, og understreker at denne merknaden, altså merknaden til finanskomiteen, gir uttrykk for et omforent standpunkt. Der kommer det klart fram at regjeringen skal komme tilbake til Stortinget i løpet av 2016 på en måte når de pågående utredningene er gjennomført og det er et tilstrekkelig beslutningsgrunnlag. Statsråd Høie har også vært på Stortinget i så mange år at han utmerket godt vet forskjellen på et vedtak som gjøres her i plenum, og en skriftlig kommentar, kalt merknad, i en komitéinnstilling. Det blir ikke vedtatt noe annet om helsearkivet i morgen. Dette er en kommentar fra finanskomiteens medlemmer. Men er det en ny praksis regjeringen legger opp til, at den ikke skal følge opp de vedtak som blir fattet i Stortinget? Her er det et helt tydelig vedtak, og det er ingen tvil om hva som står der. Det er at man skal følge opp arbeidet med – og en realisering av – depotbygg på Tynset. Mener statsråden at det vedtaket ikke har noen verdi? Det vedtaket har en verdi, og det var derfor jeg også i mitt innlegg sa at regjeringens videre arbeid med dette vil basere seg både på vedtaket som gjøres i dag, og på innstillingen fra finanskomiteen. Når vi skal tolke hva flertallet mener med vedtaket som gjøres i dag, vil vi selvfølgelig også legge vekt på det som representantene fra Kristelig Folkeparti og Venstre nylig sa i salen. Også representanten Slagsvold Vedum vet utmerket godt at når en skal tolke betydningen av vedtak Stortinget gjør, må en også lytte til hva representantene som står bak vedtaket, sier, og det vil bli vektlagt i vår oppfølging av saken.

det. Ordlyden er klar, nemlig at regjeringen skal «følge opp arbeidet med Norsk helsearkiv og realisering av depotbygg på Tynset». Er det tvil om innholdet i det? Som jeg nylig har svart på: Når en skal jobbe videre med dette for å få et tilstrekkelig beslutningsgrunnlag – det er det viktig å ha i denne typen saker – vil en se både på vedtaket i dag, de innleggene som er holdt fra partier som står bak vedtaket, og ikke minst flertallsmerknaden som står i finanskomiteens innstilling knyttet til denne saken. Så vil en i løpet av 2016 på en egnet måte komme tilbake med et godt beslutningsgrunnlag når utredningen er gjennomført. Men la det ikke være noen tvil: Det er et politisk ønske fra denne regjeringen at det digitale helsearkivet skal lokaliseres på Tynset. Det er dette arbeidsplassene – kompetansearbeidsplassene – er knyttet til, og det er knyttet til, og det er en fornuftig lokalisering. Men det er også viktig at det blir noe av det, og en del av at det blir noe av, er å ha et godt grunnlag for å ta beslutningen og ta fornuftige valg som er realiserbare, sånn at det ikke bare blir et valgløfte, men en realitet. Replikkordskiftet er over. De talere som heretter får ordet, har en taletid på inntil

8-forslag er jo verken en investeringssak eller en byggesak, men det ligger en betydelig intensjon i det vi sier her i dag, og ønsket om Tynset er oppriktig. Nå må jeg snakke på Venstres vegne – men jeg regner også med at det gjelder for Kristelig Folkeparti. Om gårsdagens løsning og og pluss/minus én milliard kr, slik det var anslått: Man er kanskje glad for å realisere – hvis det er mulig – det man har behov for for en halv milliard kr. Ingenting er bedre enn det. Det er fortsatt sånn at selv om gårsdagens løsning ikke er morgendagens, er det det digitale helsearkivet og depotbygget på Tynset, men ikke nødvendigvis med gårsdagens løsning, for den blir både for stor og for dyr. Noen stiller spørsmål ved grunnforhold og annet – det er det ikke vår sak å gå inn på. Derfor mener jeg at det forslaget som gir den fleksibiliteten som er nødvendig for at man kan få til en helhetlig løsning på Tynset. Det forrige forprosjektet ville vært krevende å få til både innenfor økonomiske rammer og ut fra bygningsmessige forhold. Dette er viktig for å holde på en helhetlig løsning fram til vi fatter et investeringsvedtak i en budsjettsak her i Stortinget. Så er det orientert om at det pågår en utredning. Det ser vi fram til, og det skal vi også ha respekt for – at vi ikke griper for mye inn i den utredningen som regjeringa er i gang med og skal fortsette med utover høsten.

og flertallet sier, er jo at vi skal bygge på det som lå i arkivmeldinga og de forslagene som lå der, som kom i 2012. Det er ingenting i det svaret som statsråden gir til komiteen i forbindelse med denne saken, som stiller spørsmål ved det – verken ved det å velge Tynset og den

som bygger på NOU-en fra 2006 og arkivmeldinga som ble lagt fram like før regjeringsskiftet, og pengene som ble bevilget til det, har ikke statsråden stilt spørsmål ved i det hele tatt i det svaret han ga til komiteen, og jeg synes heller ikke han har gjort det her. Så vi i Arbeiderpartiet legger til grunn, og jeg tror også at flertallet legger til grunn, at statsråden tar på alvor det Stortinget vedtar i dag, og følger det opp på en skikkelig og ryddig Nå har jeg vært på Stortinget i snart elleve år, og en del av den tiden også som statsråd. Det vi har sett i denne debatten, er en litt ny parlamentarisk øvelse, også fra en statsråds side, ved at en på en måte prøver å bortforklare verdien av det vedtaket Stortinget fatter i dag, komitéinnstilling. Det er ingen tvil om at i stortingssammenheng er et vedtak et vedtak og en merknad en merknad – de har fullstendig forskjellig status. Enhver statsråd vet at i en merknad har en litt tolkningsrom, mens et vedtak må følges opp. Sånn er det, og sånn er vårt styringssystem. Men det er helt tydelig at etter at det ble klart for Høyre og Fremskrittspartiet at det ville bli flertall for at man skulle lokalisere også på Tynset, prøvde man i forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett å få til en slags ventil der. Selv om jeg er veldig lei meg for den ventilen, er vi nå i hvert fall i sum litt nærmere det som er målet – å få bygd et samlet nasjonalt helsearkiv på Tynset – enn vi var for tre måneder siden. Det var et veldig stort tilbakeskritt da det ble regjeringsskifte. Da ble plutselig alt satt i var det tre steg fram da Kristelig Folkeparti, Venstre, Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV sto sammen i det Dokument 8-forslaget vi nå har til behandling. Og så var det ett steg tilbake igjen da vi så merknaden dagen etterpå. Men vi er i hvert fall to steg nærmere. Så vi går litt fram og tilbake. Jeg håper at statsråden nå legger prestisjen og tidligere partitaktiske hensyn til side – miljøet i Trondheim Høyre var veldig opptatt av å få lokalisert det dit og at en ser at vi nå må få en løsning på den saken, at det er bra for landet å få et nasjonalt helsearkiv, at det er klokt å lokalisere både arkivet, papirmaterialet og digitaliseringsenheten på samme sted, og at det er en god løsning. Jeg håper at en i tillegg ser hvilke enorme ringvirkninger dette kommer til å få for Nord-Østerdal, Sør-Trøndelag og hele Fjellregionen. Dette er en sak som løser et nasjonalt problem, men som samtidig skaper kjempestore ringvirkninger i et område som har et stort vekstpotensial, som en sånn type bygg og en sånn type aktivitet kommer til å bidra ytterligere til.

rett før regjeringsskiftet og rett etter valget. Det er i hvert fall ikke tvil om at alle her er veldig enige om at det digitale helsearkivet skal til Tynset. Men jeg registrerer at spesielt Arbeiderpartiet og Senterpartiet ikke tar inn over seg at det har skjedd noe siden 2006, da NOU-en kom, og

si at jeg er helt enig med representanten Karin Andersen i at Tynset har kjempekompetent arbeidskraft. De har lagt til rette for å få helsearkivet til Tynset. Det er også vi opptatt av, og det er derfor man er helt enig om at man ønsker å legge det digitale helsearkivet til Tynset. Så får man se se på funksjonalitet, og hva som skal være der, når utredningen er ferdig. Jeg har også lyst til å si at jeg synes det er spesielt at Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV er veldig skeptiske til at private skal kunne få lov til å eie et bygg der det offentlige skal leie. Det viktige er jo at man ivaretar innholdet på en skikkelig måte, at man ivaretar sikkerheten og tryggheten til pasientene og sikrer at disse opplysningene ikke kommer ut på feil måte. Jeg tror det er fullt mulig å ha private som leier ut lokalitetene, men det er selvfølgelig de som skal ha ansvaret for å sikre dette, og de vil gjøre det på en god måte. Det

med nåværende helseminister, som var blitt helseminister, sa i november 2014: «Regjeringens beslutning om utsettelse av prosjektet til 2015 er ikke knyttet til lokalisering». Det må vel bety at ministeren hadde beslutningsgrunnlag som gjorde at han sa det. Jeg forutsetter at han visste hva han snakket om. Det visste vi andre også, og vi har villet det hele tida. Derfor er jeg glad for det forslaget som kommer til å bli vedtatt her nå. Jeg tolker det slik et vedtak må tolkes i Stortinget, at det betyr det som står i det. Jeg må innrømme at jeg er litt urolig for de innleggene som har vært holdt av Kristelig Folkeparti og Venstre.

brukt masse penger, investert arbeidstid på det, fått støtte. Og så har vi liksom fått strafferunde på strafferunde på strafferunde. Derfor håper jeg at vi som er enige om dette nå, kan stå sammen om det, og at vi kan få dette i havn. For det vil bli et godt prosjekt som de som står bak det, kan være stolte av. og lokaliseringen vil også utløse svært mye positivt som det vil stå politisk ære av for den som klipper snora. Og jeg ser gjerne at det er statsminister Bent Høie! Statsråden har ikke kommet så langt – ennå! Trygve Slagsvold Vedum har hatt ordet to ganger tidligere og får ordet til en kort merknad,

Men for det andre til dette med statlig kontra privat: Vi har et helt praktisk forhold til det i mange sammenhenger. Men i NOU-en står det at det bør være i statlig regi. Og så må vi huske på en ting til: Hva er leiemarkedet på steder som Tynset for private bygg? Hvis man er opptatt av å bruke mindre steder som lokalisering for store statlige virksomheter, er det mye mer naturlig at det er i statlig regi,

statsråd

ikkje

Da er vi klare til å gå til votering. Under debatten er det satt fram i alt 49 forslag. Det er forslagene nr. 1–9, fra Eirin Sund på vegne av Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti forslagene nr. 10–13, fra Eirin Sund på vegne av Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti forslagene nr. 14 og 15, fra Geir Sigbjørn Toskedal på vegne av Kristelig Folkeparti, Senterpartiet, Venstre og Sosialistisk Venstreparti forslagene nr. 16–19, fra Geir Sigbjørn Toskedal på vegne av Kristelig Folkeparti, Venstre og Sosialistisk Venstreparti forslagene nr. 20–22, fra Heidi Greni på vegne av Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti forslagene nr. 23–25, fra André N. Skjelstad på vegne av Venstre og Sosialistisk Venstreparti forslag nr. 26, fra Heidi Greni på vegne av Senterpartiet forslagene nr. 27–47, fra Karin Andersen på vegne av Sosialistisk Venstreparti forslag nr. 48, fra André N. Skjelstad på vegne av Kristelig Folkeparti og Venstre forslag

SV-er, men det får

beste

Men da

men her er det